at Norge fikk beholde E6 i det nye europaveisystemet fra 1985, fordi omskilting ville blitt for kostbart på en så lang vei. Hvordan påvirker Norges geografi økonomien? Mye blir dyrere. Mens andre europeiske land klarer seg godt med få meter vei per innbygger, må Norge bygge mange meter for å bygge landet sammen. Dessuten trenger vi mange broer og lange tunneler, som Nordhordlandsbrua, Lange avstander gjør at veibygging krever mye arbeidskraft og mye penger. Derfor legger Nasjonal transportplan opp til en massiv satsing på vei, bane og kystformål. De økonomiske rammene økes med 50 pst. – rundt 150 mrd. kr. I løpet av et tiår skal vi bruke mer enn 500 mrd. kr på transportformål. Trafikksikkerheten forbedres, reisetidene reduseres, og vedlikeholdet forsterkes. De lengste europaveiene blir prioritert, med mål om effektive korridorer som bygger landet tettere sammen, og fører oss nærmere hverandre. Regjeringen vil bygge dobbeltspor i intercitytrianglet på Østlandet, fergefri E39 på Vestlandet og skipstunnel ved Stad. Stad skipstunnel er et prosjekt som skaper enorm entusiasme, og som har lang historie. Stadtunnelen ble drøftet også da min bestefar Dankert Teigen var varaordfører i Vanylven på 1970-tallet. Nå kan den bli realitet. Tunnelen er en satsing på kysten – som vil bedre sikkerheten og forbindelsene forbi det værharde havstykket. Etter åtte år i Oslo, og utallige netter på Bergensbanen, er jeg glad for at dobbeltsporet mellom Bergen og Arna ferdigstilles, at Ringeriksbanen kommer, og at togtilbudet på Vossebanen forbedres. I Hordaland er vi også opptatt av en rekke veiinvesteringer: på

som vil gi bedre framkommelighet og bedre forhold for kollektivtrafikk, syklister og gående. Det er en milepæl for min region. Nasjonal transportplan er et ambisiøst dokument for trafikksikkerhet, jernbane, miljø, kollektivtrafikk, veiinvesteringer og vedlikehold. Regjeringen overoppfylte transportplanen som ble lagt fram av forrige regjering. Bevilgningene er kraftig økt og er i rute med å følge opp videre. Det gir troverdighet.

I Hedmark har vi tidligere ikke vært bortskjemt med midler fra nasjonale transportplaner. Dette rettet seg først da Senterpartiet og den rød-grønne regjeringen kom til makten for åtte år siden. Jeg vil berømme den rød-grønne regjeringen for å tørre å ta noen valg. Det er et ambisiøst, men nødvendig mål å møte veksten i byområdene med kollektivtransport, sykkel og gange.

Samtidig får vi firefelts vei til Hamar, helt opp til Brumunddal og til Kongsvinger, og det blir slik standard på nesten hele strekningen til Elverum. For dem som fortsatt er bekymret for utbyggingen nordover til Brumunddal, har flertallet i transportkomiteen i sin merknad tydeliggjort at etatene nå kan starte eller fortsette planleggingen av prosjekter som kommer i siste halvdel Så må jeg selvfølgelig også nevne et prosjekt som jeg brenner spesielt for. Det er elektrifisering av Røros- og Solørbanen. Jernbaneverket skal nå utrede konsekvensene for elektrifisering av denne banestrekningen. Det ser jeg fram til, for det er et så godt samfunnsøkonomisk prosjekt at det er nødt til å bli realisert. Da får vi også mer gods over på bane i hele landet, og ikke minst kan vi da sende godset utenom flaskehalsen Alnabru. Det vil spare samfunnet for betydelige summer, og det er dessuten et miljøprosjekt, men dette skal vi komme tilbake til senere. Til slutt vil jeg framheve viktigheten av at vi nå får muligheten for forutsigbar finansiering av større prosjekter innenfor dagens budsjettsystem. Det er veldig mye bedre enn å bygge på krita med en altfor dyr

Det betyr også at de avkreves et resultat med hensyn til hvordan pengene har blitt brukt, og hvilken gjennomføringsevne man har hatt. Det er der debatten om OPS – om andre løsninger å bygge på – kommer fra. Det er grunnen til at denne debatten har kommet opp. Jeg hører at man i enkelte innlegg omtaler offentlig–privat samarbeid som om det bare skulle dreie seg om renter, eller om det faktum at det finnes entreprenører som tjener penger på at veiene bygges. Ja, det håper jeg at det alltid vil være. Det vil finnes entreprenører som tjener mye penger. Noen tjener mindre penger. Men selve ideen med å bygge ved hjelp av OPS går ikke bare på rentebiten. Det går ikke bare på rentebiten. Det går på en helhetlig gjennomføring. Det går på en garanti mot budsjettsprekker. Det går på vedlikeholdet, og ikke minst går det på at veien blir tidligere ferdig. Det er jo det som er helt sentralt. Man kan hente eksempler fra både England og Sverige og hvor som helst. La oss heller gå til Sørlandet og se på E18 Grimstad–Kristiansand og hvor fort den ble ferdig. Slik kan det gjøres. Det sparer bilistene for problemer, og det er samfunnsøkonomisk godt. Jeg skal bruke det siste minuttet til å snakke litt om intercitysatsingen i Vestfold. Høyres formuleringer om at vi skal bygge den ferdig, helhetlig, så raskt som mulig og senest innen 2030, er en sterk forpliktelse for partiet. Så ser jeg at vi nærmest får en konkurranse om hvem som har de beste formuleringene, og jeg har hørt representanter fra Vestfold her i dag snakke om at man har noe man kaller en planhorisont for ferdigstillelse. Jeg vet ikke hva planhorisonter for ferdigstillelse er. Jeg vet bare at det å bygge noe innen en eller annen frist, det å bygge det så raskt som mulig – f.eks. med noen andre løsninger, med noen alternativer – og at man har et åpent så raskt som mulig – f.eks. med noen andre løsninger, med noen alternativer – og at man har et åpent sinn, er viktig. Jeg har også hørt lokale representanter fra Vestfold snakke om at man ikke skal bry seg om de lokale politikerne, den lokale beslutningsretten, når det gjelder traseer. Det er jeg mer skeptisk til. Høyre er et parti som mener at politikken skal komme nedenfra, og at statlig overstyring er noe man skal

Hvis det er sånn at man er så bekymret for Fremskrittspartiets pengebruk, for at folk skal få frigjort egne midler fordi de f.eks. betaler mindre i bompenger, hvorfor er det så problematisk? For vår del synes vi det er helt greit at folk får beholde pengene sine selv, og vi tror ikke at staten nødvendigvis er den beste til å løse alle problemene. Vi har ganske stor tillit til at folk og familiene selv vet sitt eget beste. I tillegg, hvis man ser på historien, er det jo et faktum at man i

La meg så si to ting om noe som jeg er opptatt av. Jeg har gleden av å kjøre fra Oslo og hjem noen ganger – en to, tre ganger i året – og det er like fascinerende hver gang. Spesielt når jeg forlater Nord-Trøndelag og kommer til Nordland. Det er et mareritt. Å kjøre fra Nordlands grense og inn til Mosjøen er som å kjøre karusell på Hugos tivoli eller noe sånt – for dem som har prøvd det. Og å kjøre fra Mosjøen til Korgen – i det samme området – er et annet mareritt. Derfor tror jeg at løsningen er å framskynde

fra Senterpartiet i dette intervjuet at man må se dette i sammenheng med utbygging av tunnelen på riksvei 77 gjennom Tjernfjellet. Hvis det er sånn at Stortinget må gi slike ordre til dem som jobber i Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, da blir jeg bekymret. Jeg forutsetter at dette er intelligente, oppegående folk som ser det naturlige i å sammenkoble to slike prosjekt. Hvis de ikke ser det, bør de finne seg noe annet å gjøre. Jeg regner med at Stortinget ikke skal drive med detaljstyring verken av utbyggere eller andre, men stille rammemessige betingelser.

fra Arbeiderpartiet og de rød-grønne partiene peker på at det er positive sider ved OPS, positive sider som vi nå tar i bruk – som muligheten til å se investeringer, drift og vedlikehold under ett. Men dette kan man altså gjøre uten samtidig å benytte seg av OPS som et finansieringsinstrument. Det er veldig spesielt at Høyre nå nesten står alene igjen når de vil bruke OPS som et finansieringsinstrument, uansett advarsler, enten det nå er fra partikolleger i England og Sverige – som viser til konsekvenser dette har, bl.a. ved at det binder opp budsjettene, og at det blir mye dyrere å bygge vei – eller det er erfaringer og advarsler som man får her i Norge, bl.a. på lederplass i de store Men det som kanskje bekymrer meg mest, eller som jeg stiller flest spørsmål ved, er at Høyre gjennom sitt forslag til NTP egentlig skjuler de reelle kostnadene ved sitt forslag. Bare de 17 OPS-prosjektene vil koste over 100 mrd. kr. Vi vet ikke den endelige prislappen. Vi vet heller ikke hva prislappen er på de øvrige prosjektene som Høyre foreslår. Vi vet heller ikke hvilke konsekvenser dette eventuelt vil få for handlingsregelen. Også Venstre og Kristelig Folkeparti seiler under falsk flagg når de sier at de vil bygge ut intercity innen 2025, men bare har lagt inn en tidel av hva det koster. Til Jan Arild Ellingsen – jeg tror han nettopp gikk ut: Man kan si mye om Fremskrittspartiet, men det skal de ha, at de i hvert fall legger de pengene på bordet som de mener deres løfter vil koste. Og så er de relativt ærlige og åpne om hvilke konsekvenser det har for norsk økonomisk politikk. Til slutt: Man skal lytte når Høyre sier at de vil slanke Jernbaneverket, for de vet hva de snakker om. Bondevik II-regjeringen brukte betydelige beløp på å bli kvitt sentral kompetanse – de ga sluttpakke bl.a. til folk med verdifull signalkompetanse. Dette er en kompetanse som vi har måttet bruke mye ressurser på å bygge opp igjen, og som har kostet oss dyrebar tid i det prekære arbeidet med Jeg tenker at vi har ikke råd til et sånt eksperiment en gang til. Det har kostet oss for mye, det har kostet oss for mye tid, konsekvensene har vært for store – endelig er vi i ferd med å få norsk jernbane på beina igjen etter åtte år med

fire år med raud-grønt styre var fyrste etappe av planen oppfylt og målet om 100 nye milliardar på plass. Den neste fireårsplanen vart meir enn oppfylt den òg. Ei lang rekkje prosjekt på veg og bane er ferdigstilte, sette i gang eller under planlegging. Det er stort å ha levd tett på desse prosessane. Og så vedtek vi i dag ein plan med 508 statlege milliardar. Det er så bra! Det ligg så mykje auka tryggleik, betre framkomelegheit, reduserte reisetider og reduserte kostnader både i ferdigstilte prosjekt og i dei prosjekta som nå står føre oss. Høgre og Framstegspartiet har i dag formidla det Det blir forsterka i innstillinga – dei er jo slett ikkje einige. I noko så avgjerande som finansiering er Høgre og Framstegspartiet totalt ueinige. Det er litt av eit sjansespel for den som vil styrkja samferdsle i dette landet, å sleppa desse to partia til etter valet! Regjeringspartia har avklart kor mange pengar som skal brukast og på kva måte. Vi veit kva vi vil. Høgre vil ha OPS Framstegspartiet slett ikkje. Høgre vil fylgja handlingsregelen – Framstegspartiet slett ikkje. Høgre går for bompengar – Framstegspartiet lover å avvikla alle bompengeprosjekt. Om Kristeleg Folkeparti og Venstre skulle vera aktuelle i dette selskapet, gjer ikkje det teikninga enklare; dei brukar jo pengane fleire gonger. Bård Hoksrud har varsla at vedtaka i dag kan bli ståande i kort tid. Det er lett å skjøna, men det er jo bokstaveleg talt i det blå kva som måtte koma i staden. Vi raud-grøne har vist – gjennom åtte år – at vi har levert. Vi legg nå grunnlag for ein ambisiøs plan for dei kommande ti åra. Vi er klare til å levera frå fyrste dag etter valet. Vi har vist

når du hører debatten, skulle du tro det gjaldt evaluering av hva som har skjedd i opptil flere tiår tilbake. Men dette er altså en plan for framtiden, og det er klart at det da er historisk satsing. Dette var forrige taler inne på, og min kollega fra Aust-Agder, Freddy de Ruiter, mente at dette var et historisk løft som ingen hadde forventet. Det er slik at ingen jeg har snakket med om denne framleggelsen, hadde forventet noe lavere enn den satsingen som ligger der nå. Og det er jo fordi vi har historisk store oppgaver å gå løs på, og da trengs det historisk satsing, og det er et historisk økonomisk grunnlag for å gjøre det. Det er bra. Vi har alle våre saker som vi kjemper for, og jeg må nok dessverre si at for Sørlandet er det ikke noe historisk løft i denne meldingen. Ja, det er godt at vi har fått inn visse deler av E39, som går vestover, og jeg er veldig glad for at opposisjonspartiene er tydelige på både framdrift og standard på veien mellom Kristiansand og Stavanger, for dette er en særdeles viktig vei, ikke minst med tanke på at det er en havn i Kristiansand som tar inn mye trafikk. På Sørlandet – sikkert på grunn av vår maritime bakgrunn – snakker vi armen går da vestover, E39, til Stavanger, og så er det selve festet og festearmen som går opp Setesdalen – der en så fryktelig gjerne skulle hatt gul midtstripe hele veien – og den andre armen går østover, E18, mot Østlandet. I denne meldingen, som det skrytes høyt av, der en så fryktelig gjerne skulle hatt gul midtstripe hele veien – og den andre armen går østover, E18, mot Østlandet. I denne meldingen, som det skrytes høyt av, er altså planleggingsmidlene for E18 halvert. Selve grunnlaget for å komme i gang med byggingen er halvert. Det er underlig, og det er skuffende. Jeg er veldig glad for at jeg kan presisere hva som er Høyres grep, som er litt annerledes enn noen framstiller det her. Høyres grep Høyres viktige grep er å bruke disse pengene på en slik måte at vi får mer vei på plass raskere. Det bilistene vil ha, er en sikker og god vei, som er god økonomi. Det har vi virkelig opplevd med veien som ble bygd mellom Kristiansand og Grimstad. Nasjonal transportplan er

mindre byråkrati og mer penger til vei og bane. Etter å ha lyttet til dagens debatt kan man få inntrykk av at den rød-grønne regjeringen sitter med fasiten i samferdselspolitikken. Det gjør den ikke – heller ikke i Troms, der samferdselsutfordringene er større enn noen gang, og der denne regjeringens overføring av riksveiene til fylkene har plassert Troms på den lite hyggelige norgestoppen i veivedlikeholdsetterslep. Dette skaper nå stadig større problemer for næringslivet, og for folk flest, som bruker disse veiene i det daglige. Det ligger ingen svar i NTP-en som tyder på at regjeringen vil ta ansvar for å bringe standarden på fylkesveiene i Troms opp på et akseptabelt nivå i overskuelig fremtid. Utviklingen i Troms med dagens regjering har tvert imot gjort at viktige fylkesveiprosjekter, som Langsundforbindelsen og Bjarkøyforbindelsen, er satt på vent. Høyre vil tilbakeføre fylkesveiene til staten for å sikre mer effektiv planlegging, og Høyre vil bevilge mer penger til vei og veivedlikehold og videreføre den rentekompensasjonsordningen som har vært så viktig for fylkeskommunene, men som regjeringen nå har fjernet med et pennestrøk. Høyre vil bygge bedre veier og veier for Derfor satser Høyre på regionpakke Tromsø. Veipakken ble mottatt med stor entusiasme av alle andre enn rød-grønne politikere. Den er et columbi egg som både vil gi mer effektive, sentrumsnære veiløsninger og like viktig – bygging av siste del av E8 inn mot Tromsø, som kan kombineres med realisering av den viktige Ullsfjordforbindelsen mot Slik knyttes Nord-Troms nærmere Tromsø og vil skape en effektiv bo- og arbeidsregion og store, nye utviklingsmuligheter for næringslivet. Regionpakke Tromsø skal realiseres som et OPS-prosjekt med passeringsavgifter for tunnelene som skal bygges, og fergeavløsningsmidler. E6 er hovedpulsåren i det nordnorske transportnettet. Gjenstående flaskehalser må fjernes, og fremkommeligheten må sikres også i vinterhalvåret gjennom Troms og over

Nordland prioriteres E6 sterkt. Vi klarer å legge fram Helgelandspakken, der man skal se drift, vedlikehold og investering i samme løsning, uten OPS. Så det går godt an. Dette handler mer om at vi får til gode løsninger. Det er en pakke fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag og til Saltfjellet. Det er kjempeviktig. E6 Saltdal med kobling til Tjernfjellet kommer på plass. Oppstart av E6 ved Kråkmofjellet skal på plass, rundt Ballangen, og vi skal videreføre det arbeidet som foregår på Hålogalandsbrua, som er et stort og nyskapende prosjekt for hele fylket. Arbeidet med rv. 80 inn til Bodø fortsetter. E10 fra Lofoten og Vesterålen til Ofoten foreslås som et prioritert prosjekt. Det er utrolig viktig. Ofotbanen opprustes, Nordlandsbanen får fjernstyring fra Mosjøen til Bodø. Vi ser også at det er viktig å styrke Nordlandsbanen når det gjelder malmtransport,

Vi har også fått lagt inn en merknad om Ballstad i Vestvågøy med tanke på prosessen videre fram mot rullering, noe som kan gi muligheter for forsterking og utvikling også av den havnen. Lufthavnene på Stokka og Stokmarknes skal forlenges i 2014. Det skal bygges ny lufthavn på Hauan i Mo i Rana, og etter hvert også i Lofoten. Prosesser med hensyn til opprusting og overtakelse av lufthavnen i Bodø er det også lagt inn merknader Nordland er kommet meget godt ut i Nasjonal transportplan, og øker sin andel av investeringene. Jeg vil likevel peke på ett prosjekt som jeg er opptatt av at skal realiseres fram mot neste rullering, og det er tunnelene på E6 nordover mot Hamarøy. Som sagt: Jeg er svært tilfreds med nordlandsprofilen. Min uro er at hvis det kommer en blå-blå regjering til makten, som om finansiering, kan det skape usikkerhet om gjennomføring av de viktige prosjektene som jeg nå har omtalt.

fulgt med på en spesiell veistrekning i denne prosessen, fordi jeg synes den kan være en god temperaturmåler når det gjelder regjeringens ambisjonsnivå. Det er strekningen rv. 35 fra Hokksund til Åmot. Den er ca. to mil lang. Det er en stamvei med nasjonal betydning og en viktig brikke i den såkalte ring 4 rundt Oslo, og ikke minst er det en veistrekning med stor lokal betydning, fordi den er sterkt trafikkert, ulykkesbelastet og belastende også på andre måter i de berørte lokalsamfunn og kommuner. Hva sier så regjeringen i sin NTP om rv. 35 Hokksund–Åmot? Ingenting – ikke ett ord! Så der var det ikke veldig mye ambisjonsnivå å spore. Så venter jeg da i spenning på komitémerknadene og hva regjeringen sier der. Da viser de rød-grønne til at det er behov for planlegging av den nevnte strekningen – behov for planlegging. Da er det ikke rart at jeg minnes Nils Kjærs ord om mellomveien «mellem næsten noget og absolut intet». Det er regjeringens ambisjonsnivå for en viktig strekning i mitt hjemfylke. Desto større er gleden når jeg leser at Høyre sammen med Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti skriver at det her må settes av midler i første halvdel av planperioden, og at vi må starte byggingen av en smal firefelts vei i andre halvdel av planperioden. Det viser et ambisjonsnivå, det viser gjennomføringskraft, og sammen med de andre gode og nye ideene og bedre løsningene i Høyres merknader er jeg optimistisk når det gjelder høstens valg, hvor vi kan møte velgerne med et offensivt samferdselsbudskap, også om en veistrekning som nesten ikke i det hele tatt er nevnt av regjeringen.

Utfordringen er at innbyggerne ikke ser resultatene, men hører de fagre løftene. Jeg kan ta et eksempel fra mitt eget hjemfylke når vi snakker om intercitytriangelet. Gjennom år etter år – faktisk tiår etter tiår – har man snakket om behovet for å bygge dobbeltspor helt ned til Halden. Men til tross for disse løftene

faktisk har. Statistisk sentralbyrås rapport fra 24. april i år, Pressvirkninger i norsk økonomi av økte samferdselsinvesteringer, viser at vi kan bruke nesten 50 mrd. kr ekstra i året på samferdselsinvesteringer uten at økonomien settes over styr. Når vi har dette handlingsrommet, er det underlig at dagens regjering heller velger å videreføre en usosial og byråkratisk bompengeløsning, bompengeløsning, spesielt når vi vet at oppimot 40 pst. av de innkrevde pengene går bort i innkrevingskostnader og renteutgifter. Det å investere i samferdsel er ikke sløsing, men det er en fornuftig investering som kommer nåværende og framtidige generasjoner og næringsliv til gode. En stor del av riksveiene er gode. En stor del av riksveiene er blitt overført til fylkeskommunene. Alle fylkespolitikere var ikke like begeistret for det, og vi må være så ærlige og si at ikke alle veiene var i topp stand. Det var med andre ord en gave fra staten som ikke alle var like glad for.

Fylkespolitikerne er nærmere og kan prioritere riktigere. Selv om det var skeptiske sjeler da dette ble vedtatt, har det har vist seg at det var en fornuftig avgjørelse å overlate dette feltet til fylkeskommunene. Havner og farleder er ofte usynlige, med desto viktigere byggverk. Norge er en kystnasjon og må holde sine havner i orden og sine farleder trygge og dype nok. Den rød-grønne regjeringen skal ha ros for at den ikke bare satser på de synlige byggverk, men også dem som ligger under vann. Som ordfører var en av mine største politiske seire å få mudret Havøysund havn. Det vises ikke, men det er heller ingen båter som står fast, og fiskeindustrien kan ta inn adskillig større båter enn før. Også i denne planperioden kommer det midler til havner i Finnmark – til Mehamn, Båtsfjord, Breivikbotn og Kamøyvær i første periode, til sammen 205 mill. kr. I siste periode skal det bygges i Sørvær, Skarsvåg, Kiberg, Gamvik, Gjesvær og på Svartnes for innpå 100 mill. kr. Det er i tillegg også en stor og nødvendig satsing på E6 vest for Alta. Denne strekningen er vinneren i NTP for Finnmark, og det blir bra. Det blir en trafikksikker og moderne vei. Det vi har sett hittil av det som er ferdig av veien, er svært bra. I tillegg skal masser som utvinnes fra denne veistrekningen, brukes til utvidelse av rullebanen på Alta flyplass, jfr. merknad fra komiteen. Slik kan man langtidsplanlegge, få prosjekt til å henge sammen og tenke infrastruktur som en helhet.

for samankopling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i første del av planperioden. Når vi har fått gjennomslag for ei KVU i første del av planperioden, kan vi ved neste revidering av transportplanen få endeleg gjennomslag for og endeleg plan for som samankoplar dei to jernbanestrekningane. Dette vil i første omgang føre til ein time kortare reisetid frå Sørlandet til Oslo. Etter kvart vil vi få redusert køyretid på Vestfoldbanen, slik at vi kjem ned i tre timars køyretid frå Kristiansand til Oslo. Da blir det ikkje behov for å ta fly frå Kristiansand til Oslo. Da er det praktisk talt like raskt å reise med tog som med fly, og det er mykje meir hensiktsmessig å kome frå sentrum til sentrum. Dette vil gi eit skikkeleg løft for ein behageleg, effektiv og miljøvennleg transport mellom Sørlandet og Oslo. Eg har også lyst til å nemne ein annan ting i

Det betyr at vi no kan planleggje kollektivtransporten med like lang horisont som ein i lang tid har planlagt vegutbygging. Det er noko av det som gjer at vi kan få ei effektiv samferdselsplanlegging. Det har vore ein tendens til at ein har planlagt veg på lang sikt og

ikke alle – men nær sagt alle – medlemmer av Stortinget og regjeringen har ett formål, og det er et ønske om å spre størst mulig frykt for morgendagen om at en annen regjering skal være et stort sjansespill. Man framhever dommedagsprofetier og hvor grusomt det måtte komme til å bli, på grunn av at man er uenig om Ja, vi er uenig om bompengepolitikken. Men det må også være slik at det ikke er Stortinget – men folket i valg – som bestemmer hvordan Stortinget skal være sammensatt etter 9. september. Representanten Freddy de Ruiter sier at Fremskrittspartiet ikke har en politikk som henger sammen. Men det er faktisk slik at hvert eneste år sender vi vårt budsjettalternativ til kontroll hos Statistisk sentralbyrå. Svaret som kommer tilbake, sier at det ville blitt litt mindre arbeidsløshet og litt lavere rente og inflasjon med Fremskrittspartiets budsjettforslag. Hvis det er uansvarlig, så vet jeg ikke hva man skal kalle veldig mye annet. Han refererer også til bruken av bompenger. Bruk av bompenger er veldig dyrt. Da Stortinget gikk inn for Alta vest, bestemte Stortinget at det skal være en bompengefinansiering på 160 mill. kr. Men for å kreve inn de pengene med de kostnadene det innebærer, blir totalpakken på 350 mill. kr. Det koster altså 190 mill. kr å kreve inn 160 mill. kr. Det er ikke rart vi har en klimadebatt i Norge slik vi fyrer for kråkene i dette landet.

har ønsket et sterkt forsvar. Vi ser det er kaos om Lofoten og Vesterålen. Det er kaos i innvandrings- og integreringspolitikken, og da har jeg ikke tatt med at vi har en kontroll- og konstitusjonskomité som aldri har hatt mer å gjøre enn nå i hele perioden. Hadde det ikke vært for at regjeringen sitter med et avklart flertall,

Vestlandet. Kvifor er det spesielt lønsamt på Vestlandet? Jau, det er der verdiskapinga skjer. Det største eksportfylket vi har, er Hordaland. Det er klart at dersom ein som jobbar innan oljenæringa, kjem ein halv time eller ein time for seint på jobb, eller at varer og produkt blir tilsvarande forseinka, kan det ha store samfunnsøkonomiske kostnader,

Han har tidlegare vore statsråd for Høgre. Han viser at det å investere ca. 30 mrd. kr vil gi ei avkasting på 10 mrd. kr. Dei aller fleste skjønner at om ein f.eks. investerer 3 mill. kr. i noko som vil gi 1 mill. kr i avkasting kvart einaste år i all framtid, er det eit godt prosjekt. prosjekt. Då bør ein også skjønne at det å investere 30 mrd. kr i noko som gir ei avkasting på 10 mrd. kr i året kvart år framover, også er eit godt prosjekt. Ein føresetnad legg han for det, og det er at det må vere bompengefritt. Det er berre utan bompengar ein kan sikre ein vel fungerande arbeidsmarknad og lågare transportkostnader for bedriftene arbeidsplassar. Framstegspartiet har, saman med Høgre, tatt stilling til traséval i Hordaland, midtre line, med flytebru over Bjørnefjorden. Framstegspartiet ønskjer å byggje med kortare byggjetid enn 20 år. Vi vil ha prosjektorganisering og prosjektfinansiering. Dette er eit svært lønnsamt prosjekt vi ikkje kan

styrte landet. Vi har nesten firedoblet jernbaneinvesteringene, og vi er i gang med svært mange prosjekter. Vi har til og med fått til en dobling av satsingen på sykkelveger, som er så viktig for veldig mange bymiljøer. Jeg kan snakke for meg sjøl. For oss gamle som er damer, som har barnebarn og gjerne vil at de skal sykle til skolen, er det kjempefint og kjempeviktig. Det er viktig for klimaet og ikke minst for folkehelsa. Det er viktig for å lage gode bymiljøer lage gode bymiljøer og gode områder der vi litt tilårskomne damer tør å bruke sykkelen, og der vi også tør å slippe ut unger og barnebarn. Dette er det uhyre viktig at vi får i gang. Jeg har vært med så lenge i politikken at jeg husker da både Høyre og Fremskrittspartiet tok til orde for at jernbanen ikke var framtidas transportløsning. Tvert imot ble SV latterliggjort fordi vi ville satse på jernbanen. Nå skjønner alle at det er viktig. viktig. Det gjør meg litt glad, for det viser at SV har gjennomslag for veldig mange av sine tanker, og at vi er mer framtidsrettet enn mange av de partiene som ville legge ned jernbanen for mange år siden. Satsingen på jernbane og kollektivtrafikk i og mellom byene er viktig. Og så er det nødvendig med veger i distriktene. Det er en prioritering SV står for. Når det gjelder jernbane, er

er Rørosbanen og Solørbanen. Det kan bety at man får to spor mellom det sentrale Østlandet og Midt-Norge, slik at man kan kjøre gods i begge retninger raskt. I den sammenheng er også satsingen på Kongsvingerbanen og eventuell godsterminal på Kongsvinger veldig viktig. Det er et trafikknutepunkt jeg skulle ønske større deler av resten av landet så og interesserte seg for, fordi det ikke bare er viktig for gods, men også for en såkalt avlastningsstrategi for hvor det er flott og fint å bo, som ikke er det sentrale Oslo, men som er nær, og som kan tilby billigere boliger. I dag er

Den er til dels utsatt, til dels svingete og til dels sterkt belastet med trafikk. Det har kommet med en del i Nasjonal transportplan om at det nå skal satses på E6 nord for Grong og videre til Nordland. Det er vi naturligvis svært glad for – der er det mye som skal gjøres. Det er viktig for trafikken som knytter de landsdelene sammen.

det betinger at man må ha en tunnel gjennom Forbordfjellet for å gjøre noe med den strekningen. Den er rasutsatt, og hvis den blir stengt, er det ingen omkjøringsveier. Så vi er svært glad for at vi har fått en merknad fra flertallet i komiteen om at man er med på det. Når det gjelder Stjørdal–Trondheim er årsdøgnstrafikken allerede så stor at dette betinger firefelts vei. Vi er glad for at regjeringen har lagt inn nye tunneler i siste periode si vi er glad for at den har lagt det inn, men ikke for at det ligger i siste periode. Vi har derfor en merknad sammen med Kristelig Folkeparti om at det må forseres og inn i første periode. Så til det som opptar meg enda mer, og det er elektrifisering at jernbanen i Norge. Det er tidligere lagt vekt på Østerdalstraseen og naturligvis Nordlandsbanen som burde vært elektrifisert. Men det som har aller høyest prioritet, er Meråkerbanen og Trønderbanen. Den binder en god arbeidsregion sammen. Banen er stengt i dag, materiellet er på vei til å bli utrangert. Derfor er det svært viktig at det gjøres. Vi er så glad for at det er blitt med i planen. Statsråden har proklamert at det kommer i første periode. Det som bekymrer oss, er at det ligger for lite midler inne til dette. Derfor er vi glad for at hele komiteen støtter oss i dette. Derfor er vi glad for at hele komiteen støtter oss i at dette må planlegges og bli startet opp i første periode. Det er vi svært glad for. Dessuten er det veldig viktig at vi får med oss E14, som er forbindelsen til Sverige. Der fraktes det veldig mye gods i dag, og det er flott at den kommer med. La meg aller først få skryte av regjeringen og samferdselsministeren på ett område: Det er

der det står at «markedet og folks frie valg skal styre bosettingsmønsteret i fremtiden». Ja, jeg er stolt over å tilhøre et parti som sier at folks frie valg får avgjøre hvor de vil bo. Hva er alternativet, det motsatte? Jo, det er å tvangsflytte folk. Det har Senterpartiet – statsrådens parti – forsøkt gjennom boplikten i så mange år uten å lykkes, at jeg tror de kanskje har tenkt å gå bort fra den strategien.

en god, moderne og fremtidsrettet E6 mellom Trondheim og Stjørdal, synes jeg ikke er god distriktspolitikk. Det fører til økte kostnader for næringslivet, og det setter arbeidsplasser – i det fylket vi begge kjenner så godt – i fare. I tillegg registrerer jeg at mye av denne finansieringen skal skje gjennom bompengefinansiering. Man sender regningen, nærmere 6 mrd. kr, til den nordtrønderske bilbrukeren og det nordtrønderske næringslivet. tar kontakt med en av de store transportbedriftene i Nord-Trøndelag, Leiv Sand, som allerede betaler 100 000 kr i måneden i bompenger for å frakte varer og tjenester rundt omkring i Trøndelag, tror jeg hun fort får beskjed om at er ikke noe stort rop fra hans side om å få mer bompenger. Kostnadene er høye nok, arbeidsplassene er allerede truet. Jeg skulle ønske at statsråden så det inn i en distriktspolitisk sammenheng. Jeg er glad for at Fremskrittspartiet gjør det, og tar vare på distriktene på en god måte gjennom

9,420 mrd. kr dobbeltspor på jernbanen frå Bergen til Arna, 3,2 mrd. kr farleistiltak inn mot Bergen hamn, 250 mill. kr ny terminal ved Bergen lufthamn, Flesland, 3,6 mrd. kr. I sum vert dette i overkant av 33 mrd. kr til samferdsel i Bergen, og mellom Bergen og dei næraste nabokommunane. Sjølv om det visstnok er vorte sånn at det løner seg politisk å snakka meir om menneske enn om milliardar,

gjennom regjeringa sin sykkelstrategi. Så får me ei konseptvalutgreiing for endeleg å koma fram til logistikknutepunkt for gods i Bergens-området, der også spørsmålet om samlokalisering av hamn og jernbaneterminal vert vurdert. Ringeriksbanen ligg ikkje i mitt heimfylke, Hordaland, men du kor glade me er for både midlane som ligg inne i og dei avklaringar me har fått gjennom komitéinnstillinga om at det ikkje trengst ny KVU, at statleg regulering skal vurderast, og presiseringa av at prosjektet vert planlagt slik at det kan startast opp så tidleg som mogleg i den siste seksårsperioden. El6 mellom Bergen og Voss og mellom Voss og Sogn og Fjordane får ekstra rasmidlar og framskunding av plan for nye trasear. El34 får eit løft med bygging av Stordalstunnelen, som kjem no i samleproposisjonen, og ikkje minst med at det vert opna for at me kan få ei framskunding av tunnelane over Haukelifjell. I tillegg kjem alt det som andre har vore inne på når det gjeld E134 i Telemark og i Buskerud. Fiskerihamn i Austevoll og Bømlo,

E6. E6 gjennom Ringsaker og nordover, og det flertallet skriver om der, er vel først og fremst et resultat av opposisjonens press. Jeg begynner etter hvert å lure på hvor mange prosjekter som skal startes opp helt i starten på neste planperiode. Her synes jeg regjeringen driver et forventningsspill som ikke står tilbake for noe av det de angriper opposisjonen for.

raskere. Hvilke utfordringer er det vi står overfor? OPS er ingen religion, men det skal løse noen utfordringer. Det gir en løsning med tanke på sammenhengene – ikke en klattvis utbygging. Spør man folk flest der ute, skjønner de ikke hvorfor det blir stående igjen noen korte strekninger mellom to nybygde. Det gir en vesentlig raskere utbygging. Ifølge TØI i Dagens Næringsliv er det nærmest en halvert utbyggingstid. utbyggingstid. Det er jo bemerkelsesverdig at man fortsatt bruker OPS-prosjektene under Bondevik II-regjeringen som en «benchmarking» for statlige prosjekter i dag. Det bør jo faktisk ha vært en produktivitetsvekst i perioden. Det gir en kontroll med kostnadsoverskridelser og en risikoavlastning som kan være veldig bra. Og ikke minst: Det gir en løsning på det staten liker minst, og det er vedlikehold. vedlikehold. Det undrer meg at man ikke er villig til å se at OPS – brukt målbevisst, inn mot en del av disse utfordringene og på de strekningene der det haster mest – er en meget god løsning. Derfor bør det komme en ny regjering etter 9. september. Debatten har vart en stund, og det viser at samferdsel er

planer. Med den planen regjeringen har lagt fram i dag, som Stortinget behandler nå, vil mange viktige transportbehov bli dekket de neste årene. Jeg tenkte jeg skulle kommentere et par punkt i debatten så langt. Det ene gjelder OPS. Jeg tror det er viktig å skille mellom OPS som byggemetode og som finansiering. Jeg har som senterpartist ingen ideologisk motstand mot OPS

Men det som ikke er klokt, er å bygge veg dyrere enn det man trenger å gjøre gjennom en OPS-finansiering. Det er ikke klokt å utsette betalingen i 25 år, slik at du skyver det foran deg til framtidige regjeringer. Da framstår OPS som en enkel løsning med å prøve å love mer enn det en egentlig har penger til. Det er også det jeg opplever at Høyres svar her i dag

framover – raskere planlegging, forutsigbar finansiering, tidsfrister og samordning av innsigelser. Flere av de tingene har en vært inne på i debatten i dag, og det er viktige ting, men det aller viktigste for å få en bedre gjennomføringsevne, er at en har et avklart finansieringsgrunnlag. Og det er spørsmålet: Hvordan står det til med gjennomføringskraften hvis en er fundamentalt uenig om finansieringen i samferdselssektoren? Litt av problematikken hos opposisjonspartiene her i dag,

mer bompenger. Det blir altså mer å betale for bilistene. Så den kritikken er uforståelig. Det er tydelig at velgerne ikke skal få noen avklaringer før valget – det er strategien. Velgerne skal ikke få noen avklaringer om bompenger. Det er vel bare opp til velgerne – det er det som blir sagt her i dag, det er opp til velgerne å bestemme, ja vel. En skal ikke få noen avklaringer om OPS og den øvrige finansieringen heller. om OPS og den øvrige finansieringen heller. Det vi kan slå fast, er at det er mange ubesvarte spørsmål, men det er ett hovedusikkerhetsmoment, og det er et femtitalls veiprosjekter som vi ikke vet om blir finansiert, hvis så galt skulle skje at en får et nytt flertall til høsten. La oss håpe, i hvert fall for denne sektoren og andre sektorers del, at ikke det skjer. Et annet spørsmål som jeg har lyst til å utfordre på, er: Hvorfor får vi ikke noe svar fra Høyre på hvorfor det er lurt å kjøpe nå, og betale senere? For det er jo det OPS er. Og hvorfor får vi ikke noe svar på hva den egentlige sluttregningen er? Representanten Gundersen sier at OPS er ingen religion. Jo, for Høyre er det blitt en religion. Så kjapt til det lokale, til Aust-Agder og litt til Vest-Agder: E39. Jeg er glad for at vi har hatt en runde der, og at det er en ny runde om rekkefølge og prioriteringer på E39. Vi erkjenner at E39 må ha en betydelig opprustning de neste årene – da tar jeg inn Kristiansand–Stavanger. Vi er glad for at rv. 9 er godt i rute. Vi merker oss at det er ønske om noen kroner til, men det får tiden vise. Jeg er sikker på

ved å flytte 3 pst. av totalrammen fra siste til første periode skal bety oppstart over ett år tidligere, sånn som Høyre hevder her i salen. Jeg er langt mer bekymret for at Tvedestrand–Arendal kan bli skrinlagt som et resultat av uenighet om bompenger mellom Fremskrittspartiet og Høyre. Når vi kommer såpass langt ut i debatten, er

påstår han. Løsningen er å gi 6 mrd. kr mer enn regjeringen de neste ti årene, til 2024 – dvs. at representanten og Kristelig Folkeparti vil stille opp med la meg si 60 mrd. kr de to siste årene. Han kan jo spørre jernbanedirektøren hvor mye hun trenger for å få det på plass. Alle skjønner at dette ikke henger på greip. Det står ikke til Det er lovnader som Kristelig Folkeparti aldri vil innfri, med den politikken de legger opp til. Arbeiderpartiet og regjeringen lover ikke mer enn vi kan holde, og har penger til. Vi har en ambisiøs plan, og den skal vi levere på. Så til Høyre – de er ikke noe bedre. En fugl hvisket meg i øret at dersom det mot formodning skulle bli regjeringsskifte til høsten, er den innstillingen vi nå behandler, grei å ta vare på. Det er mange lovnader og påpekninger av behovet for framskyndinger av små og store tiltak som Høyre ikke er i nærheten av å levere på innenfor sine økte rammer – på 6–7 pst. utover regjeringens forslag. Det er mye ord, men de skal slippe å bite dem i seg, for vi har planer om å gjennomføre vår plan de neste fire årene. Så nei, Høyre kan ikke løse alt partiet vil løse, eller finne rom til alt det sier det skal de neste fire årene, ved bare å gjenta «nye idéer», «bedre løsninger» og «behov for fornyelse» – den gevinsten har de jo allerede lagt inn som en saldering i sin alternative transportplan. Så til OPS: Høyre foreslår 17 prosjekter. prosjekter. Selv om OPS i Høyres retorikk nå har gått fra halleluja over til å bli en av metodene, er partiet fortsatt overbevist om fortreffeligheten. Hvis OPS er så fortreffelig, hvorfor er ikke utbyggingen av InterCity en del av OPS-prosjektene? Er det ikke blant de 17 viktigste prosjektene? Er Ringeriksbanen, som er det eneste OPS-prosjektet innen jernbaneutbygging, viktigere? Det kan kanskje representanten Schou svare på. Så er man kritisk til byråkrater, samtidig som man klager over at ting tar for lang tid – prosjekter er visstnok forsinket. Tenk da om ikke Vegvesenet og Jernbaneverket hadde ansatt folk for å ta seg av de økte oppgavene. Da hadde det vært ramaskrik fra Høyre. Representanten Arne Sortevik er ordførar for sak nr. 10 og kan få ordet i inntil 3 minutt viss innlegget dreier seg om sak nr. 10. Elles har representanten hatt ordet to gonger tidligere, og dersom innlegget ikkje dreier seg om sak nr. 10, vil presidenten tillate ein kort merknad på inntil 1 minutt. Saken dreier seg om E16, om det som er materielle innholdet i saken om

Fremskrittspartiet har i sitt alternative forslag til NTP lagt inn mer penger til rassikring, 6 mrd. kr mer til riksveiene og 6 mrd. kr mer til fylkesveinettet. Og vi har lagt inn en omfattende trafikksikringspakke på 10. mrd. kr totalt. Jeg minner om at E16 er en europavei. Europaveiene er Norges hovedveinett. Når hovedveinettet stenges, slik vi har opplevd med stengt stenger hovedforbindelsen. Omkjøringen – der det i det hele tatt er mulig – blir lang og dårlig. Det fikk vi på Vestlandet og i Hordaland til fulle oppleve da E16 altså var stengt i en periode på tolv dager i april i år. Stengt vei, usikker vei og dårlig vei er dårlige vilkår for næringsliv

at Fremskrittspartiets økte rammer, bl.a. til rassikring og trafikksikring av hele veinettet, også E16, vil ødelegge norsk økonomi. Tvert imot er rammen trygt forankret i SSBs beregninger. Effekten for næringslivet blir en kraftig forbedring. Effekten er altså den stikk motsatte av det de to statsrådene har advart mot her i salen. Det blir bedre vilkår for næringslivet. Det blir reduserte avstandskostnader og reduserte driftskostnader. Det blir sikrere og mer pålitelig transport når vi får veier uten ras. Ikke minst må vi sørge for at E16 mellom Bergen og Voss er en av de veiene som vil bli sikret – og som blir sikrere når Fremskrittspartiet øker satsingen på rassikring og trafikksikring.

årene. Her er det viktig med bygging av nye – eller forlengelse av eksisterende – krysningsspor. Det vil bety en reisetid fra Kongsvinger til Oslo på under 1 time. 30 pst. av den tømmertransporten som i dag går på vei, kan nå overføres til bane. I framtiden må godshåndteringen på Østlandet løses. Det er begrenset hvor mye Alnabru og Oslo Havn kan vokse. Områdene langs Kongsvingerbanen kan være aktuelle for en godsterminal eller avlastningsterminal på sikt. Der er det store nok arealer og, ikke minst, billige tomter. Elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen er nevnt. Jeg vil også nevne E6 langs Mjøsa og videre utbygging av veier gjennom Østerdalen, i Solør, mellom Elverum og Hamar og ikke minst den sammenhengende utbyggingen av gjenstående strekninger av E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Det er selvfølgelig viktig for videre vekst og utvikling i Hedmark og innlandet. Det er også viktig for Oslo-området – for å avhjelpe den befolkningsveksten som er

det. Når Gundersen klarer å si at Sønsterud ikke unner noen å tjene penger, og at det derfor skjer svært lite i Hedmark, er det – med respekt å melde – tull. Videre: Gundersen kan umulig ha fulgt med i timen når det gjelder Hedmark. Der skjer det for tiden ganske mye bra. Jeg kan ikke komme inn på alt nå, men jeg anbefaler Gundersen å følge litt mer med. Til hvor raskt man kan bygge vei: Høyre gjentar og gjentar – nå sist ved representanten Flåtten – at det ikke finnes noe prosjekt som er bygd så fort som OPS-prosjektet på Sørlandet. Jeg gjentar: Fellesprosjektet langs Mjøsa bygges like raskt. Jeg understreker: Vi er for mer helhetlige utbygginger, for forutsigbar finansiering og raskere utbygging. Det er akkurat dette som ligger i den NTP-en som vi nå behandler. Til debatten om kostnadene ved OPS og igjen til Trygve Hegnar, som har påpekt at «ingen låner billigere enn staten, fordi ingen er en sikrere betaler». Og videre: «Men med OPS tar private finansselskaper og entreprenører over hele prosjektet. De låner pengene. De bygger ut. Og sitter på en gullkantet kontrakt der fellesskapet plikter å betale leie over en periode som kan være fra 25 til 60 år.» Til slutt: planen vi nå behandler, er god. Den setter ikke norsk økonomi over styr, noe som ville ha gått ut over andre viktige samfunnsoppgaver. Planen vi vedtar i dag, vil gi full fart framover for norsk samferdsel. Det er mange som beskylder oss i Trøndelag for å være trege. Men er

og beslutningsvegring. E6 er ikke bare det viktigste samferdselsprosjektet i Trøndelag, det er landets hovedpulsåre fra nord til sør. Kommunene langs E6 sør for Trondheim har blitt enige om trasé og bompengeinnkreving. Nå er det vår oppgave å belønne den konstruktive enigheten med en rask utbygging av den viktige og trafikkfarlige veistrekningen. Det er derfor skuffende at regjeringspartiene skyver realiseringen av prosjektet ut i tid. Jeg er glad for at Høyre har et annet ambisjonsnivå enn regjeringen. Bygging av E6 mellom Trondheim og Ulsberg må sikres

særlig på E39 mellom Øysand og Thamshamn. Enda verre er det når det er snakk om lokalisering av jernbaneterminal og godsknutepunkt i Trondheims-området. Dagens terminal har begrenset kapasitet og tillater ikke en miljøvennlig overgang fra vei til bane. Tvert imot må vi regne med at en stadig større del av godstransporten til og fra Trøndelag må gå på et veinett som skriker etter oppgradering. For Trondheim kommune betyr denne forsinkelsen at byutviklingen på Brattøra blir satt på vent i ubestemt tid. Høyre viser til at transportnæringen har pekt på at en lokalisering av en jernbaneterminal sør for Trondheim er den nest beste løsningen, både transportøkonomisk og miljømessig. De involverte kommunene er også positive til en slik løsning. Mens de rød-grønne partiene i fylkestinget vil ha en godsterminal øst for Trondheim, er det stor skepsis til en terminal i de aktuelle kommunene. Som vi sier i Høyre: Hvis du vil komme raskt hjem og sikkert frem, må vi ta i bruk nye ideer og bedre løsninger. Det leverer Høyre i samferdselspolitikken.
neste taler er

at hun har klart å legge fram en så omfattende plan, og som det i realiteten er veldig stor tilslutning til. Det er ikke noen partier i Stortinget som egentlig går løs på grunnvollene i denne samferdselsplanen. Det tjener Arnstad til ære. Det går i denne diskusjonen et tydelig politisk skille i politisk skille i spørsmålet om realiseringen. Jeg for min del hørte nå et siste eksempel på dette. Det var representanten Gundersen, fra Hedmark, som var oppe her og sa at OPS ikke er en religion for Høyre. Nei, det er selvsagt riktig, for det er ideologi for Høyre.

Høyre på alle samfunnsområder– også på dette området – vil vri den økonomiske utviklingen i landet over på privat hånd. De vil at private – gjennom markedsmekanismen – skal styre utviklingen også på dette området. Religion er det ikke, men ideologi er det. Det er det som er bakgrunnen for Høyres

nå, er det et vedtak om at Ringeriksbanen skal realiseres. Nå skal den bygges. Det er ikke et endelig vedtak, men det er et vedtak som forplikter regjeringen til å planlegge Ringeriksbanen med tanke på effektiv gjennomføring.

krone for krone. Det må vere lov å seie at det er ein forskjell på regjeringar som lovar, og regjeringar som følgjer opp, krone for krone. Det må vere lov å seie at erfaring tel. Kven her i denne sal ville bygd seg eit hus utan å vere trygg på at entreprenøren sette av nok midlar til å fullføre huset? Det må bety

Så skal veljarane gå tre steg lenger nedover gata, og der møter dei Helleland. Representanten Helleland kjem til å seie at er det ein ting dei kan vere sikre på, er det at bompengane kjem til å bestå, for elles kjem vi ikkje til å klare å byggje dei vegane vi har lovt veljarane. Vel, eg meiner ikkje at dette er ein bagatell. Det er ikkje mogleg for den veljaren å kome forbi dei to buene og vere sikker på kva han får dersom ein skulle hamne i ein situasjon med ei blå-blå regjering. Nye det skapar stor verdiskaping og økt sysselsetjing. Det er veldig bra at distrikts- og regionalmeldinga òg peikar på kva dette aspektet betyr for vegbygginga. Gjennomgangstrafikken er ein stor del av trafikken på ein veg, men ikkje minst er i veldig mange tilfelle den lokale trafikken, den trafikken som er alt frå kollektivtrafikk til minst like stor. Derfor er det svært viktig at regjeringa òg vektlegg det prinsippet når ein skal byggje vegar og velje trasear osv., osv. La meg til slutt få nemne Stad skipstunnel. Det er jo særleg gledeleg for alle dei av oss som har jobba med det prosjektet å sjå at det no er løfta endå eit stort og viktig Det betyr at vi i fellesskap er eit steg nærare å nå målet om at meir transport skal over frå vegane våre og til kjøl, noko som er ei målsetjing eg har forstått at vi står samla om. Regjeringas nasjonale transportplan innebærer sterk prioritering av vei, bane og havner. Vi reduserer avstandskostnadene, og det er

betales alle pengene som veien koster, i 2013. En rik stat betaler kontant. En trenger ikke å utsette betalingen i framtidige avdrag med renter. Det er riktig, det gir oversiktlighet over statens utgifter, og alle beløp er innenfor handlingsregelen. Imidlertid er dette meget krevende når en skal prioritere samferdselsinvesteringer etter kontantprinsippet opp mot velferdsforbedringer, som vi vet vil være løpende utgifter hvert år framover. Derfor er det ekstra bra det som her skjer, hvor en klarer å prioritere investeringer så høyt opp. Samtidig er det viktig at regjeringa viser endringsvilje. Regjeringa har i kapittel 6.2 i NTP beskrevet sitt ambisjonsnivå: forutsigbar finansiering og rasjonell gjennomføring. ny ordning for særskilt prioriterte prosjekt, hvor det er framdriften i prosjektene som bestemmer bevilgningene til de prioriterte prosjekt, viser fornyelse i organisering av investeringene. Men fornyelsen holder fast ved kontantprinsippet: ikke la kommende storting betale gamle investeringer, ha politisk styring av statens på samme måte som i fylkesting, fordi infrastrukturen er viktig for folk – og punkt tre: god prosjektledelse fra vegvesen og jernbaneverk og tilrettelegging for konkurranse blant store og små entreprenører. Sokna–Ørgenvika er et eksempel på denne nye modellen. En dyktig entreprenør, Hæhre, har hovedprosjektet, og det er dyktige anleggsledere fra staten. Det går på skinner, det er foran sin tid. Høyres hovedtalsperson, representanten Helleland, sier mye om mindre politisk innblanding, ny utbygging og finansieringsmodeller – OPS og det hele – og kommer til punktet om hvordan en skal løse den gordiske knute. Det skal de klare greit. Det ligger i forslagene nr. 62 og 63, hvor Høyre nå har gitt sin tilslutning til Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis tidligere løsning, nemlig å omdanne Jernbaneverket og Statens vegvesen til egne økonomisk-juridiske selskap som kan låne penger, dermed omgår en handlingsregelen. Det er glitrende, men en helt feilaktig løsning. Rike stater betaler kontant og ønsker politisk prioritering av disse nøkkelinvesteringene.

men som er totalt avhengig av bevilgninger fra år til år. Så lenge jeg har vært politiker, både kommune- og fylkespolitiker, har jeg hørt om sårt tiltrengte samferdselsprosjekt som det tar altfor lang tid å få ferdigstilt. Det skrytes på inn- og utpust i denne sal i dag over den historiske satsingen på samferdsel, men ingen nevner at det faktisk er den som må betale det til syvende og sist. Ja, det er en historisk satsing og et historisk løft, men det er faktisk på bompengeområdet. Det er det som er virkeligheten med dagens NTP. Vi trenger politisk vilje og handlekraft for å få plass til de utfordringene vi har på samferdselssiden. Statsråd Arnstad sa at vi ikke må bygge veier dyrere enn Ja, det er en historisk satsing og et historisk løft, men det er faktisk på bompengeområdet. Det er det som er virkeligheten med dagens NTP. Vi trenger politisk vilje og handlekraft for å få plass til de utfordringene vi har på samferdselssiden. Statsråd Arnstad sa at vi ikke må bygge veier dyrere enn vi trenger – men det er jo akkurat det denne regjeringen gjør. Vi låner ut billig til utlandet sånn at de skal få bygge veier, vi bygger veier med nedbetaling, vi bygger stykkevis og delt – det er heller ikke lønnsomt. Vi må tenke nytt, og det er det kun Fremskrittspartiet som tør å gjøre. Vi har alltid

Fremskrittspartiet er bekymret over utviklingen vi har i dag. Vi må tenke nytt. Vi må få på plass et infrastrukturselskap etter samme modell som Statnett og Avinor. Fremskrittspartiet har ambisjoner, og vi har vilje. Stadig flere ser nå at den rette veien å gå er å få på plass et slikt selskap. Jeg vil si til Martin Kolberg: Ja, det er ideologi, men det er også politisk vilje. vilje. Fremskrittspartiet har de ambisjonene. Jeg er stolt over å kunne være med og representere et parti som tar disse utfordringene på alvor, og som viser politisk vilje til å satse på samferdsel.

I Trondheims-området venter vi en betydelig befolkningsvekst. Fram mot 2040 er det ventet at befolkningen skal øke med over 30 pst. til 340 000 innbyggere. Trondheimspakken, Miljøpakken i Trondheim, har vært og vil fortsette å være et helt sentralt verktøy for å sikre en positiv utvikling med hensyn til byutvikling, reduserte CO2-utslipp og bedre framkommelighet for alle trafikantgrupper. I Miljøpakken er det prioritert å videreføre utbygging av hovednettet for å avlaste veinettet i de sentrale byområder. Det er stor enighet om intensjonene i bypakken. Det eneste det har vært uenighet om, er byrdefordelingen mellom Trondheim og omkringliggende kommuner. Derfor er jeg glad for at man slår fast i proposisjonen at når det nye bompengeopplegget har vært i drift i et år, skal det gjennomføres en evaluering for å vurdere om bompengeinnkrevingen og bruken av er innrettet slik at det samsvarer med nytteprinsippet. Jeg vil påstå at fortsatt realisering av Miljøpakken – og alt annet i denne transportplanen – er avhengig av fortsatt rød-grønn regjering. Dagens opposisjonspartier har vidt forskjellige løsninger på samferdselsutfordringene. Ikke er de enige om finansieringsmodell, og ikke er de enige om veien videre. Senterpartiet legger stor vekt på utviklingen av E6 som en av de viktigste transportårene i landet. Det er flere store og viktige prosjekter under bygging, og mange vil starte opp i løpet av planperioden. Senterpartiet er glad for at det vil bety at reisetiden på E6 Trondheim–Oslo vil bli vesentlig redusert, og trafikksikkerheten bedres. Senterpartiet mener at det er positivt at de berørte kommuner og fylkeskommuner har en felles enighet om utbyggingen av strekningen E6 og rv. 3 i Sør-Trøndelag sør for Trondheim – med egenfinansiering. Det er særdeles positivt at strekningen E6 Trondheim–Oppland grense, samt rv. 3, ses under ett, som et helhetlig prosjekt. Luftfart er også en viktig del av helheten. Forutsigbar drift av kortbaneflyplassene er umåtelig viktig, også i Oppbyggingen av Ørland som Norges kampflybase vil øke behovet for sivil rutetrafikk, spesielt mellom Oslo og Ørland. Derfor er det gledelig at Samferdselsdepartementet nå tar sikte på å inngå en driftsavtale med Ørland kommune innenfor en ramme på 3 mill. kr i året. Når det gjelder eierskapsmeldingen om Avinors virksomhet, vil jeg spesielt vise til samfunnsoppdraget. Kortbanenettet er en viktig del av infrastrukturen i landet.

reduseres med én time. Det vil ha svært store regionale ringvirkninger. De største mengdene av varetransport og fisketransport i landsdelen går her i dag. Oppgraderingen av kapasiteten på Ofotbanen er også svært viktig – 1,6 mrd. kr til flere krysningsspor til en av landets mest trafikkerte jernbanestrekninger. Det er i planen også annonsert at i forbindelse med revideringen skal det foreligge ferdige helt nødvendig. I dag trafikkeres banen av fire godsselskap som ber om betydelig økt kapasitet. Jeg ser at Høyre og Fremskrittspartiet foreslår privatisering av Ofotbanen – en konkurranseutsetting av driften. Det er ikke overraskende, men det er et meningsløst forslag. Om det blir gjennomført, vil høyst sannsynlig driften bli overført til LKAB og den svenske stat. Jeg er også glad for glad for en klar og tydelig annonsering av bygging av ny stamruteflyplass på Helgeland. Det er viktig i denne sammenhengen at statsråden bidrar til at den annonserte konsekvensutredningen i regionen blir gjennomført raskt, slik at byggingen kan påbegynnes så snart som mulig. Det er også gledelig og viktig at det er kommet klare merknader om at man forventer en forsterkning av Nordlandsbanen mellom Mo i Rana og Dunderland, slik at denne banestrekningen kan tåle større – et spennende initiativ for å elektrifisere Nordlandsbanen, en jernbanetrasé for malmtransport i tilknytning til Rana Gruver. Nasjonal transportplan vil bety et svært stort løft for transport og samferdsel i landet, ikke minst i den nordnorske landsdelen.

spesielt siden flere – også statsråden – har vært inne på at det å bruke metoden OPS er det forbundet veldig mye godt med. Det bør man ta med seg videre. Lundteigen sier at det er ingen av de rike som låner penger – nei, de betaler kontant. Ja, hvis investeringsbehov og betalingsevne er lik, så er det klart man gjør det. Men når oppgavene er større, ser man etter andre måter å gjøre det på. Det er fornuftig. Det gjør vi i alle mulige andre sammenhenger. Så er det denne investerings- og finansieringsbiten ved OPS. Jeg kommer på Ibsen, som tillegger en av sine figurer i Peer Gynt et utsagn: «Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet originalest.» Med så mange forutsetninger som de rød-grønne tydeligvis har lagt inn i regnestykkene, må det bli galt. Jeg lurer på om de rød-grønne kan svare på følgende – med utgangspunkt i f.eks. veien vi har bygd på Sørlandet: Hvor mye har samfunnet tjent på at den veien kom på plass tidligere? Vi har mange regnestykker på det lokalt, men hva er da lagt inn i en sånn pakke? Hva hadde det utfordrende sulfidholdige fjellet, som ble langt mer omfattende å behandle enn det som var tenkt, De betydelige telehivene som ble utbedret omgående – hva hadde det kostet ekstra, eller hadde det blitt reparert? Stengingen av en sånn vei påvirker hva man skal betale operatøren. Ulykker på veien gjør det samme. Hvor mye sparer man i reduserte ulykker ved at Hvor mye av kapitalen til denne veien skal lånes? Jeg oppfatter at de rød-grønne sier at alt skal lånes. Ja, da er det klart at regnestykkene blir sånn. Det har vi på ingen måte sagt – avskrivningstid, vedlikeholdskostnader – her er det mye som er galt. Derfor blir også resultatet galt. Så må jeg også en liten tur tilbake til E18 i Aust-Agder, der disse planleggingsmidlene forsvant. Jeg oppfattet at representanten de Ruiter ikke kunne forstå

at den er et planlagt, massivt hjerteinfarkt. Og hjertet i en sånn kommunikasjon ligger rett nede i gata her og heter Oslo sentralbanestasjon. Oslo vil være hjertet for kommunikasjonen i Norge. Det å ikke begynne å planlegge bygginga av en ny Oslotunnel mener jeg er et planlagt, massivt Regjeringa har sagt at den skal utrede trafikkforholdene i Oslo. Det mener jeg er en bortkastet byråkratjobb. Man skulle ha gått rett på og begynt å planlegge tunnelen. Tunnelen er sjølve nøkkelen til å få alle de store transportsystemene i framtida til å fungere. Den er nøkkelen for å få alle disse lemmene til å fungere helt optimalt. handler om at du skal ha et hjerte som pulserer, som har energi, og som har trykk nok til å klare å serve hele landet. Det regjeringa her gjør, er å sette en masse byråkrater til å vurdere de samlede trafikkforholdene i sentrum, mens de burde ha brukt dem til å planlegge en av de viktigste nøklene for å få de store transportsystemene til å fungere, nemlig en ny Oslotunnel. Jeg kunne hatt mange innvendinger, men på 3 minutter rekker jeg to, den andre innvendinga mi til regjeringas transportplan er at det strengt tatt ikke er en plan. Det er en oppsummering av en hel mengde enkelttiltak som tydeligvis er forhandlet hardt mellom tre partier. Det er ingen som har satt seg ned og tenkt ut hvilke samferdselssystemer vi trenger for å takle klimautfordringene, for å takle befolkningsveksten i deler av landet for å takle de utfordringene vi har når det gjelder næringslivets behov for å frakte tingene sine. – Hvilke utfordringer har landet som nasjon? Nei, man har sittet og forhandlet om enkeltprosjekter seg imellom – gjerne i telefonkonferanser og sikkert i sene nattetimer – hvis vi skal tro andre medlemmer og statsråden. Men det er ingen plan for samferdsel. det er ingen plan for samferdsel. Det er ingen plan for å takle de store utfordringene vi står overfor, verken for å få næringslivet til å vokse over hele landet, for å takle de store klimautfordringene eller for å gjøre trafikken sikker for folk. Det er mine to store innvendinger mot den planen som ligger der. Og det er de to tingene Venstre svarer på i vår alternative NTP som vi har lagt fram i dag. Det har vore heilt tydeleg at dei raud-grøne sin strategi i dag er

som det er knytt usikkerheit til etter 9. september. Ingen konkrete prosjekt er nemnde som det er usikkerheit til. Ja, utbygginga av InterCity kjem. Med eit nytt fleirtal kan det vere at full InterCity kjem litt tidlegare. Det trur eg det norske folket kan leve godt med. E39 – ja, med eit nytt fleirtal kan det vere at den kjem kjappare. Det Det trur eg òg ein kan leve godt med. Sånn kunne eg ha gått igjennom sak for sak. Det me kan summere opp med, er at eit nytt fleirtal er einig om ei større satsing og ei fornying av sektoren. Så er det interessant å høyre statsråden om OPS. Eg synest jo Marit Arnstad gjer ein mykje betre jobb enn sjefen sjølv, Jens Stoltenberg, når ho snakkar om dette. For ho er truverdig når ho seier at denne byggjemetoden er betre, både når det gjeld drift, vedlikehald, risiko og andre forhold. Men det blir ikkje truverdig når statsminister Stoltenberg går til åtak på denne modellen med å seie at ein ikkje må lånefinansiere, og at ein ikkje må kjøpe på avbetaling når det er nettopp det regjeringa gjer

Så ber representanten Gorm Kjernli meg om å ta ein prat med jernbanedirektøren om InterCity. Det har eg gjort. Det jernbanedirektøren har sagt og Jernbaneverket seier, er at det optimale er å byggje full InterCity på 13 år. Det er det me ber regjeringa å kome tilbake med ein plan om, og det vil me følgje opp. bymiljøavtalane er svært positive. Me ser ei positiv utvikling i mange byar, og eg trur nettopp det som har skjedd på det området, har vore ein av grunnane til det. Det fine med å ha iPad tilgjengelig i salen er

også Venstre om de aller fleste – vil slutte opp om. Så forlanges det fra de rød-grønne i salen at her skal vi avlevere en samarbeidserklæring, der alt er spikret. Jeg hørte Audun Lysbakken i går snakke om at han skulle inn og forhandle Soria Moria III. Jeg tror han skal få slippe det, men han hadde klare krav, der han var uenig med dagens partnere i regjeringen. I oktober var det en klok mann – tror jeg det var mange som syntes her i Det er dårlig folkeskikk å skulle forhandle på forhånd. Man forhandler etter et valg, avhengig av det tyngdepunktet man har, sa Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen. Så unnskyld meg, det å forlange at det skal være en full enighet på alle områder før et valg, tror jeg ikke engang de rød-grønne selv tror på. Ellers hadde det jo blitt en ganske kjedelig valgkamp. Men det det er enighet om her – blant opposisjonen – er at vi faktisk har et ambisjonsnivå som er høyere enn dagens regjering. Alle partier ønsker å øke bevilgningene. Høyre ønsker å bruke en annen metode, nemlig OPS. Der har vi støtte av Kristelig Folkeparti, og vi har også fellesmerknader med Fremskrittspartiet om at OPS som metode kan være interessant. Så er det ulike oppfatninger av om en skal si ja eller nei til bompenger. Der vil da Raymond Johansens utsagn om styrken etter valget kunne komme inn og være med og bidra til en avklaring av det. Jeg må si det er interessant å høre de ulike innleggene på rød-grønn side. Jeg synes samferdselsministeren, som tross alt har størst makt på dette området, hadde et veldig

Liv Signe Navarsete, Magnhild Meltveit Kleppa og Marit Arnstad har alle tatt til orde for prosjektorganisering og prosjektfinansiering. De har ikke fått gjennomslag. De har fått noe usle småprosjekt som kalles prioriterte prosjekter i denne Nasjonal transportplan. Jeg skulle ønske i denne saken – og det er sjelden jeg ønsker det – at Senterpartiet i hvert fall ved de tre nevnte ministrene hadde fått større gjennomslag. Slik taler

Det er sjølsagt viktig å ha bensingjerrige biler, miljøvennlige biler, men det aller viktigste er å legge til rette for at en ikke trenger å reise på arbeid. Når vi nå har den teknologien vi har med Internett og bredbåndsteknologi, har vi en utrolig mulighet til å redusere arbeidsreisene dersom vi fikk en tilbudsstyrt utbygging av fiber til alle hus i Norge. Det omfattes ikke av denne meldinga, men det er en prioritert oppgave framover. På samme måte som vi fikk telefon fram til alle hus, må vi få fiber fram til alle hus. Da kan en utføre sitt arbeid fra der en bor. Det er den virkelig gunstige klimaløsninga. Ellers vil jeg si at i den NTP-en som vi nå drøfter, har det vært et grundig arbeid i fylkene, og det har vært en lydhør regjering for de rød-grønne fylkespartiene. En har fulgt opp fylkenes prioriteringer der hvor planlegging er kommet langt nok. Fylkene prioriterer, de En har fulgt opp fylkenes prioriteringer der hvor planlegging er kommet langt nok. Fylkene prioriterer, de rød-grønne partiene følger opp det som fylkene prioriterer. For Buskeruds vedkommende er jeg særdeles godt fornøyd. Oslofjordforbindelsen, rv. 35 Åmot, rv. 7 over Hardangervidda og E16 Sandvika–Hønefoss – alle disse veiprosjektene er fulgt opp, og det skal være videre trykk på dem for å få planleggingsprosessen videre. Jeg ser at vi blir angrepet av representantene fra Høyre med tanke på rv. 35. Da vil jeg bare si: Hvis Høyre kanskje bistår sin Høyre-ordfører i Øvre Eiker og får framdrift i planlegginga, går det kanskje noe lettere. Det skal ikke stå på de rød-grønne partiene. Så til Ringeriksbanen: Ringeriksbanen, forkortelse av Bergensbanen, Bergensbanen, er en utrolig sentral sak, og det er svært gledelig at regjeringa sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti har sagt at det ikke er nødvendig med ny konseptvalgutredning. En må ha høy framdrift, men da må vi være klar over: Den banen skal gå gjennom noen av de viktigste kulturlandskapsområdene vi har i Norge – med matjord, med en rekke historiske områder og med fugler og dyr. Da må en tenke videre for å dempe konfliktene. Samarbeid mellom holeværinger og hallinger, mellom stat og kommune, er avgjørende. Det gir raskere framdrift, og da er miljøtunnel, slik at jordbruk og kulturlandskap ikke ødelegges, et av nøkkelvirkemidlene framover.

av. Så er det noen som har vært opptatt av samarbeid og det å være enig på borgerlig side. Til det har jeg lyst til å si at ja, jeg har opplevd at Høyre mente at det var noen gordiske knuter, og knuter er til for å løses. Det blir veldig bra når man løser dem opp. Så var det noen fra Kristelig Folkeparti som pratet om julenissen. Jeg vet i hvert fall at julenissen er en snill kar som sørger for at man får gode ting. ting. Det er noe av det som ligger i Fremskrittspartiets alternative forslag til Nasjonal transportplan. Så må jeg si at jeg er litt skuffet, når jeg ser at de partiene som vi skal samarbeide med, sier at vi skal ha en massiv satsing og se på nye og bedre måter å gjøre ting på, og så er det omtrent bitte litt mer enn det regjeringen legger opp til. Men jeg er overbevist, for jeg leser merknadene deres og ser at de vil ha gjort mye mer. Fremskrittspartiets alternative NTP er et bevis på at det finnes penger, og at det er muligheter for å bygge Norge og for å bruke de mulighetene som er der. Det er der vi viser vei. Jeg er overbevist om at når vi kommer så langt, skal vi få til gode løsninger på det. Det må jo være et paradoks når noen sier at vi ikke kan klare å få det til uten bompenger, for Sverige har ikke et oljefond på 4 000 mrd. kr, men de bygger virkelig vei i et helt annet tempo – både motorvei og midtdelere – enn det vi gjør i Norge. Så må jeg innom to prosjekter. Det ene er E6 Kolomoen–Brumunddal. At man ikke skal starte opp på en av Norges mest ulykkesutsatte strekninger før etter den første fireårsperioden, er skammelig. Jeg synes det er trist at det er folk i denne sal som jubler for at man skal vente i fire år for å komme i gang med å bygge veien på en av de mest ulykkesutsatte strekningene. Vi synes det er altfor passivt. Så har jeg lyst til å vise til forslag nr. 44, og så håper jeg at de passivt. Så har jeg lyst til å vise til forslag nr. 44, og så håper jeg at de vi skal samarbeide med etter 9. september, også tar til fornuften og støtter forslag nr. 44 i dag om skikkelig utbygd firefelts motorvei på E18 gjennom Bamble – med 23 meter og ikke 20 meter som regjeringen legger opp til. Alle nødetater, kommunen, alle er oppfatt av å få en firefelts motorvei med 23 meters veibredde. Jeg skulle gjerne håpe at regjeringen også tok til fornuften og sørget for en skikkelig firefelts vei. Dessverre ser det ut til at de ikke er opptatt av å tenke fremtidsrettet, men å tenke nåtidsrettet. Fremskrittspartiet og en ny regjering vil være opptatt av å tenke fremtidsrettet og bygge for fremtiden, ikke for

det som veiprosjektene betaler, er ikke statsrente. Det er 3,51 pst. rente, har den rød-grønne samferdselsministeren sagt. Jeg kunne gått til Statens pensjonskasse og lånt penger til 2,2 pst. rente i dag. Men bompengeprosjektene i Norge betaler altså Det er altså ikke den billigste måten å finansiere det på. De rød-grønne partiene velger her å organisere veibygging på en kostbar måte, ikke på en billig måte. Jeg håper de noterer det, slik at de rød-grønne politikerne forstår hva de er med på. Kommunalbanken har selv laget en presentasjon, og på slide 9 og 10 har de en liste med de største bompengeprosjektene de har vært med og finansiert. Når representanten Lundteigen sier at en rik stat betaler veien kontant,

Vi betaler ikke våre veier kontant, vi lånefinansierer dem, og så øker vi kostnadsnivået og skattenivået for våre bilister, som må betale ned lånet direkte til bompengeselskapet, ikke via skatteseddelen. Dette er å skyve regningen foran seg. Rød-grønne politikere i denne sal snakker om at OPS er en styggedom. OPS er en styggedom. OPS er en fornuftig måte å organisere og planlegge på, men det er en dårlig måte å finansiere på. Men bompengene til de rød-grønne partiene er akkurat like dårlige, for da låner man også penger som nedbetales over tid. Er det så fryktelig vanskelig å forstå? Samtlige rød-grønne politikere som tar ordet her, later som at verden ikke er sånn. Kanskje er det på tide å ta et lite oppgjør internt i partiene og få ting på plass? «Hvorfor OPS?», spurte representanten Kolberg. – Jo, det er nettopp fordi en skal lure handlingsregelen. Hvorfor bompengesystemet? Av samme grunn – fordi en ikke vil bevilge egne penger fra oljefondet direkte til veiutbygging i Norge, og derfor låner en andres penger til å gjøre det samme. Men en lurer seg selv. Det er en dårlig investering – det er dårlig bruk av skattebetalernes penger, og det er dårlig bruk av bilistenes penger. Derfor er Fremskrittspartiets løsning, med et eget investeringsselskap,

og deri ligger også svaret. Med en kontrollert og planmessig bruk av offentlig–privat samarbeid er det fullt mulig å gjøre dette. Jeg tror også at Arbeiderpartiet må avklare tydelig om det er slik at man er imot at private som etablerer bedrifter, tjener penger, skaper arbeidsplasser og sikrer velferden, at man mener at de ikke lenger skal gjøre det. Høyre er opptatt av togbygging og intercitytriangelet – ikke til Halden, men til Kornsjø ved svenskegrensen. For de som ikke er kjent i geografien: Det er noen mil fra Halden til svenskegrensen, og det vil bli neste «missing link» hvis ikke regjeringen tar inn over seg at det er dit intercitytriangelet skal gå. Men ambisjonene er bare det såkalte indre intercity «light» – til Seut. Da setter man Fredrikstad kommune i en kjempeskvis, fordi det mangler avklaring for mange eiendommer og dets like, fordi man ikke tar skrittet fullt ut og bygger intercity helhetlig gjennom Fredrikstad, ordner opp med stasjon og får dette som et prosjekt i et eget selskap med en tilsvarende finansiering. Jeg hørte på representanten Eldegard, som var veldig fornøyd med at også Follobanen nå hadde fått sin egen linje på statsbudsjettet. Det har den hatt i åtte år. Hva har det gitt? Ikke et spadestikk – før kanskje i 2014. Kostnadene var ved oppstart 9 mrd. kr, men er nå estimert til 23 mrd. kr. Det er den måten regjeringen ønsker å prioritere finansieringen på – de synes det er bra finansiering. Dagens regjering prioriterer heller ikke mer til samferdsel enn Bondevik II. Det er fortsatt omtrent samme andel av statsbudsjettet, og dagens regjering har også 300 mrd. kr mer til rådighet enn det Bondevik II hadde. Derfor blir sammenligningen fra posisjonen ganske useriøs. Det som er viktig, er jo hva man får til av resultater, og så langt er det en av ti prosjekter er forsinket, og de er dyrere. Så til noen enkeltprosjekter. Det er overraskende for meg at regjeringen ikke benytter anledningen i denne transportplanen til å si at Moss Lufthavn Rygge skal ha de samme konkurransevilkårene som andre flyplasser. Men sjansen kommer igjen til høsten. høsten. Når det gjelder det å bygge dyrt og vanskelig, har jeg lyst til å henlede oppmerksomheten på E18, som fikk sitt første vedtak lokalt i 1989 – Forsert utbygging av E18 med bompengefinansiering. Det er altså de milliardene fra den starten og til nå som man har sløst med, og det er det regjeringen ønsker å fortsette med. Det finnes vedtak her i Stortinget som denne regjeringen ikke har oppfylt. La meg ta dere med tilbake i tid. I 2006 hadde sørlendingene sovevogntilbud. Det forsvant. I 2008 fikk vi et vedtak om at det skulle komme på plass igjen. Det var min kjære, tidligere kollega Rolf Terje Klungland som fikk dette gjennom i et budsjett. Dette sovevogntilbudet har vært viktig for Sørlandets befolkning. Rolf Terje Klungland og undertegnede har gjentatte ganger etterlyst dette tilbudet. NSB ønsker fortsatt med et lite skilt sørlendingene Problemet er bare at de må vente til klokken er halv to før de kan gå om bord. Det gjør ikke noe for et b-menneske som meg, men ikke alle sørlendinger er det. Tre statsråder har sittet og styrt siden dette vedtaket. Det er statsråd Meltveit Kleppa, statsråd Navarsete, og nå har vi en ny statsråd, som har en siste sjanse til å kunne klare å få dette til. Jeg hadde tenkt at det var en glemt sak. Men så toppet det seg for sindige sørlendinger da forslaget om å ta vekk sovevognene i Rogaland kom. Da våknet de rød-grønne. Dette forslaget, som ville ført til to timers frekvens på Sørlandsbanen, ble sporenstreks stoppet, for det var så viktig å få lov til å sove seg til Oslo. Dette alternativet ville vært bra for sørlendingene også for de blant oss som ikke er b-mennesker. La meg slå fast: Vi unner rogalendingene å sove seg gjennom den vakreste landsdelen, på vei inn til Oslo til viktige møter. De må for all del ikke tenke på oss sørlendinger, som står på perrongen midt på natten og fryser. Det står: «Vi skal ikkje sova bort sumarnatta». Jeg føyer til: Du skal stå på perrongen og vente på et tog og et vedtak som Stortinget har fattet, men som regjeringen ikke har fulgt opp. God natt! Det er fremdeles en stund til det blir natt, så neste taler er representanten Anne Marit Bjørnflaten. Representanten Aspaker hevdet tidligere at det ville bli mer penger til

Men denne debatten har ikke brakt noen avklaringer om finansiering. Kanskje vil InterCity realiseres tidligere, men da kan ikke Venstre og Kristelig Folkeparti bare legge inn en tiendedel av hva det faktisk koster. Kanskje vil E39 realiseres med en blå-blå regjering, men da må faktisk opposisjonspartiene bli enige om om man skal bygge ved hjelp av bompengefinansiering, eller ikke. Fortsatt vet vi altså ikke skjebnen til de 56 bompengeprosjektene som skal startes opp i neste periode, og denne debatten har vist at avstanden er like stor mellom partiene på borgerlig side. Denne debatten har ikke brakt oss ett skritt nærmere det som er viktigst å få et svar på i forkant av valget, nemlig: Hvordan ser opposisjonen for seg at man skal finansiere samferdsel? Representanten Helleland sa at vi ikke kan forvente at opposisjonen skal være enige om alt. Det gjør vi heller ikke – vi forventer ikke det. Vi forventer at de skal gi oss et svar på det vesentligste. Derfor vet vi heller ikke noe om det reelle ambisjonsnivået til opposisjonen, før vi har fått svar på hvordan opposisjonen ser for seg at man skal finansiere samferdsel. Helleland uttalte seg også ganske hånlig om ordningen med utpekte prosjekter. Da tror jeg med respekt å melde at han ikke helt kan ha forstått hva det handler om. På komiteens høring var Byggenæringens Landsforening langt mer positiv. De sa at hvis det regjeringen foreslo, ble gjennomført, ville det være julaften og 17. mai på en gang – en ganske god attest fra nettopp dem som er de viktigste aktørene, og som vet hva dette dreier seg om.

Den påstanden blir ikke riktigere av å bli gjentatt. Den baserer seg på en misvisende statistikk, som ikke er dekkende for gjennomføringen av den eksisterende NTP. Jeg er helt enig i at det er mye som kan gjøres for å få mer igjen for hver samferdselskrone, og det er et viktig tema i den NTP-en som i dag behandles og blir vedtatt. Det er også riktig at det er flere ansatte i Statens vegvesen og i Jernbaneverket. Det er flere hender i arbeid. Men nei, det er ikke byråkrati, det reflekterer rett og slett at det har vært en sterk økning i oppgavene og en sterk økning i investeringene. Det trengs folk både til å planlegge og til å være med å bygge ut. Det trengs rett og slett ingeniører og planleggere. Så er det slik at jeg skilte mellom OPS som organisering, altså byggemetode, og finansiering – det er helt riktig.

både raskt og sammenhengende og også la samme aktør få ansvaret for drift og vedlikehold over en lengre periode. Det er det fullt mulig å gjennomføre innenfor dagens regime. Det er også en av de tingene vi kommer til å gjøre mer av i årene framover. Det er ikke riktig at det ikke er skapt noen usikkerhet om opposisjonens uenighet om finansiering i dag – det er det. Det er skapt usikkerhet om alle de 56 prosjektene som er bompengefinansiert, og som ennå ikke er vedtatt av Stortinget, men som ligger i dagens plan. Dem er det skapt konkret usikkerhet omkring. Hva kommer opposisjonspartiene til å gjøre med de 56 prosjektene dersom de skulle komme til makten? Det er egentlig litt uinteressant hva Fremskrittspartiet og Høyre mener hver for seg. Det eneste interessante er hva de har tenkt å bli enige om sammen, og hva slags finansiering de skal bli enige om, når de er så fundamentalt uenige. Den gordiske knuten blir ikke løst opp; den må nok hogges over.

Bare en liten kommentar til representanten Harberg: Det å flytte på 3 pst. av totalbeløpet fra andre til første periode kan jeg ikke se fører til noen særlig raskere oppstart – maksimalt en måned raskere oppstart for Tvedestrand–Arendal. Det kan neppe sies å være noen stor revolusjon. Men da må først Høyre og Fremskrittspartiet bli enige, og det tror jeg nok blir en større utfordring. Så har jeg en bekjennelse å komme med. Jeg sa tidligere i dag at Høyre og Fremskrittspartiet bli enige, og det tror jeg nok blir en større utfordring. Så har jeg en bekjennelse å komme med. Jeg sa tidligere i dag at Høyres syn på OPS nærmest var religion. Jeg slutter meg til representanten Kolbergs korrigering, at dette ikke har noe med religion å gjøre; dette er ideologi. Så Høyres OPS-holdninger har med ideologi å gjøre. Representanten Per Olaf Lundteigen har hatt ordet to ganger

Når det er slik at staten låner fra private, er argumentasjonen for det at en derigjennom kan trekke inn privat kjøpekraft. Det er det eneste argumentet for at offentlige bompengeselskaper finansieres privat. Det som imidlertid er problemet, er: Hvordan kan Fremskrittspartiet gå inn for å omgjøre Vegvesenet til en egen økonomisk-juridisk enhet? Jo, det er utelukkende fordi den enheten kan låne penger. En vrir seg utenom handlingsregelen. Det er poenget. En investerer mye i dag. Regningen betales av de kommende storting. Det er ikke klokt. Representanten Janne Sjelmo Nordås har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Mye tyder på at debatten er i ferd med å gå mot slutten.

Når vi i tillegg vet at disse to partiene har gitt løfter om skattekutt i milliardkronersklassen, tror jeg prioriteringene blir veldig krevende på blå-blå side. Nei, politikk handler ikke om å love mest, men om å gjennomføre det en lover. Det har den rød-grønne regjeringen gjort i to transportplaner, og det skal den fortsette med å gjøre.

føreslått å utgreia ein arm frå Odda mot Bergen. Det er slett ikkje det me har tenkt å gjera; me har tenkt å styrkja E134. Me har òg føreslått at vegen skal forlengjast til Drøbak og koplast på E6. Representanten Kambe sa at dette var eit «stunt» frå oss, og representanten Thorsen var veldig redd. Me skal ikkje ta

ned, er faktisk representanten Bjørnflaten, for hvor mange ganger har vi ikke hørt her ordførere og politisk ledelse i Tromsø bli skjelt ut. Jeg tror faktisk man skal respektere dem som folket har valgt ved valg. Bompenger er dyrt. Den beste måten er å kontantfinansiere – og gjerne gjennom selskaper som blir finansiert med et statlig fond. Bompenger fordyrer – og regningen sendes til bilistene – med minst 35 pst. mer enn det prosjektet koster. Det er en dårlig måte å investere på. Representanten Knut Arild Hareide har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt – dersom det ikke dreier seg om sak nr. 11, som representanten Hareide er saksordfører for. Da har han 3 minutter.

og OPS-finansiering. Så har det vore spørsmål om tillit og usikkerheit. Ja, vi kan sjå på kva veljarane seier. Sju av ti veljarar har tru på at eit skifte vil gi ein betre samferdselspolitikk etter valet den 9. september. Til slutt eit lite hjartesukk: Det har vore snakk om mange nytilsette byråkratar, dyktige fagfolk, planleggjarar innanfor samferdselsetatane. Eg meiner

han snakkar om bompengar. Han veit veldig godt at bompengar er Høgre med på, Venstre er med på det og Kristeleg Folkeparti er med på det, men han lèt vera å nemna det bevisst for å unngå å koma i den konflikten som er i salen knytt til finansiering. Eg synest det er litt uærleg at han ikkje vil innrømma at han har eit problem, når Framstegspartiet faktisk skal ut med 95 mrd. kr meir enn dei andre partia, bompengar inkludert. Då må det nødvendigvis vera nokre konfliktar som ligg der og ulmar, men som han ikkje vil snakka om og teier stille om, og at han berre køyrer på det temaet som ein trur er lurt. Så er spørsmålet om han kan lura seg sjølv på den måten? Kan det kan lura seg sjølv på den måten? Kan det vera sånn at veljarane faktisk oppdager at det er veldig stor forskjell på Bård Hoksrud, Trond Helleland og Knut Arild Hareide når det gjeld spørsmålet om korleis ein skal finansiera samferdsel? Dersom ein går til dei store vegprosjekta som skal finansierast med bompengar, vil dei ikkje bli finansierte. Det gjer for så vidt ikkje meg noko, men det betyr at

– ikkje berre sitja på tribunen og seia at dei har pengar til alt. Då vil ein ikkje ha pengar til alt. Men det vil dei tydelegvis ikkje gjera, og det er då det begynner å bli interessant. Eg håpar Ketil Solvik-Olsen tar opp dette med korleis han skal nærma seg Høgre og dei andre, i sitt 1-minutts innlegg. Representanten Ketil Solvik-Olsen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

og så betaler vi de lånene tilbake via Kommunalbanken. Men det betyr at det er utenlandske kapitalister som sitter og skummer fløten når vi bygger vei i Norge. Dermed er inflasjonspresset i Norge uendret sammenlignet med å bruke oljepenger.

viktig sak, så stemmer man på Fremskrittspartiet. Så vil jeg minne om disse avgiftene som man betaler inn, som kanskje ikke folk har snakket om i dag i det hele tatt. Det betales inn bilrelaterte avgifter langt over det som brukes på vei, i tillegg til bompenger og i tillegg til alle andre avgifter. Så var det interessant å høre på Lundteigen, at grunnen til at han ville ha bompenger, er at han kunne sikre seg å få rushtidsavgift. Det synes jeg var en veldig mager trøst for dem som eventuelt slengt etter seg. Så til representanten Bjørnflaten, som spør hvordan skal det gå med Høyre og Fremskrittspartiet når ikke de kan sikre 56 nye bompengeprosjekter. Ja, stakkars folk om de ikke kan få disse 56 bompengeprosjektene. Stakkars dem – heldigvis har de de rød-grønne til å sikre at de får 56 nye bompengeprosjekter. De kan garantere det. Jeg antar at Bjørnflaten blir glad for det når de går ut i valgkampen og garanterer 56 nye

18. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på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

2017. Jeg tror alle i Vestfold er veldig glad for det, og de er veldig glad for at proposisjonen nå kommer før sommeren. Men jeg vet at det er mange som er glad med en stor bismak, og det er når vi ser hva dette koster bilistene som skal kjøre på E18 gjennom Vestfold. Det er ikke billig. Dette prosjektet er en del av et litt større prosjekt – det er flere strekninger. Det er beregnet en kostnad på per person hver vei fra Porsgrunn til Tønsberg, hvis man skal kjøre denne strekningen. Det er en 6,7 km lang strekning. Men det er en bru som gjør det litt trøblete. Det er ferskvann der som gjør at en ikke bare kan bygge brua og være ferdig med det, men man må ta hensyn til miljøet og området rundt. Noe av grunnen dette utbyggingsprosjektet blir noe dyrere, er at det har vært en diskusjon mellom lokale myndigheter og Statens vegvesen om hvilken løsning man skulle velge. Men jeg tror alle nå er veldig godt forlikte og enige om at det er en god og fornuftig løsning man nå har lagt opp til forbi Larvik. Det har vist seg at det har vært vanskeligere grunnforhold enn det man hadde Derfor er også proposisjonen noe forsinket i forhold til det som var tiltenkt. Hele komiteen er som sagt enig i proposisjonen, og innstillingen er klar og tydelig på at man ønsker utbygging av prosjektet. Den store uenigheten står som vanlig om man skal ha fullfinansiering eller om det fortsatt skal være sånn at bilistene skal ta store deler av utgangspunktet, da man startet opp utbyggingen av E18 gjennom Vestfold, var det et spleiselag mellom bilistene og staten. Det spleiselaget er ikke lenger noe spleiselag, det er bilistene som betaler størsteparten av regningen. Innstillingen fra komiteen går på at man går for prosjektet. I tillegg er det to forslag, ett forslag fra Fremskrittspartiet, der man går for prosjektet, men ønsker statlig fullfinansiering, og ett forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti, som går på at går for prosjektet, men ønsker statlig fullfinansiering, og ett forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti, som går på at regjeringen bes medvirke til at det innen høsten 2014 foretas en ny vurdering av bompengetakstene for E18 på hele strekningen Gulli–Langangen basert på bompengeselskapets oppnådde rentebetingelser, økt innkrevingstid til 20 år og anledning til å fravike kravet om lik kilometersats for hele strekningen for å kunne redusere trafikklekkasjer på de mest utsatte stedene. For det er ikke tvil om at det kommer til å bli mye avvisning av trafikk og at mye trafikk kommer til å gå på lokalveiene og fylkesveinettet i Vestfold, fordi det blir såpass dyrt at mange heller velger å bruke noe lengre tid og kjøre på noe dårligere vei. Derfor er det også stor usikkerhet rundt finansieringen av prosjektet totalt sett når det gjelder hvor lang tid man trenger. Da har jeg redegjort for hva de forskjellige partiene mener. Utgangspunktet, som sagt, for Fremskrittspartiet er at vi er veldig for prosjektet, det skulle vært her for lenge siden. Rådgivende Ingeniørers Forening har gjort en beregning som viste at hele utbyggingen av Vestfold kunne vært gjort på fem år, og vi har altså brukt 16 år på å bygge ut dette prosjektet. Så det er på tide, og det burde vært ferdig for lenge siden, men vi er glad for at proposisjonen endelig kom, og ønsker statlig fullfinansiering av dette prosjektet. Jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag i saken.
Da har representanten Robert Eriksson tatt opp det forslaget han refererte til.

og reduserte transportkostnader for næringslivet. Sammen med jernbaneutbyggingen, som også er i full gang, vil en ny og tidsmessig infrastruktur bedre forutsetningene for bo- og næringsutvikling på hele vestsida av Oslofjorden. Det trengs i et fylke der vi sannsynligvis blir 100 000 flere mennesker i åra fram mot 2030. Men veien har sin og bilistene skal betale det meste av kostnadene. Statens andel er nå 28,5 pst., og når veien står ferdig med sine sju bomstasjoner, fra Telemark til Gulli ved Tønsberg, vil det koste henholdsvis 88 kr og 176 kr å passere bomstasjonene med et lett og et tungt kjøretøy. Og selv om vi i dag betaler 90 kr for å kjøre strekningen Nøtterøy–Oslo, vel vitende om at det finnes bompengeprosjekter i vest og nord med høyere takster, har jeg stor forståelse for at de som er nødt til å bruke E18 i søndre Vestfold daglig, synes det kan bli dyrt. Jeg verdsetter derfor de forsøk som er gjort fra fylkeskommunens side for å redusere bomtakstene. Spesielt gjelder dette inngåelsen av låneavtaler med gunstige rentevilkår, som vil bidra til å redusere framtidige finansieringskostnader. har jeg mindre sans for en forlengelse av bompengeperioden fra 15 til 20 år, som nok kan bidra til noe reduserte bomsatser i utgangspunktet, men som bare vil påføre bilistene ytterligere kostnader. Jeg gadd vite om bilistene i nordre Vestfold, der bomstasjonene fjernes i høst, ville ha foretrukket fem år til med bompengeinnkreving i bytte mot marginalt Jeg noterer meg at regjeringspartiene og opposisjonen, selvsagt med unntak av Fremskrittspartiet, som heller vil være uten vei enn å bidra til en bompengefinansiert vei, i litt ulike vendinger peker på at det skal gjøres en ny vurdering av takstnivået på litt ulike tidspunkt. Det er ganske viktig, fordi takstene i høy grad avhenger av tiltak for å bedre trafikkmiljøet og trafikksikkerheten på sideveiene. Slik spiller

at satsene vil kunne reduseres med 2 kr per 1 000 biler som i stedet velger å kjøre E18. Men tiltak på sideveinettet er hovedsakelig Vestfold fylkeskommunes ansvar, og jeg mener faktisk at avbøtende tiltak på sideveinettet og virkningene av dem burde ha ligget til grunn for Stortingets behandling av denne proposisjonen. I forlengelsen av dagens vedtak i Stortinget bør fylkeskommunen etter min oppfatning klargjøre hvilke tiltak det er aktuelt å sette i verk for å redusere trafikklekkasjen fra nye E18 til sideveiene for å redusere ulempene for beboerne langs sideveiene, og for å redusere trafikklekkasjen. Dette har også et klart sikkerhetsmessig aspekt. Det hjelper lite å bygge en ny og trafikksikker vei med god kapasitet dersom bompenger fører til at en stor del av trafikken ledes inn på et veinett som slett ikke er dimensjonert for dette. Det er vanligvis ikke min oppgave å rettlede fylkespolitikerne i Vestfold i denne eller andre saker, og jeg skjønner selvfølgelig at det kan være vanskelig å velge mellom upopulære tiltak som å stenge sideveier, redusere framkommeligheten på sideveiene ved hjelp av fysiske tiltak, eller sette opp bommer på de viktigste sideveiene etter mønster fra E18 i Sande. Men like fullt er det nødvendig å gjøre slike vurderinger og fatte slike vedtak. La meg også understreke at det selvsagt er

svært høye bomavgifter. Derfor har fylkestinget i Vestfold vært ganske klare på at de har ønsket å prøve å løse dette på en måte som kan medføre lavere kostnader for bilistene. Hovedbegrunnelsen er selvsagt først og fremst faren for trafikklekkasjer. Vestfold er ganske spesielt innrettet, særlig de midtre delene, med veldig mange småveier, med veldig mange muligheter for å kjøre utenom, og denne trafikklekkasjen vil selvfølgelig bli adskillig lavere hvis man får til ordninger som gjør at det blir lavere avgifter. Nå har jeg sett i innstillingen at de rød-grønne partiene skal ikke si at de mener at dette skyldes de lokale politikerne selv – mener at man i utgangspunktet visste at det skulle bli enda dyrere. Det er for så vidt riktig, men i utgangspunktet visste man også helt fra starten at staten skulle betale nær 40 pst. Den andelen, som representanten Gullvåg presist har informert Stortinget om, blir liggende langt under 30 pst. Dette er grunnen til at et samlet fylkesting i Vestfold – og jeg understreker samlet, fordi det gjaldt alle partier – har bedt regjeringen om tiltak for å få ned disse kostnadene for bompengepasseringen. bompengepasseringen. Det som har vært noe av ideen rundt dette, er først og fremst finansieringskostnadene, selvfølgelig, men også innkrevingstiden. Så kan man gjerne, som representanten Gullvåg, filosofere over hva folk helst vil ha: Vil de ha en lengre og litt mindre pine, eller vil de ha en kortere og litt mer brutal pine? Jeg tror ikke det er det det er snakk om. Det er snakk om hvordan dette fungerer, ikke minst for næringslivet, som selvsagt har en fordel av å få utgiftene fordelt over tid. Akkurat det samme har de som reiser frem og tilbake på jobb, som har lange jobbreiser. Det er omtrent akkurat det samme som når du finansierer huset ditt over litt tid, og du har en økonomi som kanskje gjør at det kunne være greit å få fem års lengre avdragstid. Det blir dyrere, ja, men det får livet til å fungere på en annen måte. I tillegg er det også sånn at at trafikken øker i Vestfold, slik at prognosene for hva man får inn, er gode. Som sagt: Høsten 2014 vil de første antennepunktene bli satt opp. Høyre og Kristelig Folkeparti foreslår i denne innstillingen at man gjør en ny vurdering av bompengetakstene. Vi foreslår også at man går inn på helt spesifikke kriterier, nemlig rentebetingelser, innkrevingstid til 20 år og muligheten til å fravike kravet om lik kilometersats for å kunne redusere trafikklekkasjer. Dette Dette vil bety, uten at jeg har finregnet på det, ikke noen marginal nedgang, som representanten Gullvåg er inne på, men en nedgang i passeringsavgifter som virkelig betyr noe for dem som skal passere her. Jeg har også lyst til å replisere til foregående taler når han sier at han ikke vet om han skal rettlede fylkespolitikerne eller ei: Jeg tror at Vestfold fylkeskommune, og for så vidt andre lokale myndigheter også, kanskje vil ha seg frabedt å bli rettledet veldig mye av Stortinget og av enkeltrepresentanter om noe som er deres ansvar. De har felles tatt ansvar for å prøve å få til andre ordninger. Det synes jeg er en aktverdig handling. Det bør de ha Det bør de ha ros for å ha gjort. Istedenfor å konstruere opp hvordan man skal stenge trafikken mest mulig for å tvinge folk, bør man ha en gulrot i form av rimeligere passering. Jeg tar opp det forslaget Kristelig Folkeparti og Høyre fremmer i innstillingen. Representanten Svein Flåtten har tatt opp det forslaget han refererte til. Det er

i form av bedre trafikksikkerhet, jevnere trafikkflyt og en forbedring av miljøet langs vegen. Det skal ikke legges skjul på at det har vært uenighet om valg av løsninger på strekningen Bommestad–Sky. Etter at Miljøverndepartementet stadfestet kommunedelplan i 2010, er det etter lokale ønsker lagt opp til en lengre tunnel enn først antatt mellom Bommestad og Farriseidet, og det er også valgt en dyrere løsning med skråstagbru ved Farriseidet. Sammen med enkelte andre krav og løsninger har dette gitt store kostnadsøkninger, og det har på den bakgrunn vært varslet økte bompengetakster. Det har hele tiden vært forutsatt at den statlige rammen skulle stå fast dersom det ble valgt en dyrere løsning på strekningen enn det som var antatt. Det er nedfelt både i St.prp. nr. 60 for 2008–2009 og også i Prp. 56 S Det statlige bidraget for den samlede utbyggingen av Gulli–Langåker og Bommestad–Sky–Langåker er omtrent 2,3 mrd. kr, og det er om lag som forutsatt i den opprinnelige finansieringsplanen i St.prp. nr. 60. Det har vært en del lokal motstand mot det ventede takstnivået på strekningen, men lokale myndigheter har tidligere akseptert en takst på 106 kr i Men på bakgrunn av sterke lokale ønsker har også Samferdselsdepartementet akseptert en lavere beregningsteknisk renteforutsetning i denne saken enn det som er vanlig ellers i bompengeproposisjoner. Det har gitt en vesentlig reduksjon i takstnivået, som i forbindelse med proposisjonen nå er beregnet til 88 kr i 2013-nivå for en vanlig bil. Det er et omfattende parallellvegnett langs E18 i Vestfold, og høye bompengetakster kan medføre at trafikk avvises, eller at en tar Det kan gi et nyttetap for samfunnet, og departementet vil derfor ta initiativ til en gjennomgang av bompengetakstene når Bommestad–Sky er åpnet. Da vil de endelige kostnadene for prosjektet og trafikkgrunnlaget være godt kjent. Dermed vil det også kunne være betydelig større sikkerhet rundt forhold som påvirker bompengeselskapets økonomi. For øvrig vil Statens vegvesen fortløpende følge opp denne situasjonen og også vurdere andre tiltak for å redusere

det som står i merknadene her, og som tidligere også har vært statsrådens – skal vi si – credo, nemlig at de lokale myndighetene selv har visst hvor dyrt det ville bli, og at det nå blir billigere, for så vidt ligger der, men at hun er enig i at man må forsøke alle tiltak for å få ned bompengesatsen fordi er så alvorlig, som hun selv er inne på? Jeg synes generelt i denne typen saker, ikke bare i Vestfold, men også andre steder, at dersom lokale myndigheter ønsker løsninger som blir dyrere enn forutsatt, er det ikke gitt at staten uten videre skal ta den ekstraregningen. Det er bakgrunnen for at vi også har sagt at den fast. Det betyr at det da har kommet opp en diskusjon om takstene når det gjelder bompenger. Vi har på bakgrunn av lokale ønsker vært villig til å være med på en lavere beregningsteknisk renteforutsetning, som har fått taksten ned. Vi er villig til også å se videre på muligheten for å kunne redusere takstene, men det mener vi ikke kan skje før Bommestad–Sky er åpnet. Da først vil man ha godt nok grunnlag for å ha oversikt over trafikkgrunnlaget og også oversikt over de endelige kostnadene ved prosjektet.

annen nedbetalingstid, for det er jo det som virkelig får ned kostnadene her, fremfor f.eks. å kritisere fylkeskommunen for at de ikke stenger igjen hele parallellveinettet, slik som representanten Gullvåg nettopp ga uttrykk for? Vi har i denne saken bidratt når det gjelder spørsmålet om den beregningstekniske renteforutsetningen. Jeg tror det har vært det viktigste virkemidlet. Jeg tror det er mer aktuelt enn å gå fra en periode på 15 år til 20 år. Det er mulig at det blir bedre for næringslivet hvis man får fordelt dette over 20 år. På den andre siden er det godt å bli ferdig med et bompengeprosjekt. 15 år er normaltiden man skal ha på nedbetalingen av et bompengeprosjekt. Det gjelder også i utgangspunktet for dette prosjektet. Men som sagt vil vi når prosjektet åpner, kunne komme tilbake og Men som sagt vil vi når prosjektet åpner, kunne komme tilbake og ha en grundigere gjennomgang av muligheten for også å gå igjennom bompengetakstene. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12. Etter ønske fra transport- og
sak nr. 13. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen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
trongt om plassane mange stader i landet. Komiteen er òg i det store og heile positiv til NSB i meldinga og oppfattar på ulikt vis situasjonen som mykje betre enn tidlegare, da ein verkeleg har slitt med forseinkingar. Men framleis er det sjølvsagt reiste denne representanten optimistisk mot Halden på fredag ettermiddag, og plutseleg stoppa toget heilt opp, og det blei ståande ein time. Me blei rett nok godt informerte om kva dei prøvde å få til, men likevel stod toget bom still. Til slutt sa togleiaren at toget hadde «tatt kvelden». Da var det ikkje noko anna å forsøka å dra oss til ein stasjon, for å få eit nytt togsett eller ta eit anna tog. NSB kjem til å ha sett ut 66 nye Flirt-tog i løpet av 2015, og ein samla komité er veldig opptatt av at det blir lagt til rette for nye investeringar frå NSB si side, slik at dei kan kjøpa enda fleire tog og dermed få kvaliteten for både dei reisande og standarden på togmateriellet opp på eit heilt anna nivå. Det kvaliteten for både dei reisande og standarden på togmateriellet opp på eit heilt anna nivå. Det gjev grunnlag for betre kundebehandling. Slike investeringar ein har gjort no, gjeld ikkje berre for Austlandet. Me må òg sjå for oss at ein òg må få nye togsett – gjerne litt mindre, som bl.a. Rommetveit har snakka mykje om – til Vossabanen i 2016, Trønderbanen i 2017 og etter kvart til Jærbanen. Det klart at viss ein til Jærbanen. Det klart at viss ein får noko nytt, trekk det til seg kundar. Toget er viktig for klimaarbeidet som regjeringa held på med. Jo fleire bilar me får vekk frå vegane og meir bruk av toget, dess mindre forureining og klimagassutslepp får me. Klarar me òg å få fleire til å ta tog å få fleire til å ta tog på langdistansereiser i staden for å fly, betyr det òg mykje for å redusera klimagassutsleppa. Derfor er nokon av oss veldig ivrige etter å få raske langdistansetog. Det har vore eit prisverdig samarbeid mellom Ruter og NSB knytt opp mot Sørkorridoren når det gjeld å samarbeida om kollektivtilbodet i i regionen. Slikt samarbeid bør det vera meir av. Den modellen ein har utvikla her, gjer at fleire blir gjeve moglegheita til å reisa kollektivt og flytta seg til andre byar. Det har mangla incentiv for å få til det, men no viser Ruter og NSB veg. Dette meiner ein samla komité. Ein samla komité ønskjer òg at ein ser på på om billetteringsystemet kan betrast, slik Ruter og NSB har fått til. Det må ikkje vera slik at ein ikkje kan bruka kollektivkortet for buss på toget eller motsett. Sidan det var så mykje fryd og gammen, må me sjå om det er noko me er ueinige om, og det er det. Nokon parti – dvs. opposisjonen – vil eigentleg importera det fjerde jernbanedirektivet direkte. Det er ikkje heilt avklart kva det fjerde jernbanedirektivet blir til slutt, men det blir sannsynlegvis ei liberalisering, i form av at ein må driva med meir anbod og privatisering. Dei raud-grøne er veldig tydelege på at dei ønskjer å styra jernbanepolitikken sin sjølv og ikkje bli styrte av EU sin politikk. Når ein ser korleis EU fungerer i kanskje lura litt på kvifor andre ivrar slik for å få marknadsbaserte løysingar til Noreg. Heilt til slutt: Ein samla komité er einig med saksordføraren og dei raud-grøne om at Sveits er eit føregangsland. Dei viser veg for andre. Sveits har statsbanedrift på persontransporten. Likevel vil høgresida importera anbod og privatisering, sjølv om ein kan sjå at toget faktisk går på tida i Sveits,

men samtidig er det klart at NSB er et ansvarlig og selvstendig selskap. Det var en gledelig passasjervekst på jernbanen i fjor. Og med den nye grunnrutemodellen, hvis første fase ble implementert i desember i fjor, ligger alt til rette for en en enda høyere passasjervekst i år og i årene som kommer. Representanten Langeland var inne på dette med konkurranse og det fjerde jernbanedirektivet. De politiske skillelinjene handler ikke nødvendigvis om hva vi mener om ting som kommer fra Brussel en eller annen gang i Realiteten er at det her er en tydelig politisk skillelinje mellom dagens regjeringspartier og dagens opposisjonspartier. Vi ønsker ikke å utsette persontransporten på jernbanen for konkurranse. Vi mener at det ikke er hensiktsmessig. Det er mange grunner til det. Norge er et lite jernbaneland, sammenliknet med andre land i Europa. Hvis jeg skal trekke fram to ting jeg mener er viktig, er det muligheten vi har i dag til fleksibilitet og til å tenke helhetlig i transporttilbudet. Det er en mulighet vi vil miste hvis vi splitter opp togtilbudet vårt i ulike anbud. Ett eksempel: Med innføringen av en ny grunnrutemodell, så man at man fikk problemer med stappfulle tog, bl.a. på Kongsvingerbanen. Folk svimte av, og det var ikke en heldig situasjon. Da hadde NSB muligheten til å flytte materiell fra en annen banestrekning til Kongsvingerbanen, for å avhjelpe situasjonen der og gi et bedre tilbud.

Jeg er nødt til å gå en tur innom Fremskrittspartiet også, for på ett punkt har de endret standpunkt i det siste og tilnærmet seg Høyre. Det er ikke så veldig lenge siden undertegnede og representanten Hoksrud barket sammen i Dagsnytt Atten om utbyttepolitikken overfor NSB. Nå er det en enstemmig komité som stiller seg bak den utbyttepolitikken Vi tror den vil gi rom for de investeringer som NSB skal gjøre i årene som kommer. Jeg vil allikevel understreke at dersom det virkelig skulle være behov for redusert utbytte i NSB på grunn av investeringer i nytt materiell, må det gjøres en konkret vurdering lignende den man gjorde overfor Avinor for noen år siden, hvor man valgte å ikke ta ut utbytte da Avinor hadde en vanskelig situasjon og hadde behov for disse pengene selv. En lignende type vurdering må også kunne gjøres overfor NSB, for utbyttepolitikken er ikke skrevet i stein. Det er godt at utbyttepolitikken ikke er skrevet i stein, men at den er

NSB. Så der er det en feil i innstillingen; vi har tydeligvis ikke fått det godt nok med. Men det er veldig viktig å presisere her fra talerstolen at vi er skeptisk til å ta utbytte fra NSB med bakgrunn i de enorme kjøpene som de nå står overfor, bl.a. i forbindelse med utskifting av togmateriellet sitt.

gjøre endringer til det beste for kundene sine, og at man nå er på god vei til å hente inn mye av det negative fokuset som har vært på selskapet – som er det som kunden møter; han tenker ikke over at det er noen andre som har ansvaret for at infrastrukturen som NSB kjører på, må være i stand. Så har jeg lyst til å si til representanten Langeland som viser til Sveits og jernbanen i Sveits, Sveits, at det er definitivt sånn at Sveits har gjort veldig mye bra på jernbane, men de har også gjort mye bra på vei. De har bygd masse vei; de har gjort mye på vei. Vi er enig i at det er veldig bra det som skjer i Sveits på jernbane, men vi er definitivt ikke enig i det som Langeland ønsker, at man skal flå bilistene med avgifter som man da skal bruke på å finansiere jernbaneutbyggingen. Det er vi definitivt ikke enig i. Men så er det også viktig å ha med seg at Sveits Det er vi definitivt ikke enig i. Men så er det også viktig å ha med seg at Sveits har et helt annet utgangpunkt med hensyn til det avgiftsnivået man totalt sett har på bil – og veibaserte fremkomstmidler – enn det vi f.eks. har i Norge. NSB er nå i full gang med å skifte ut mange togsett, og vil fortsette å skifte ut mange togsett. Det tror vi er veldig og vil fortsette å skifte ut mange togsett. Det tror vi er veldig bra og veldig positivt, for etter at det var noen oppstartsproblemer med noen seter og litt forskjellig, ser det nå ut som om man er blitt enig med pendlerne og andre som bruker toget mye, og har funnet gode løsninger på ting som har vært problematiske. Så er det også interessant at den rød-grønne regjeringen bare sier at de er imot det fjerde jernbanedirektivet. Vi har sagt at vi i utgangspunktet i hvert fall ikke er negative til det. Vi ønsker konkurranse og synes det er positivt og bra, derfor vil vi ikke avvise at vi kommer til å støtte det når det eventuelt kommer. Det kan jo bli spennende å se hva som faktisk ligger der, men jeg registrerer at Langeland er imot det før han har sett hva som ligger i det. Så til forslagene fra Fremskrittspartiet, som jeg ønsker å ta opp. Vi mener at det er fornuftig å vurdere et statlig nedsalg av NSB, på eiersiden. Jeg tror det vil være bra for selskapet. Vi ønsker i utgangspunktet konkurranse på jernbanenettet. Det betyr altså at NSB må konkurrere med andre. Og NSB har vist dette på en veldig god måte når det gjaldt NSB Anbud, som vant anbudet om å kjøre på Gjøvikbanen med 40 pst. bedre tilbud, til omtrent den samme prisen som man hadde tidligere. Det viser at NSB er et selskap som både klarer å omstille seg, klarer å være i tet og klarer å levere gode tjenester. Også når de blir konkurranseutsatt, klarer de å levere, og blir foretrukket til å levere tjenestene. Så til det som går på utskilling av NSB Buss. Vi er litt usikre på hva man bør gjøre der – om det bør skilles ut, eller om det fortsatt bør være i NSB. Derfor har vi et forslag der vi «ber regjeringen i forbindelse med et nedsalg i NSB vurdere om man bør skille ut NSB Buss i et eget selskap som

Jeg har også lyst til å gi ros til NSB som tenker nytt innenfor svært krevende og vanskelige rammer. Det er viktig at vi har et kollektivt tilbud, og at NSB er forutsigbare, også på gods, og at vi får mer gods over fra vei til bane, for det er nødvendig for å utvikle tilbudet både næringslivet. Det er helt nødvendig, sett fra Høyres side, at vi reduserer de problemene som samfunnet vårt har når det gjelder klima, miljø, trafikksikkerhet og det å få til en effektiv trafikkavvikling. Dette er særlig påtrengende i de store byområdene. Det er særlig der det er nødvendig å satse. Folk skal raskt og effektivt komme seg til og fra og det å få flere til å ta toget, til å reise kollektivt, og få næringslivet til å benytte dette, er viktig også for å redusere alvorlige trafikkulykker. Problemet i norsk samferdsel er et resultat av en manglende planmessig, helhetlig statlig investering i moderne infrastruktur og manglende vedlikehold finansiert av staten. Dette gjelder for jernbanesektoren så vel som for veisektoren, og reflekterer sånn sett en mangelfull samferdselspolitikk under mange regjeringer. Men jernbanen står for det meste av det som går på å legge til rette for miljøvennlige reisemåter. Når det gjelder Høyres syn på toget og NSBs situasjon for fremtiden, mener vi at monopolet bør avvikles, og at flere enn NSB

regjeringspartiene allerede har konkludert med at alt som kommer fra Brussel, må være ondt for jernbanen. Høyre vil ha flere jernbanestrekninger konkurranseutsatt, vi vil ha det gradvis – gjerne alle, om det skulle bli aktuelt. Men vi ønsker selvfølgelig ikke å gå så langt som New Zealand har gått, nemlig å gå fra ett monopol til et annet, til et privat monopol.

bedre effektivitet, bedre regularitet og også et bedre tilbud for de reisende. Vi har flere strekninger som er aktuelle for dette. Jeg undrer meg nok noe over den fleksibiliteten som representanten Kjernli skryter av, når det var så fullt på toget til Kongsvinger at man besvimte. Hvis det var slik, var det ganske mange strekninger der man burde ha satt inn mer togkapasitet, men man har ikke kapasitet på toget til Kongsvinger at man besvimte. Hvis det var slik, var det ganske mange strekninger der man burde ha satt inn mer togkapasitet, men man har ikke kapasitet i sporet til det. Jeg tror at private aktører vil være opptatt av både kvalitet og kapasitet når man skal konkurrere på strekningene. Til slutt har jeg lyst til å ta opp det problematiske med at et statlig togselskap er i ferd med å få en såpass dominerende Det er viktig at statlige virksomheter er med på å legge til rette for en sunn konkurranse innenfor denne sektoren, både på lokale, regionale og landsdekkende strekninger. Men sett fra vår side mener vi det er nødvendig at NSB selger ut en stor del av sitt busselskap.

bra. Senterpartiet er veldig glad for at NSB kjøper inn nye tog. Vi er også opptatt av at det fortsatt skal kjøpes inn flere togsett. Ikke minst er vi opptatt av at hele landet som har jernbanenett, skal få nyte godt av et forbedret tilbud. Det er litt forskjellige typer materiell på en del av banestrekningene, og ikke alt holder like god kvalitet. Jeg ser hva det gjør med lysten til å bruke tog når materiellet som er oppå skinnene, er bra. Derfor er det viktig at vi får forbedret tilbudet rundt omkring – på en rekke strekninger der det er pendling, og også på strekninger der man reiser langt. Det har blitt nesten trendy å reise med tog igjen. Det er veldig bra. I dagens debatt om Nasjonal transportplan sa regjeringspartiene mye om hva man ønsker å gjøre, også på togsiden. Det viser at vi ønsker å støtte dette og sørge for at det fortsatt skal være bra – godt – å reise med tog, enten du vil reise langt eller du vil reise kort. Jeg er også opptatt av en siste ting, nemlig at vi legger til rette for et forenklet billettsystem, og at vi gjør tilbudet tilgjengelig for alle. Det er viktig at alle. Det er viktig at alle har en valgmulighet til å benytte seg av denne typen transportsystem, enten du har dårlig syn eller du er handikappet på annet vis. Det må være mest mulig tilgjengelig, sånn at folk har muligheten til å velge. Jeg støtter det som ligger i

som ut frå sine føresetnader gjer ein god jobb. Eg trur òg organiseringa med eit NSB og eit jernbaneverk er framtidsretta og er den rette organiseringa. Me har berre det siste året sett at det har vore ein auke i passasjertalet på opp mot ein halv million reisande. Det gir oss nokon kortsiktige utfordringar. Eg trur at rådet frå NSB-sjefen om å sjå på kortsiktige tiltak – som vendepunkt, tilpassa plattformlengd og parkeringsplassar knytte til stasjonane – er tiltak me er nøydde til å sjå på, fordi me no får ein del kortsiktige utfordringar ved at fleire reiser kollektivt og då bruker NSB. Til liks med representanten Schou har eg lagt merke til kva den svenske – altså den personen som leier Statens Järnvägar – seier, nemleg at i det store og heile er det bra for jernbanen og for kundane med konkurranse. Det trur eg er ord me skal lytte til, og når me ser på kundetilfredsheita for det svenske NSB, er ho på opp mot Det er ikkje berre på grunn av organiseringa – det er klart at dette har noko med infrastruktursatsinga å gjere. Men det gir òg eit signal. Samferdselsministeren dreiv tidlegare i vinter med høgttenking rundt organisering, og på spørsmål om konkurranseutsetjing sa ho at ho gjerne såg for seg ei samanslåing av NSB og Jernbaneverket.

neste taler er representanten Anne Marit

Dagens utbyttepolitikk er foreslått videreført, dvs. at det vanligvis skal tas et utbytte på 50 pst. av konsernets resultat etter skatt. NSB har vist bedre resultat i 2012 enn tidligere. Resultatet for persontogvirksomheten i 2011 og 2012 er klart forbedret sammenlignet med tidligere år, og godsvirksomheten gjør det også bedre i 2012 enn i 2011. Eiendomsvirksomheten har store salgsgevinster i 2012. 2012. Bussvirksomheten trenger imidlertid fortsatt å forbedre sin lønnsomhet. Nettbuss har i dag om lag 30 pst. av det norske bussmarkedet, og har også en viss tilstedeværelse i Sverige og Danmark. NSB har foreslått et investeringsprogram på 16 mrd. kr i planperioden. Det inkluderer 5,8 mrd. kr i investeringer til persontog, om lag 4,2 mrd. kr i investeringer i bussvirksomheten har også en viss tilstedeværelse i Sverige og Danmark. NSB har foreslått et investeringsprogram på 16 mrd. kr i planperioden. Det inkluderer 5,8 mrd. kr i investeringer til persontog, om lag 4,2 mrd. kr i investeringer i bussvirksomheten og i overkant av 5 mrd. kr i investeringer i eiendomsvirksomheten. Det har, som jeg sa, skjedd mye positivt med jernbanen og NSB den senere tiden. Nytt rutemønster fra desember 2012 har gitt gode resultater i den forstand at trafikken har økt

Jernbanen vil i årene framover gradvis styrke konkurransekraften sin. Flere og lengre tog vil bli satt inn i trafikk. I 2015 vil 66 togsett av typen Flirt være på skinnene. Det er viktig å nevne at den nye grunnrutemodellen som delvis trådte i kraft fra desember 2012, kommer til å bli fullført i desember 2014. Den vil gi et ytterligere løft og en økt kapasitet for trafikken på Østlandet. Jeg har også lyst til å nevne at det

Det norske jernbanenettet er ikke veldig godt egnet. Det er mye enkeltspor, det er avvik i toggangen som følge av både feil og planlagte forbedringstiltak. Markedet er antakelig ikke stort nok, og etableringskostnadene for dem som kommer inn i markedet, vil være høye. Oppsplitting med flere togselskap kan gi et mindre robust tilbud når det er problem med toggangen. Jeg tror også at det er, som representanten Kjernli var inne på, begrenset med

med dem som sier at det er høyst usikkert hvilken skjebne det forslaget fra kommisjonen vil få. Grunnen til at det er veldig usikkert, er at det er mange land som er uenig i at en skal konkurranseutsette jernbanen, akkurat som Norge. Det er nok å nevne Danmark, Nederland og Finland som eksempler på land som er meget skeptiske til det forslaget som ligger fra kommisjonen. Jeg har aldri sagt at en bør slå sammen Jernbaneverket med NSB, men jeg har med hensyn til Jernbanepakke IV – der de to viktigste forslagene nettopp er konkurranseutsetting, og det vi kaller «unbundling», altså det at en deler opp den vertikale integrasjonen mellom transportselskapet og infrastrukturselskapet – sagt at vel så interessant som å diskutere konkurranseutsetting, er det å diskutere «bundling» eller «unbundling». Det er i alle fall den store diskusjonen i Det blir replikkordskifte. La meg utfordre kort med å nevne to paradokser knyttet til selskapet NSB. Antall bussreisende er mer enn dobbelt så stort som antall togreisende, og veksten i antall busspassasjerer er tre ganger så høy som veksten i antall togpassasjerer. Det er et paradoks. Jernbanevirksomheten – altså både persontogvirksomheten og godstogvirksomheten – går i kraftig minus samlet sett. Det som redder NSB – iallfall i 2011, hvor vi har resultattall – er eiendomsvirksomheten. Men det er jo også litt av et paradoks at det er eiendomsdriften som gjør at det blir et solid resultat, iallfall sånn at man kan snakke om å ta utbytte. Det er to tydelige paradokser, og jeg ber om statsrådens vurdering av dem. Jeg tror faktisk at jeg og Sortevik egentlig kunne bli enige om at det er et paradoks at vi mange ganger diskuterer kollektivtrafikk som om det bare handler om jernbane, fordi at en så stor del av kollektivtransportarbeidet faktisk foregår på veien

også kan støtte opp om hverandre og samlet sett gi et godt transporttilbud. Så vi har ingen umiddelbare planer om å gjøre noen endringer i integreringen mellom de delene som er i dagens selskap. I sitt førre svar sa statsråden at såg det som regjeringas vurdering i den saka Sortevik tok opp. Det kunne ha vore interessant å spørje om det er slik at regjeringa tenkjer på ei ny avgjerd sidan ho valde å bruke ordet «foreløpig». Mitt spørsmål går på NSB og Jernbaneverket. Eg opplevde at statsråden til dels avklarte det i sitt innlegg, men eg ønskjer å få det tydeleggjort. No har jo regjeringa lagt fram si sak rundt NSB, og det ligg inga endring der. Men høgttenkinga om NSB og Jernbaneverket – den om NSB og Jernbaneverket – den ideen om at det kanskje skulle bli ei samanslåing – er det ein idé som regjeringa aktar å gå vidare med? Det er mitt spørsmål. Når det gjelder uttrykket «foreløpig», er det vel ikke akkurat evighetens perspektiv vi snakker om, men i alle fall om den perioden som gjelder for eiermeldingen. Det vil jo vanligvis være den fireårsperioden som eiermeldingene gjelder for, fra Stortinget behandler en melding og til den neste. I eiermeldingen ligger det ikke noe forslag fra regjeringen om å inkorporere Jernbaneverket og NSB. Det som er litt synd med den debatten, er at en heller ikke kan reise en interessant problemstilling uten å bli tolket dit hen at en faktisk har bestemt at det er det regjeringen vil gå inn for. Dette er jo unektelig en interessant debatt, som i det minste fortjener en viss oppmerksomhet – og som kanskje også fortjener litt åpenhet, uten at en dermed trenger å si at en har konkludert. Det er en debatt som er svært viktig ute i veldig mange andre europeiske land. Først tilbake til

Men paradokset er at det er et jernbaneselskap som altså transporterer langt flere busspassasjerer enn togpassasjerer. Så til replikk nummer to, til samforståelsen og samhandlingen mellom Jernbaneverket og NSB. Vi har jo tidligere hatt episoder og perioder hvor det har vært dårlig samhandling, og hvor det har vært svært ulik oppfatning av hvor ansvarsgrensene går – hvem som har ansvar for hva, av Jernbaneverket og NSB – for å få togene frem i Jeg oppfatter at vi igjen nylig har hatt en sånn situasjon hvor iallfall togansvarlig i NSB ser på Jernbaneverket som en smule firkantet, og som gjør at man får større stopp enn nødvendig. Er statsråden sikker på at samhandlingen er god? Det er mitt inntrykk at den samhandlingen har blitt stadig bedre, og at den på et overordnet nivå fungerer godt, i den forstand at det er en utbredt dialog men totalt sett har jeg inntrykk av at det forholdet er bedre nå enn det har vært noen gang tidligere. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

sidan den førre eigarmeldinga vart lagd fram i 2009. Dei overordna strategiane for Avinor har i hovudsak lege fast sidan selskapet vart skipa i 2003, og meldinga legg heller ikkje opp til å endra desse. Avinor sitt samfunnsoppdrag er å eiga, driva og utvikla eit landsomfattande nett av lufthamner for sivil sektor og ei samla flysikringsteneste for sivil og militær sektor. Hovudregelen må vera at drift og utvikling av flyplassar skal handterast innanfor Avinor-systemet. Den solidariske ordninga der overskotet frå dei bedriftsøkonomisk lønsame lufthamnene er med på å drifta og utvikla dei flyplassane som ikkje går med overskot, er svært viktig for å oppnå regional utvikling. Dei største inntektsbringande lufthamnene må sikrast gode rammevilkår for at dei også i framtida skal kunna bidra positivt både økonomisk og trafikkmessig i det store lufthamnnettet. Likeeins må dei mindre lufthamnene sikrast ein operativ standard som sikrar at den viktige rolla dei har i det samla lufthamnnettet, ikkje vert svekt. Så er det slik mange stader i landet vårt at lufthamnene og rutenettet er avgjerande for busetnad og for næringsliv. I samband med finanskrisa var det ein nedgang i flytrafikken i åra 2008 og 2009, men åra etter dette har det vore stor vekst, og prognosane tilseier no ein trafikkvekst på 2,3 pst. i åra framover. Noreg har teke på seg eit internasjonalt samarbeid ved å slutta seg til NEFAB, og ein samla komité er oppteken av at dette samarbeidet vert ført vidare med sikte på å oppnå ei felles luftromsblokk, der også Sverige og Danmark er med. Komiteen ser positivt på at Samferdselsdepartementet ønskjer å leggja til rette for fleire direkteruter mellom utlandet og fleire av lufthamnene våre, men me er også samla i å uttrykka eit klart ønske om at me må få tidssparande og effektiviserande endringar i det systemet som i dag for flyreisande i transfer på norske lufthamner. Forenkling på dette feltet vil vera positivt for dei reisande, og det vil gjera norske lufthamner endå meir attraktive. Når det gjeld investering i nye lufthamner, ser ein samla komité positivt på at Avinor planlegg vidare med sikte på investering i ny lufthamn på Helgeland – i Mo i Rana – og ny lufthamn i

og omtale i NTP når det gjeld realiseringa av dei einskilde prosjekta. Når det gjeld flysikringstenesta, sluttar komiteen seg til at Avinor kan skilja ut flysikringsdivisjonen innanfor Avinor AS i eit dotterselskap, og det vert understreka at Avinor har ansvaret for at det til kvar tid er tilstrekkeleg bemanning ved Situasjonar av den typen som oppstod i flygekontrolltenesta sommaren 2012, kan ikkje aksepterast. Avinor legg opp til eit høgt investeringsnivå i åra framover. Komiteen sluttar seg til investeringsplanen, men vil likevel understreka at staten som eigar må følgja nøye med på den finansielle situasjonen og koma attende til Stortinget med ei oppdatering av framdrifta i investeringsplanen og ei fornya vurdering av dei finansielle rammevilkåra for Avinor. Transport- og kommunikasjonskomiteen har gjennom meldinga og høyringar fått eit breitt og godt innsyn i eit felt som er svært viktig for å knyta landet og folket vårt saman. Den norske luftfartsmodellen er ein suksess, og eg har god tru på Avinor – også Før neste taler får ordet, vil presidenten bare gjøre oppmerksom på at denne saken er uten dissenser, og at taletidsopplegget ikke innebærer et pålegg om å ta ordet, heller ikke et pålegg om å bruke hele taletiden. Dette er en generell bemerkning og ikke rettet spesielt til neste taler, som er representanten Jan-Henrik Fredriksen. Luftfart i Norge er viktig, og Luftfart i Norge er viktig, og i så måte er denne meldingen om Avinor et godt bidrag til å sette luftfart på dagsordenen. Luftfarten gir det reisetilbudet i Norge som faktisk er det reelt landsdekkende reisetilbudet vi har. Det er derfor kjempeviktig både for de større flyplassene – med befolkningskonsentrasjoner – og for de mindre stedene, som har en avhengighet til luftfart, på samme måte som sentrale strøk, til alt fra ambulanser til syketransport. Behovet er stort og viktig. Luftfarten må gjennom hele virksomhetskjeden baseres på sunn konkurranse for å gi passasjerene det beste tilbudet. Det bør legges til rette for konkurranse om kontrakter for drift, vedlikehold og utvikling av våre flyplasser med klare og tydelige kvalitetskrav og sikkerhetskrav. For Fremskrittspartiet er det svært viktig at også flyplasser som ikke er underlagt Avinor-systemet, blir likebehandlet med lufthavner i Avinor-systemet. Dette gjelder Sandefjord lufthavn, Torp, og Moss lufthavn, Rygge, hvor åpningsbestemmelsene som må håndheves, har lik praksis med dem som blir brukt på lufthavner underlagt Avinor. Men også Notodden, Skien og Stord befinner seg i en situasjon på utsiden av Avinor-systemet og bør likebehandles gjennom dagens kryssfinansieringsopplegg. Det blir veldig fort feil når næringslivet på Stord er viktig nok som begrunnelse for å komme inn under kryssfinansieringen, mens næringslivet i Skien og Notodden ikke er det. Derfor foreslår Fremskrittspartiet i innstillingen om NTP å innlemme Notodden og

En bedre løsning ville være at det ble opprettet en «transit gate» for reisende, slik at passasjerer kan gå direkte fra utland og over til innland med fortolling på sluttdestinasjon. Hver passasjer kaster bort nærmere én time på å vente på bagasjen, for deretter å fortolle og så stille seg i kø for ny innsjekk på Gardermoen. Dette vil også bedre situasjonen for flyselskapene. flyselskapene. Det blir litt meningsløst når regjeringen hevder at det er nedsatt arbeidsgrupper som skal ivareta dette og få fram en løsning. Det er tid for handling. EU-land som Sverige og Danmark har dette på plass, og tiden er overmoden for at vi også i Norge får det på plass. Fremskrittspartiet er, i likhet med Samferdselsdepartementet, kritisk til utviklingen av Avinors kommersielle virksomhet som ikke støtter opp under kjernevirksomheten. Det siktes til eiendomsselskap, hotelldrift, parkeringshus og parkeringsplasser. En utvidelse av virksomheten kan fort komme i konflikt med lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv. Fremskrittspartiet er positive til at flysikring etableres i et eget aksjeselskap, noe som for øvrig er helt nødvendig for å ivareta krav som uavhengig økonomi etter nye EU-regler. Men Fremskrittspartiet er uenig i at dette skal måtte være et datterselskap av Avinor. Et slikt selskap – eid av Avinor eid og drevet av en annen monopolist, Avinor, hvor eierselskapet til enhver tid kan styre bunnlinjen slik man selv ønsker det gjennom prisfastsettelse. Helt til slutt: Fremskrittspartiet støtter Avinors arbeid med å få på plass fjernstyring av mindre flyplasser og forutsetter at sikkerheten også her blir ivaretatt på en god måte.

Avinor fikk da muligheten til å utvikle seg og legge gode investeringsplaner for framtiden. Vi ser at det har virket. Derfor er Høyre i all hovedsak svært fornøyd med den tjenesten som Avinor utfører, og ser fram til at det skal være like bra i framtiden. Et godt flytransporttilbud er helt avgjørende for befolkningen og næringen i distriktene. I dag står Avinor overfor store investeringer – ca. 20 mrd. kr til sammen. Det dreier seg først og fremst om de store flyplassene som går med overskudd, men som har en kraftig økning i trafikken. Det dreier seg også om Helgeland, Lofoten og Hammerfest, som alle tre trenger en viss forlengelse – og en av dem også helt ny flyplass. Vi er fornøyd med at regjeringen sier at hvis disse utbyggingene skal gjennomføres, vil det komme midler. Det må det, og det er vi glad for blir sagt her. Vi er også enig i den kryssfinansieringen som regjeringen foreslår, hvor det overføres midler fra de store til de små, og vel er det riktig å fokusere på kostnadsnivået på de små flyplassene. Det mener vi er veldig viktig, og det er gjort med programmet «Remote Tower», som er prøvd i Lofoten med kontroll fra Bodø. Dette er etter vår mening meget

arbeidsspråket i alle fall er engelsk. Vi er også opptatt av at Rygge og Torp skal ha samme rammebetingelser som de 46 flyplassene som drives av Avinor, både når det gjelder åpningstid, og når det gjelder kostnader for øvrig. En annen ting jeg vil ta opp, er bagasjehåndteringen når man kommer fra utlandet. Det har vi gjort over noe tid nå. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som vel er i ferd med å levere sin innstilling, og vi håper at vi kan få en rask håndtering spørsmålet. Vi mener at de fire store flyplassene bør innlemmes i dette, så lenge passasjerene skal til en flyplass som det er tollpraksis på. Til slutt noen kostnadssaker. Vi er litt bekymret over kostnadsutviklingen. German Airport Performance, som hadde en gjennomgang av Avinor for litt siden, kom fram til at effektiviteten var mindre i dag enn i 2002. Vi vet at mye går veldig bra, men at deler av virksomheten er litt kostbar. Når vi vet at man i europeisk luftfart har en intensjon om at man skal redusere kostnadene i lufttrafikken med minst en tredjepart, vil dette bli en utfordring. Det håper vi at selskapet er i stand til å håndtere. Vi får ønske dem lykke til videre.

vel heller på eit anna departement enn Samferdselsdepartementet, trur eg. Så synest eg leiinga i Avinor gjev inntrykk av at ein arbeider godt og har ro i rekkene – i alle fall for tida. Ein får ofte gjort meir når ein spelar på lag. Til slutt er det to ting som eg ønskjer at Avinor skal ta enda større omsyn til. Eg får ein del spørsmål knytte til støy, ikkje minst når det gjeld min eigen flyplass – Sola. Går det an å gjera meir for å sørgja for at naboane ikkje får så mykje trøbbel med støy frå flyplassen? Det andre gjeld universell utforming. Nokre rullestolbrukarar fortel meg at eitt flyselskap oppsøkjer gater som er universelt utforma, og at rullestolbrukarar dermed

Det er òg meget viktig å understreke at den solidariske ordningen der overskuddet fra de bedriftsøkonomisk lønnsomme lufthavnene skal bidra til å drifte de lufthavnene som ikke går med overskudd, videreføres. Det er nettopp solidarisk å sikre at hele landet kan ha et finmasket nett av lufthavner til gode for landets befolkning. Senterpartiet er derfor positiv til en videre investering i lufthavner. Jeg kan nevne Stokka og Stokmarknes, at det planlegges videre når det gjelder ny lufthavn i Mo i Rana og i Hammerfest, og at avklaringen knyttet til ny lufthavn i Lofoten vil videreføres. Videre er det viktig at de mindre lufthavnene sikres en operativ standard som sikrer den viktige rollen de har; at den rollen ikke svekkes. For mange med meg er dette en del av det viktigste kollektivtilbudet vi har. Det sikrer at vi kan reise effektivt fra nord til sør og versa, også internt i landsdeler og regioner. Jeg har også et oppdrag som jeg har lyst til å nevne for Avinor. Det er at man må legge godt til rette for at kollektivtilbudet kan utvikles rundt lufthavnene. Det er viktig at man med hensyn til kollektivtilbudet får mest mulig sømløse reiser. I I likhet med flere av de foregående talerne er også Senterpartiet positiv til at vi skal få på plass en enklere og mer effektiv tollavklaring for reisende i transfer på norske lufthavner. Til slutt: Senterpartiet slutter opp om den investeringsplanen som Avinor legger opp til, men ser at det er viktig at staten følger nøye med, sånn at de skisserte investeringene kan realiseres.

om ikkje dei raud-grøne hadde valt å avslutte den fornyingsprosessen som var på gang der. Eg har lyst til å peike på ei sak som òg saksordføraren tok opp. Det gjeld korleis me behandlar dei passasjerane som reiser transfer, eller som reiser vidare. Dette var ei sak eg tok opp med Eg viste til den praksis som er på Arlanda, og Meltveit Kleppa sa ho ville følgje opp dette. Det gjekk nesten to år før me fekk ei arbeidsgruppe. Den arbeidsgruppa blei sett ned sommaren 2011. Nå er det gått snart to år. Me har ikkje fått noko resultat frå dette arbeidet. Me kan nå altså berre sjå på at svenskane gjer dette på ein betre måte, som er meir venleg for dei reisande. Framleis ventar me på svar. Kanskje statsråden kan seie noko om dette? Det overordna er at me har fått ei modernisering av norsk luftfart. Avinor, tidlegare Luftfartsverket, blei omdanna til eit statleg AS. Avinor har fått heilt andre moglegheiter. Dei kan leggje planar, og ikkje minst kan dei vere framsynte og sikre i det

neste taler er representanten Anne Marit

og det er staten som avgjør hvilke lufthavner selskapet skal drive. Avinor skal i størst mulig grad være sjølfinansierende, og den solidariske samfinansieringen mellom lufthavner – såkalt kryssubsidiering – skal videreføres. I meldingen har regjeringen understreket at den vil sikre Avinor rammebetingelser som gjør selskapet i stand til å opprettholde og videreutvikle et framtidsrettet og Som følge av trafikkvekst står Avinor overfor store investeringer de neste årene. Avinors investeringsplan for 2013–2017 omfatter investeringer på 20,6 mrd. kr. Regjeringen er positiv til investeringsplanen og legger til grunn at hoveddelen av investeringene skal kunne gjennomføres innenfor dagens rammevilkår. I meldingen er det likevel vist til at regjeringen vil følge situasjonen nøye og komme tilbake til Stortinget i løpet av 2014 med en oppdatering av framdriften i investeringsplanene

Samferdselsdepartementet har merket seg at det er et effektiviseringspotensial i Avinor, og jeg legger til grunn en forventning om en effektivisering i selskapet. I meldingen har regjeringen vist til at den er positiv til at Avinor planlegger videre med sikte på investeringer i nye lufthavner på Helgeland, i Mo i Rana og i Hammerfest. I tråd med Nasjonal transportplan skal det arbeides videre med regionalpolitiske avklaringer og en bredere vurdering av de regionalpolitiske konsekvensene for Helgeland, mens det for Hammerfest er behov for ytterligere utredninger av lokaliseringsspørsmålet. Ingen av disse prosjektene ligger inne i Avinors investeringsplan, og regjeringen legger til grunn at Avinor vil bli tilført midler for å gjennomføre disse investeringene. Som det ble varslet i NTP, er det videre behov for utredning av spørsmålet om ny lufthavnløsning for Lofoten. Ut fra NTP følger det også at det skal startes opp en prosess for å få på plass en langsiktig løsning for sivil luftfart i Bodø. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av hvordan eventuell statlig støtte skal innrettes ved endringer i lufthavnstrukturen. Utviklingen innen flysikringstjenesten er viet stor plass i meldingen. Flysikring og lufthavnsdrift er to forskjellige forretningsområder, og Samferdselsdepartementet vil åpne for at Avinor kan skille ut flysikringsdivisjonen som et eget datterselskap av Avinor AS. Samferdselsdepartementet vil ellers ikke åpne for at Avinor skal kunne engasjere seg i leveranse av flysikringstjenester i utlandet, utover det som måtte følge av Norges deltakelse i den nordeuropeiske luftromsblokken NEFAB. Samferdselsdepartementet vurderer det heller ikke som formålstjenlig å konkurranseutsette flysikringstjenestene i Norge. Departementet vil likevel åpne for at lufthavner utenfor Avinor som i dag kjøper flysikringstjenester av Avinor, sjøl skal kunne velge om de vil kjøpe derfra eller kjøpe flysikringstjenester fra andre leverandører. Representanten Hareide stilte meg et spørsmål om forenklet transfer og viste til den forhistorien som den saken har. Det er riktig at det har vært nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å gå igjennom den problematikken,

Og jeg må si at jeg er glad for at det er en samstemt komité som står bak dagens innstilling. Det blir replikkordskifte. Vi ser at Avinor har store investeringsbehov de neste og selv om jeg forstår at de fire største lufthavnene har prioritet, så må også Avinor investere en rekke andre steder – fra Kjevik, Kristiansand, i sør til Kirkenes og Hammerfest i nord. Hva mener statsråden om dagens utbyttepolitikk, hvor vi i dag tar over 500 mill. kr i utbytte, som blir overført til fordel for statskassa – penger som Avinor meget vel kunne ha investert i utbedringer av flyplasser? Og er det ikke slik at Avinor har best bruk for disse pengene selv, når vi ser hvilke oppgaver de faktisk har stående foran seg? Regjeringen legger ikke til grunn noen endringer i dagens utbyttepolitikk, som jo for så vidt ikke er for så vidt ikke er særegen for Avinor, men som på generelt grunnlag gjelder for statlige selskap, og som alle statlige selskap – også Avinor – blir nødt til å forholde seg til. Så vi har ikke koblet utbyttepolitikken med de behovene de nødvendigvis har i sin investeringsplan, men vi sier jo også i meldingen at vi vil komme tilbake til spørsmålet om en mulig tilføring av midler, bl.a. når det gjelder den type lufthavner som representanten her nevner, og også når det gjelder andre deler av investeringsplanen til Avinor. Replikkordskiftet er avsluttet. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter.

og alle er strålende fornøyd og jubler over at Avinor er flinke. En er litt bekymret over en mulig overskridelse på investeringer, men ingen stiller spørsmål ved måten dette skjer på, ingen stiller spørsmål ved organiseringen. Tvert imot er en veldig fornøyd. Da begynner jeg å lure: Når dette er en suksess, hvorfor kikker vi ikke på dette som en måte å organisere veibygging og jernbaneutbygging på – i tråd med det som finansministeren anbefalte før han ble finansminister, nemlig f.eks. å organisere Statens vegvesen – eller Jernbaneverket – på samme måten som Avinor? For da kunne vi jo gitt også dem den samme muligheten til å planlegge langsiktig, ha eget budsjett og gjennomføre prosjektene bedre og billigere enn i dag. En er altså samstemt om at Avinor er en god idé, og jeg håper denne debatten også har inspirert til å kikke på måten å organisere øvrig infrastruktur på. En har fått det til på flyplasser, en har fått det til på kraftlinjer, en har fått det til på kraftproduksjon, på oppdrettsanlegg – men dessverre ikke på vei og jernbane. Jeg skal ikke hale ut debatten mer, utover å håpe at i hvert fall samferdselsministeren reflekterer litt over dette. Hun skulle være et friskt pust i regjeringen, men så langt er hun dessverre en brems. Representanten Hareide, og nå Solvik-Olsen, snakket i sine innlegg så langt er hun dessverre en brems. Representanten Hareide, og nå Solvik-Olsen, snakket i sine innlegg om organiseringen av Avinor og fortalte oss at den var vellykket og at selskapet driftes bra. Det er jo greit, og det er vi for så vidt enig i, men jeg vil nok understreke at det har vært noen skjær i sjøen på veien fra Luftfartsverket og fram til i dag, for å si det mildt, men vi gleder oss over at det er et selskap som i dag går bra. Men enda mer interessant er det når representanten Hareide sammenligner Avinor med Jernbaneverket. Det er jo en litt snodig sammenligning. Avinor har bl.a. helt andre inntektsmuligheter enn det Jernbaneverket har, bl.a. taxfree. Mener Kristelig Folkeparti at det er en idé å åpne for dette også på jernbanestasjoner? Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 14. Etter ønske fra transport- og

også på jernbanestasjoner? Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 14. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en

i komiteen – alle utenom Fremskrittspartiet – har samlede merknader til hovedsaken. Oslofjordtunnelen har stor betydning. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen har stor betydning som avlastningsvei utenom og sør for Oslo. Siden veien ble åpnet, har trafikkveksten vært stor, fra 3 900 biler i døgnet ved åpningen i år 2000 til Dagens tunnel har utilfredsstillende regularitet. De som hører på trafikkmeldingen på NRK radio, hører nesten daglig at Oslofjordtunnelen er stengt. I perioden 2008–2010 har den vært stengt 435 ganger. Den store trafikkveksten har også gjort trafikksituasjonen inn mot Drammen, spesielt forbi Lahell i Lier og inn mot Asker og gjennom Frogn svært er årsdøgntrafikken nesten 20 000 biler gjennom en 40-sone midt i et boligområde. Flertallet viser til at det i Nasjonal transportplan er foreslått å bygge ut Dagslett–Linnes, som er en forbindelse mellom Lier og Røyken, og videre påkobling til E18 i løpet av planperioden. Dette er helt nødvendig, og burde selvfølgelig vært på plass lenge før det ble aktuelt å utvide Oslofjordforbindelsen til to løp. Flertallet støtter forslaget om å videreføre bompengeinnkreving med reduserte satser på eksisterende bomstasjon på Måna i inntil tre år, når dagens prosjekt er nedbetalt i august 2013. Videre støtter flertallet at det foretas en utredning av bru som alternativ til tunnel for rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Parallelt med dette er Statens vegvesen bedt om å arbeide videre med et opplegg for bygging og Dersom det mot formodning ikke blir aktuelt med bygging av et nytt tunnelløp, vil bompengeinntektene bli benyttet til andre tiltak i området, i samråd med Buskerud og Akershus fylkeskommuner. Flertallet vil understreke at alle berørte kommuner og de to fylkeskommunene støtter et sånt opplegg. Det vil etter flertallets mening være nødvendig å benytte noe av midlene som kreves inn, til trafikksikkerhetstiltak langs Flertallet vil videre be om at det i utredningen av et brualternativ også blir vurdert en framtidig forlengelse av Spikkestadbanen, med påkobling til Østfoldbanen. Sett i lys av den kraftige befolkningsøkningen i og rundt Oslo vil en ringbane sør for Oslo være svært interessant. Rv. 23 inngår som en del av det transeuropeiske veinettet i Norge, TEN-T-veinettet, og det er et krav at tunnelens sikkerhet blir oppgradert senest innen 30. april 2019. Flertallet vil med bakgrunn i de planlagte utbedringer som er foreslått på rv. 23, be om at denne blir vurdert omklassifisert som en siste del av E134, som i dag stopper i Drammen, og isteden går fram til Vassumkrysset mot E6 i Frogn. Dette var altså tatt opp i merknadene i Nasjonal transportplan. Komiteens medlemmer fra Høyre peker også på at Moss–Horten er det mest trafikkerte riksveiferjesambandet i Norge, og at når en nå skal lage en konseptvalgutredning for dette med Oslofjord-kryssing, må en også ta med seg de mulighetene som ligger i en kryssing lenger sør. Jeg har lyst til å understreke at denne saken egentlig viser hvor skjevt en kan komme ut av hoppet dersom en gjør ting i feil rekkefølge. Dagslett–Linnes har vært planlagt så lenge jeg har holdt på med politikk, og det er ganske lenge. Det har vært utsettelser, det har vært krav om og det er ganske lenge. Det har vært utsettelser, det har vært krav om dobbelt tunnelløp som har gjort at det gikk ti nye år, osv. I mellomtiden sto Oslofjordtunnelen ferdig. Den har hatt en formidabel trafikkvekst og er nedbetalt på ca. 13 år, mens en ikke har fått gjort noe med den påkoblingsveien inn mot E18 og Drammen som en skulle hatt på plass for lengst. Nå ser dette heldigvis ser dette heldigvis ut til å gå i orden ved at en setter av midler til rv. 23 Dagslett–Linnes i første planperiode, og at en får til påkoblingen inn mot Drammen på E18 i siste planperiode. Det er svært viktig, fordi de personene som bor langs denne veien, og det er ganske mange, opplever et daglig trafikkaos – jeg skal ikke bruke sterkere ord her – med opptil 20 000 biler, deriblant en svært stor andel vogntog. Så her må en

Jeg er ganske overrasket over en del partier som i hvert fall sier at forutsetningen for å si ja til dette, er at man skal ha nytte av bompengeprosjektet. Men her skal man altså kreve inn 130–140 mill. kr netto i året i tre år, uten at de som faktisk bruker veien, kanskje noen gang, kommer til å få oppleve verdien av de pengene de skal betale inn i bompenger.

gå. Så kommer resultatet, og så må man bare si at nei, vi må bare fortsette å kreve inn penger, for hvis ikke får vi trøbbel fordi det blir altfor mange biler som kjører gjennom tunnelen – en farlig tunnel som vel egentlig aldri burde vært bygd, og som definitivt nå ikke tilfredsstiller verken norske krav eller EU-krav til hvordan tunnelsikkerhet skal være. Det er trøbbel der støtt og stadig. Nesten hver dag er det en eller annen uforutsett hendelse som skjer i den

Stortinget bør bite seg merke i at NAF har laget et meget omfattende brev om hva de mener om det stortingsflertallet nå er i ferd med å gjøre, da også om at dette bryter med nytteprinsippet. Jeg synes det er rart at man har et flertall som synes det er greit bare å bare å fortsette å flå bilistene på denne strekningen. Jeg skjønner at noe av det som kanskje egentlig er grunnen, er at det kan være kjekt å fortsette med bompengeinnkreving, sånn at man ikke nå tar det bort og innfører det igjen når man velger en ny løsning – enten det blir bru eller ny tunnel som skal bygges ved siden av den eksisterende – for da tror jeg mange vil reagere på at man på nytt skal få en ny bomstasjon, og at staten ikke tar det ansvaret den faktisk har, også i henhold til vegloven § 20, om at det er staten som har ansvaret for veiutbygging i Norge. Men det ansvaret har denne regjeringen – dessverre de siste årene med de andre politiske partienes velvilje – ikke brydd seg så veldig mye om. For det som skulle være et spleiselag, har nå blitt til hovedinntektskilden. Det er bilistene som finansierer. Når representanten Helleland viser til ferjefri forbindelse Østfold–Vestfold, Moss–Horten, er vi helt enige i det. Men det passer ikke inn i denne saken i det hele tatt, og derfor valgte vi ikke å gå inn i merknaden fra Høyre. Men vi tar opp mindretallets, Fremskrittspartiets, forslag, og vi utfordrer statsråden til å være med på å sørge for at det blir kjøpt inn en industribrannbil – som er viktig i tunnelsikkerheten – og det utstyret som brannvesenet i Søndre Follo har bedt om å få, som så langt departementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nektet å gi til kommunene. Nå håper jeg i hvert fall at man tar det ansvaret, sånn at man ikke får flere ulykker, og at man har det utstyret man trenger for å håndtere det. Representanten Hoksrud har tatt opp de forslagene han refererte til. Regjeringen foreslår å forlenge bompengeinnkrevinga på rv. 23, Oslofjordforbindelsen mellom Akershus og Buskerud. Den foreslår å forlenge den inntil tre år etter august 2013. Jeg vil være veldig tydelig på at dette er

Bommen på Måna er helt sentral. Den har – så langt jeg husker – en pris på 60 kr for personbilgjennomgang. Dersom den avgiften skulle falle bort, ville sjølsagt trafikken gjennom Oslofjordtunnelen øke mye, og som flere har vært inne på, ville det belaste ikke minst Røyken og Lier på en urimelig måte. Det vi snakker om, er bl.a. å opprettholde en bompengeavgift for å fordele trafikken som har alternativene enten å gå innom Oslo eller utenom Oslo gjennom Oslofjordtunnelen. Vi snakker altså om å styre trafikken. Videre er det riktig som det blir sagt, at Oslofjordtunnelen er en farlig tunnel. Alle som har lest geologi, forstår det ganske fort. Det er midt ute i Oslofjorden her at vi har skillet mellom grunnfjellsområdet og Oslofeltet. Det er utrulig krevende å krysse det. Her snakker vi om sentrale geologiske formasjoner som innebærer Både som følge av å øke kapasiteten og øke sikkerheten blir det nå behov for å utrede bru- og tunnelalternativ. Det er bra at statsråden ser på begge alternativene slik at en får det nødvendige faglige underlaget til å ta en beslutning. Det sies videre fra regjeringa at dersom det ikke er aktuelt med nytt tunnelløp, vil bompengene kunne finansiere andre tiltak i området. området. Jeg vil si at bomplassering på Måna er den eneste fornuftige plasseringa for nettopp å ta gjennomgangstrafikken. Det er gjennomgangstrafikken som har skapt behovet for tunnelen. Det er gjennomgangstrafikken som skaper problemene på Buskerud-sida, og derfor er det sentralt at gjennomgangstrafikken betaler bompenger. Det er det eneste Det kom seint, men det kom godt. Det er bra at regjeringa legger fram forslaget. Vi vil få en avklaring. Tre års bompengeinnkreving gir nødvendige penger til å finansiere veier i området, enten løsningen blir på den ene eller den andre måten. Eg vil slutte meg fullt og heilt til det siste som representanten Eg vil slutte meg fullt og heilt til det siste som representanten Lundteigen sa. Eg hadde ikkje motsett meg det om saka hadde kome tidlegare. Men konklusjonen frå regjeringa er den einaste rette. Det har vore ei omdiskutert avgjerd, vil eg tru. Eg synest det er ei modig avgjerd regjeringa har tatt. Vi skal vere klare over at når vi diskuterer bompengar, er det sjølvsagt viktig å ha med seg

Den har vært etterlengtet, og jeg slutter meg til det som representanten Helleland sa i sitt innlegg, hvor han presenterte saken på en god og fin måte. Han uttrykte den bekymringen vi alle sammen har hatt for den store trafikken som har gått gjennom Lier i så veldig mange år. Jeg husker godt at det var veldig mye diskusjon om etableringen av tunnelen og forbindelsen i sin tid, og og man greide ikke den gangen å forestille seg hvor stor trafikken skulle bli. Den er blitt stor, og den kommer til å vokse. Det er også ønskelig sett fra et overordnet synspunkt at den trafikken vokser med tanke på Oslo, slik at Oslo skal bli avlastet sin trafikkmengde. At vi får det på plass nå, er viktig. Like viktig er det som saksordføreren også sa, nemlig hvor tilkoblingen til komme. Det er det store problemet for Lier, nemlig hvordan man skal føre denne tunnelforbindelsen fram til E18. Da må man over på veldig følsomme områder. Det er klart at det utredningsarbeidet som nå skal starte, er veldig viktig å få til, og vi håper at vi klarer det i løpet av planperioden. Jeg ser at benytter anledningen gjennom Stortinget å si til ham at det er av stor betydning for Lier at man har et godt trykk på den planleggingen, selvfølgelig sammen med de kompetente miljøene i Lier kommune, som på sin måte har et ansvar her. Det ikke er nødvendig å si det flere ganger, men jeg vil bare kort men jeg vil bare kort berømme regjeringen for beslutningen om videreføring av bompengene. Det er det eneste riktige å gjøre med tanke på hvordan denne forbindelsen over eller under fjorden skal videreføres for framtiden. Uten dette hadde vi ikke fått det til. Jeg forundres over at Fremskrittspartiet med såpass stort engasjement motsetter seg det som er åpenbart riktig i denne sammenhengen, nemlig å gjennomføre bompengeordningen, slik at vi kan få gjennomført denne planleggingen på en seriøs og ordentlig måte. Det er ikke mulig å tenke seg en god løsning på trafikkforbindelsen i dette området for framtiden uten at vi har en effektiv forbindelse over fjorden. Det er noen saker som byr på noen krevende avveininger. På en måte er dette

Byggetrinn 1 av prosjektet vil da være nedbetalt. Men i proposisjonen fra 1996 om delvis bompengefinansiering av Oslofjordforbindelsen var det forutsatt at prosjektet skulle bygges ut i to trinn i takt med trafikkutviklingen. En må nok si – som representanten Kolberg også sa – at spørsmålet er om man på det tidspunktet forutså hvor stor trafikkutviklingen skulle bli. Trafikkveksten i tunnelen har vært langt høyere enn forutsatt. forutsatt. Tunnelen har vært utsatt for stengninger, og den har hatt dårlig regularitet. Jeg tror også at vi skal ta høyde for at det er strengere krav om sikkerhet i tunneler nå enn det det var i 1996. Statens vegvesen har satt i gang planleggingen av andre byggetrinn med et nytt parallelt tunnelløp. Samtidig tas det med en slik beslutning noen valg som er meget Oslofjorden. Det innebærer at Samferdselsdepartementet i tillegg har bedt Statens vegvesen om å utrede en bruløsning som et alternativ til en tunnel, slik at besluttende myndigheter skal ha mulighet til å ha den nødvendige bredde for sine beslutninger. Mulige løsninger for bru eller tunnel er en del av det pågående utredningsarbeidet med kryssing av Oslofjorden. Hvis konklusjonen etter utredningsprosessen blir at det skal bygges et nytt tunnelløp, vil departementet innen tre år legge fram et detaljert opplegg for bygging og finansiering av andre byggetrinn. En eventuell bruløsning, derimot, vil ligge lenger fram i tid. Foreliggende forslag om forlenget bompengeinnkreving er ikke forutsatt benyttet som finansiering av en eventuell bruløsning. Dersom det ikke blir aktuelt med bru i stedet, vil inntektene, i samråd med Buskerud og Akershus fylkeskommuner kunne bli benyttet til vegtiltak i området. Jeg har merket meg at Fremskrittspartiet mener at det er behovet for trafikkregulering som er det avgjørende argumentet for en videreføring av bompengeinnkrevingen. Det er ikke tilfellet. Det foreliggende forslaget om videreføringen av innkrevingen har som hovedformål å finansiere bygging av eventuelt nytt tunnelløp. Det er klart at den trafikkveksten som man har opplevd, og som man nok kommer til å oppleve, er et argument for at man meget raskt må finne en løsning for kryssing av Oslofjorden. Alle berørte kommuner, og Buskerud og Akershus fylkeskommuner, har sluttet seg til forslaget om forlenget innkreving. På regjeringens vegne er jeg meget glad for at et bredt flertall i Stortinget også i dag slutter seg til det forslaget. Det blir replikkordskifte. Det er ingen som er uenig i at dette er et viktig prosjekt å få på plass. Selv om statsråden sier at det ikke er grunnen til Hoksrud, vær så god.

må jeg si: Statens vegvesen er blitt bedt av Søndre Follo brannvesen om et tilskudd til beredskapsmateriell. Det er nøye vurdert i Statens vegvesen. De viser i sitt svarbrev til at Rygge flystasjon ligger i umiddelbar nærhet, og at Oslo brann- og redningsetat har mobilt vifteutstyr som kan rekvireres ved større branner. Derfor finner de ikke grunn til å etterkomme Follo brannvesens anmodning om tilskudd. Vegdirektoratet har gitt sin tilslutning til Statens vegvesens vurdering, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har også gitt sin tilslutning til en slik vurdering. Jeg finner derfor ikke grunnlag for å stille spørsmål ved de vurderingene som er gjort i denne saken. Hvis ingen fra andre partier ønsker ordet, er det i orden at representanten Hoksrud får ordet til en replikk til. – Representanten Bård Hoksrud, vær så god. Takk for det, president. I komiteen ble jeg lovet at noen andre skulle gi fra seg replikken sin, i og med at jeg ba om at vi skulle ha fem replikker. Derfor regnet jeg med at jeg skulle få en andre replikk. Jeg må si jeg stusser ganske mye over argumentasjonen, at det bare er å hente en brannbil fra flyplassen på Rygge. Det er ganske langt fra Moss og Rygge til Oslofjordtunnelen. Når det skjer en stor brann inne i en tunnel, handler det om stusser ganske mye over svaret. Jeg har litt erfaring, fra den gangen jeg var i militæret. Da var jeg i brannvesenet og lærte om hvor viktig det var å komme raskt til branner og å få slukket dem så raskt som mulig. Så jeg synes dette virket noe søkt. Jeg vil nok en gang be statsråden om å ta med seg dette tilbake. Det er ingenting som tyder på at trafikken kommer til å gå ned, selv om man fortsatt kommer til å kreve bompenger på den strekningen. Alt tyder på at veksten vil fortsette, på tross av de forutsetninger som ligger der, og det som flertallet kommer til å på tross av de forutsetninger som ligger der, og det som flertallet kommer til å vedta i dag. Som sagt finner jeg ingen grunn til å sette spørsmålstegn ved de vurderingene som er gjort av ulike fagetater i denne saken – både av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Vegvesenet og Vegdirektoratet. Men jeg har lyst å si at når det gjelder

tunneler, som også vil få den økte belastningen dersom det blir ny og forbedret Oslofjordforbindelse. Ligger det inne i planene at man skal se på hele forbindelsen på rv. 23 fram til Røyken, eventuelt med påkobling av den nye Dagslett–Linnes, som blir firefeltsvei? Det pågående KVU-arbeidet handler om kryssingen av Oslofjorden. Det handler om valg mellom tunnel og bru. Dessuten gjelder det en del andre spørsmål knyttet til kryssing av Oslofjorden. Jeg kan ikke på stående fot si om de punktene representanten tar opp, ligger i den vurderingen. Det skal jeg gjøre meg kjent med. Jeg syns det vil være naturlig at man også tar det med inn i det videre utredningsarbeidet. For øvrig er jeg helt enig i at med bakgrunn i trafikkveksten, er dette et utredningsarbeid som haster.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

har kommet litt sent til behandling i komiteen fra regjeringen. Komiteen har behandlet den raskt. Det har ikke vært en vanskelig sak, og det har vært stor politisk enighet om den – med ett enkelt unntak. Miljøpakke trinn 2 er en videreføring, selvfølgelig, av Miljøpakke trinn 1. Det er åtte partier i kommunestyret i Trondheim og fylkestinget i Sør-Trøndelag som nå står bak miljøpakken i Trondheim – noen flere i trinn 2 enn det var i trinn 1. Det som er gledelig å registrere, er at det er gode resultater så langt. 2012 har vært et jubelår for kollektivtrafikken i Trondheim og omegn. I Trondheim steg tallet på passasjerer i kollektivtransporten med 10,8 pst., mens i det utvidede takstsamarbeidsområdet har det blitt 18,1 pst. flere kollektivreisende.

Det er kombinasjonen av bilbegrensende tiltak og forbedret kollektivtilbud som gir positiv effekt. Det er også positive resultater når det gjelder utviklinga for trafikkulykker og for utslipp av CO2 og NO2. Vi er mange som mener at dette er i tråd med klimaforliket. Det er også tiltak som øker trafikksikkerheten og gir bedre løsninger for syklende og gående i miljøpakken. Det bygges et omfattende nett av for ytterligere å øke den store sykkelandelen som allerede er i Trondheim. Det er gledelig å registrere at 1. juni ble verdens eneste sykkelheis, sykkelheisen Trampe, som går opp til Bakklandet, gjenåpnet i en forbedret utgave. Det er ett av de håndfaste bevisene på at miljøpakken gir konkrete resultat og konkrete prosjekter. En nesten samstemt komité mener dette er i tråd med klimaforliket, og at de gode resultatene skyldes en kombinasjon av restriktive tiltak for privatbil, oppgradering av kollektivtilbudet og oppgradering av infrastrukturen for sykkel. Derfor er det heller ikke noe problem for en nesten samstemt komité, med unntak av Fremskrittspartiet, å stå bak komiteens tilråding, som er en tilslutning til forslaget fra regjeringa om en videreføring av miljøpakken i Trondheim – Miljøpakke trinn 2. Jeg representerer unntaket, og jeg tar opp Fremskrittspartiets forslag i

Vi har fra Fremskrittspartiets side en protokolltilførsel om det i komiteen. Det spesielle med denne saken er at dette også skjedde med trinn 1 i Miljøpakke Trondheim, som kom til Stortinget 8. juni 2009 – for fire år siden – da også på overtid, så å si i 13. time, med tanke på en ansvarlig Dette gir overflatisk saksbehandling. Det gir inntrykk av at flertallsregjeringen faktisk betrakter Stortinget som et ekspedisjonskontor, spesielt i bompengesaker. Fremskrittspartiet er for godt miljø i de største byene – vi er for godt miljø i Trondheim, i Bergen, i Stavanger og i Oslo. Men Fremskrittspartiet mener at staten ved regjeringen skal og må ta finansieringsansvar for nødvendige investeringer i vei- og banenett i storbyene. Vi viser til vårt alternative forslag, som er behandlet tidligere i dag i forbindelse med Nasjonal transportplan for 2014–2023, der vi øker investeringene for vei og bane, og der Fremskrittspartiet også har en egen storbypakke. Fremskrittspartiet mener staten ved regjeringen må ta langt større ansvar for finansiering av driften av kollektivløsningene. Igjen viser jeg til våre forslag i ny NTP om å endre betingelsene knyttet til belønningsordning og endre innretningen av de nye bymiljøpakkene og gjennom Fremskrittspartiets egne forslag om storbypakke og egen kollektivpakke. Ikke minst vil Fremskrittspartiet sørge for at skjevhet i statlig kjøp av kollektivtransport i de største byene, utlignes ved å prioritere mer til de av de fire som har lite jernbanebasert kollektivtransport, og derved får lite statlig bidrag til slik kollektivtransport. Jeg viser til våre merknader i forbindelse med NTP om nettopp det. Med en slik innretning blir det gode riksveier, det blir gode kollektivløsninger, og det blir godt miljø også i Trondheim – og det blir det uten bompenger. I denne pakken ligger det bompenger på totalt 7,9

Det er slik denne regjeringen velger å finansiere samferdselsløsningene. I løpet av åtte år er det blitt mange slike saker. Fremskrittspartiet har fulgt godt med. Det er blitt en formidabel bompengeregning, nå på 166 mrd. kr. Det er summen av alle de prosjektene med bompengefinansiering som Stortinget har behandlet de siste åtte år med en flertallsregjering. Bompengebidraget er behandlet de siste åtte år med en flertallsregjering. Bompengebidraget er på 120 mrd. kr, bompenger til å betale renter er på 36 mrd. kr, og bompenger for å betale innkreving av bompenger er 10,5 mrd. kr. Finansieringstillegget er altså på nesten 40 pst. Det blir dyrt i verdens rikeste land når bilistene er når bilistene er nødt til å kjøpe vei på avbetaling. Representanten Arne Sortevik har tatt opp de forslagene han refererte til. Den innkalte vararepresentant for Hordaland fylke, Helge André Njåstad, tar nå sete. Miljøpakke Trondheim trinn 2 er en forlengelse av pakke Den har vært vellykket. Hensikten var å redusere biltrafikken og øke kollektivtrafikken, og det har skjedd. Allerede i 2010, da man innførte bommene, fikk man en reduksjon på biltrafikken med 10 pst., og kollektivtrafikken har gått betydelig opp. Denne pakken, trinn 2, ble vedtatt av kommunestyret i Trondheim våren 2012, 2010, da man innførte bommene, fikk man en reduksjon på biltrafikken med 10 pst., og kollektivtrafikken har gått betydelig opp. Denne pakken, trinn 2, ble vedtatt av kommunestyret i Trondheim våren 2012, og åtte partier sto bak. Det er ett år siden, og vi kunne godt ha fått denne pakken noe før. Denne pakken har tilsvarende hensikter: bedre hovedveinett, kollektivtilbudet skal bli bedre, og forholdene for dem som går og sykler, skal bli bedre – og der er det et betydelig potensial i Trondheim. Det skal bli lavere er det sånn at denne pakken koster en del penger, 9,8 mrd. kr, og den hviler tungt på brukerfinansiering. Derfor har Høyre sagt at 50/50-fordelingen mellom vei og miljø bør være det laveste når det gjelder veidelen – altså hva som brukes til vei. Vi konstaterer at prosjektet med tunnel fra Byåsen til Sluppen bru er det siste prosjektet i Dette prosjektet vil avlaste tett befolkede områder på Byåsen for en betydelig trafikkmengde, styrke trafikksikkerheten for skolebarn og gjøre det mulig å etablere pendlerruter for buss fra Byåsen til østlige deler av Trondheim – meget viktig. Så vil vi understreke at veidelen av miljøpakken må planlegges, slik at det blir rom for å gjennomføre denne delen av prosjektet. Likeledes viser vi til at det er lokalpolitisk vilje til å etablere et ytre system for kollektivtransport kollektivtransport i tillegg til dagens rute gjennom sentrum. Det vil være meget viktig, slik at de som bor på østsiden av byen og jobber på vestsiden, kan pendle og komme rimelig godt igjennom byen – og motsatt for dem som bor på østsiden. Det må planlegges med tanke på å gjøre det mulig å gjennomføre dette prosjektet. Vi støtter prosjektet, på tross av den store kostnaden.

Ein får redusert forureininga frå biltrafikken i Trondheim, ein får fleire til å sykla, og ein får fleire til å ta bussen og trikken – ein kan til og med ta heisen med sykkel, så då begynner det å nærma seg gode greier. Men så har me igjen ein illustrasjon på kor enkelt det skal bli for Kristeleg Folkeparti og Høgre – og andre parti som er med på dette – når Framstegspartiet kjem. Dei har berre gulrøter i sekken

for å ta vekk bomringane, noko som faktisk gjer at dette verkar. Så her står utfordringane i kø. Det er greitt å ønskja seg noko nytt, men det er òg viktig å gå vidare med det som verkar. Dette har verka i Stockholm, det har verka i Gøteborg, og det verkar i Trondheim. Næringslivet likar det, folk likar det – nå er det snart berre folk flest igjen som ikkje likar denne politikken.

ble behandlet i Stortinget i juni 2009. Midlene i trinn 1 er i hovedsak blitt benyttet til to store vegprosjekter og en rekke tiltak som omfatter gang- og sykkelveger og kollektivtrafikk. Trinn 2 innebærer i hovedsak en videreføring og utvidelse av trinn 1. Miljøpakke Trondheim omfatter bl.a. utbygging av et avlastende hovedvegsystem rundt Trondheim og av E6 sør for byen. I tillegg kommer tiltak for å legge til rette for kollektivtrafikk, gående og syklende. Hensynet til trafikksikkerhet og miljø er også prioritert. Miljøpakken har bl.a. som mål å redusere biltrafikken og øke reisene med miljøvennlig transport. Det har så langt vært vellykket. Biltrafikken er redusert med ca. 10 pst. siden innkrevingen av bompenger startet i 2010, og kollektivtrafikken har økt med ca. 40 pst. siden 2008. Miljøpakke Trondheim er et samarbeid med økonomiske bidrag fra staten, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, i tillegg til bidrag i form av bompenger. Tiltakene i trinn 2 gir en balansert avveining mellom nødvendig vegutbygging og styrking av miljøvennlig transport. Bompengeordningen utvides med flere bomstasjoner, og det er et tiltak som kommer til å begrense biltrafikken, men som samtidig øker inntektene for å finansiere utbyggingen av et mer miljøvennlig og effektivt transportsystem. Det er planlagt 16 nye bomstasjoner i tillegg til dagens 7. Alle bomstasjonene får innkreving hele døgnet og i begge retninger. Ordningen med høyere takster i rushtiden kommer til å bli videreført. Det er viktig å understreke at etter at det nye bompengeopplegget har vært i drift i ett år, skal det gjennomføres en evaluering for å vurdere om bompengeinnkrevingen og bruken av bompengemidlene er innrettet slik at det Det gjelder bl.a. særlig forholdet mellom Trondheim og omliggende kommuner. Utbyggingen av E6 Jaktøya–Klett–Tonstad og rv. 706 Sluppen–Stavne inngår i Miljøpakke Trondheim og er prioritert med til sammen 1,6 mrd. kr i statlige midler i Nasjonal transportplan, som vi nettopp har behandlet. I tillegg kommer statlige midler over programområdene, og det er også aktuelt med statlige midler fra og fra den nye ordningen med helhetlige bymiljøavtaler. Miljøpakke Trondheim betyr at arbeidet med å fjerne flaskehalser for kollektivtrafikk vil bli videreført, bl.a. ved å etablere kollektivfelt og oppgradere dagens knutepunkter og holdeplasser med universell utforming og bedre trafikkinformasjon. For de som om noen år kommer reisende til Trondheim, kommer ombyggingen av Elgeseter gate til en kollektivgate med høy standard til å framstå som en meget klok løsning. Det er også lagt opp til å fornye trikketraseen mellom St. Olavs gate og Ila. I likhet med flertallet i komiteen mener jeg at det er en styrke for Miljøpakke Trondheim at det er bred politisk enighet om trinn 2, og at nesten hele Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet, står bak Avslutningsvis vil jeg gjerne få lov til å takke Stortinget for en rask behandling av saken og også gratulere alle i Trondheims-området som kommer til å få nytte av det neste trinnet i Miljøpakke Trondheim. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 16. Det foreligger ikke noe debattopplegg. Det betyr at vi skal ha

Alle partiene støtter innstillingen, med unntak av Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet har et eget forslag, der vi øker grunnbeløpet ut fra det vi tidligere har stått på, og ikke minst også ut fra at vi mener det er behov for at alderspensjonister kan oppreguleres, og uten at man bryter lovgivningen, med tanke på den underreguleringen som skjedde i tidligere trygdeoppgjør i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

kjernen av kanskje de viktigste skillelinjene i norsk politikk. Det går på arbeidslivspolitikken og på bærebjelkene i den norske modellen, som handler om fordeling av makt og penger i samfunnet – en bærebjelke for fellesskap og velferd. Trusselen er ganske tydelig i disse forslagene som Venstre har lagt fram, og sjøl om resten av opposisjonen ikke viser kortene i innstillingen, vet vi at de langt på veg i mange av disse spørsmålene følger Venstre. Det går til kjernen av noe av det som har sikret tryggheten i Norge, nemlig fagbevegelsen. Man ønsker å svekke grunnlaget for den ved å gjøre flere av reguleringene i arbeidslivet universelle og ikke avhengige av om arbeidsplassen har tariffavtale. Man utfordrer også tariffavtalene kraftig ved at man går løs på stillingsvern og klare regler for arbeidstid og arbeidsmiljø, det at de skal gjelde alle uavhengig av om de er organisert eller ikke – altså muligheten til å ha alternative ordninger.

nemlig at de fleste kan bestemme sin arbeidstid sjøl og gjøre deler av jobben fra iPad-en på hytta. Nei, de fleste må stå i butikken, de må være på sykehjemmet, de må undervise i skolen, de må kjøre bussen – de må betjene de funksjonene de skal i samfunnet. Men arbeidslivet er sterkt forandret, med store innslag av sosial dumping som truer arbeidslivet. Derfor vil en såkalt oppmyking av de reglene, som Venstre foreslår, og såkalt oppmyking av de reglene, som Venstre foreslår, og som jeg hører at også store deler av både Høyre og Fremskrittspartiet tar til orde for, forandre norsk arbeidsliv – og da til det dårligere. Påstanden og premisset er at reglene er for stivbeinte. Nei, reglene er ikke stivbeinte. Det er mye fleksibilitet i reglene slik de er i dag, men man har laget en slags trappetrinnsmodell, der mulighetene for unntak fra hovedreglene er mye større hvis man er en fagorganisert eller har en stor forening bak seg. Det er nettopp fordi vi vet at den enkelte arbeidstaker noen ganger presses utover sin evne når det gjelder arbeidstid. arbeidstid. Det er også fordi vi vet at det ikke er noe jevnbyrdig styrkeforhold mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver, som jo er en bedrift. Denne jevnbyrdigheten som forslaget bygger på, er ikke til stede hvis man ikke holder oppe både fagbevegelsens styrke og dens muligheter til å kunne håndtere regelverket i fellesskap. Jeg får ikke tid til å gå igjennom hvert enkelt forslag, men i hovedsak kan jeg si at en generell adgang til midlertidig ansettelser inntil tolv måneder – som Venstre ønsker – vil åpne for langt flere midlertidige ansatte. ansatte. Det er det sterke lovkravet til faste ansettelser som medvirker til at midlertidige ansatte får fast arbeid. Det er den sammenhengen som gjør at midlertidig arbeid kan føre til fast arbeid. Det er også slik at kravet til avtale med arbeidstakerorganisasjoner når det gjelder fleksibilisering i arbeidstidsreglene, er bevisst laget fordi den enkelte arbeidstaker ikke skal kunne presses til avtaler som bryter med hovedhensynet – nemlig at man skal ha et arbeidsliv som også tar hensyn til helsa til folk, og at folk skal kunne stå hele arbeidslivet ut og nå pensjonsalderen som arbeidstaker. Jeg vil først få lov til å si at man kan få et inntrykk av når man hører debatter i denne sal og også i media, at arbeidslivspolitikken er svart-hvitt, og at det er kun dagens regjering som liksom er den snille. Det store skremselsbildet er en ny regjering og de slemme ulvene som nærmest skal sable ned det arbeidslivet som er bygd opp gjennom mange generasjoner. Slik er selvfølgelig ikke hverdagen, og slik er selvfølgelig ikke verden.

Vi ser at siden arbeidsmiljølovens far, Thorbjørn Berntsen, snekret arbeidsmiljøloven på slutten av 1970-tallet, har mye endret seg, både hverdagen til familier og næringslivet har endret seg. Et moderne samfunn må etter Fremskrittspartiets syn til enhver tid også klare å imøtekomme de utfordringene som det fører med seg inn i et arbeidsliv. Hvis vi ønsker et mer inkluderende arbeidsliv og de utfordringene som det fører med seg inn i et arbeidsliv. Hvis vi ønsker et mer inkluderende arbeidsliv og større arbeidsdeltakelse, er vi helt avhengig av at vi får et mer fleksibelt arbeidsliv, men samtidig bevarer tryggheten som dagens lovgivning gir innenfor de rammene som man har. Jeg går ikke inn på de enkelte forslagene og heller ikke inn på alt som saksordføreren sa, fordi vi for kort tid siden har hatt en større debatt knyttet til arbeidslivsmeldingen, der partiene ganske grundig har tilkjennegjort sin politikk. Men det er også riktig, som saksordføreren sa, at Fremskrittspartiet er enig i en del av de forslagene som Venstre her fremmer i sitt representantforslag.

Det ligger ikke i innstillingen. Det er for sent å fremme det forslaget nå, men vi vil stemme imot innstillingen med den begrunnelse at vi ikke ønsker at forslaget skal avvises, fordi vi støtter deler av det. Vi stemmer imot det. Vi skulle helst ha ønsket at det hadde vært vedlagt protokollen. Det er vår begrunnelse for å stemme imot

allierte i opposisjonen, så vi begår også de samme feilene. En av de feilene er at vi i komiteen ikke har fått fremmet det som skulle være vår alternative innstilling, nemlig at saken skulle vedlegges protokollen. Jeg har forstått det slik at det er mulig å fremme et forslag om det selv nå, og at Stortinget tar stilling til hvorvidt det forslaget skal behandles eller ikke. Hvis det er mulig, fremmer jeg et forslag – på Høyres vegne i hvert fall – om om at det skal vedlegges protokollen, og at det blir stilt opp imot den innstillingen som ligger der nå. Hvis ikke ønsker også vi å stemme imot den innstillingen som foreligger. Det er ofte noe interessant over arbeidslivsdebatten i Norge, for av en eller annen grunn blir det slik at når opposisjonspartiene – i hvert fall de nåværende opposisjonspartiene – fremmer forslag om oppmykninger, tilpasninger og forsiktige liberaliseringer, blir det umiddelbart stemplet som et slags angrep på den norske modellen. Nå er det verdt å huske at det ikke er så fryktelig mange år siden det satt en regjering som hadde navnet Stoltenberg I. I den regjeringen forsto man nettopp det samme som opposisjonen har forstått i dag, nemlig at i et arbeidsliv som stadig er i endring, trenger man Da nytter det ikke å si som tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at for Arbeiderpartiet er arbeidsmiljøloven hellig – rett og slett fordi hellige skrifter tukler man ikke med, mens lover er til for å være tilpasset samfunnet slik det faktisk er. Da Stoltenberg I-regjeringen satt, så man nettopp behovet for en litt mer fleksibel arbeidsmiljølovgivning. Daværende statsråd Jørgen Kosmo

tillitsvalgte lokalt skulle kunne forhandle seg frem til mer fleksible arbeidstidsordninger enn i dag – nettopp den type forslag som opposisjonen nå har samlet seg om. Da er det verdt å huske på at dette ikke er trusler mot den norske modellen. Det at man har et fleksibelt og trygt arbeidsliv, er jo selve grunnlaget for den norske modellen. Det som derimot kan være en trussel, er hvis virkeligheten og arbeidslivet endrer seg uten at lovverket følger etter. Da får man en situasjon hvor lovens bokstav kanskje kan være streng, men hvor den reelle beskyttelsen for arbeidstakerne der ute blir ganske liten fordi loven i praksis oppfattes som veiledende eller ikke er mulig å etterleve på mange arbeidsplasser og bedrifter. Derfor tror jeg helseminister Jonas Gahr Støre hadde et ganske godt innspill på det sosiale mediet da han ble konfrontert med at sykehuset Ahus hadde 9 099 brudd på arbeidsmiljøloven i årets fire første måneder. Da twitret Jonas Gahr Støre, jeg siterer fritt etter hukommelsen: Ikke bra. Et problem, ikke bare med praksis, men også med loven? Den typen åpen holdning skulle jeg ønske at de nåværende regjeringspartier også kunne samle seg bak, for da kunne vi faktisk hatt en også involverte partene i arbeidslivet – om hvordan vi kan få et bedre og mer fleksibelt arbeidsliv som fortsatt gir trygghet for arbeidstakerne. Det er mange gode forslag blant de Venstre fremmer i dag. Veldig mange er Høyre enig i. Retningen er hele opposisjonen enig i. i. Vi viser derfor til arbeidet med arbeidslivsmeldingen, hvor Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti samlet seg om en rekke betraktninger rundt norsk arbeidsliv, herunder behovet for å sikre den grunnleggende tryggheten, samtidig som man hadde noen oppmykninger og liberaliseringer. Det er også et par forslag som Høyre er uenig i, som gjør det vanskelig for oss å stemme over forslagene som helhet, altså forslagene som en pakke. La meg bare kort nevne to. Vi er skeptiske til hvorvidt det vil bli bedre for midlertidig ansatte om man kutter grensen for når de skal få fast ansettelse, fra fire til to år, rett og slett fordi det veldig raskt kan bety at flere skyves raskere ut, istedenfor at de får en fast stilling. Vi er også veldig skeptiske til at man skal frata partene i arbeidslivet muligheten til å fravike arbeidstidsbestemmelsene, altså få fagforeninger med innstillingsrett, fordi vi i verste fall vil risikere å lamme store deler av f.eks. norsk oljeindustri. Til representantens spørsmål om det er anledning til å legge fram forslag, som så kommer til votering: Det er i strid med Stortingets forretningsorden å gjøre det.

Presidenten håper dette er en akseptabel måte å gjøre det på. Det vil presidenten tro, siden alternativet er at presidenten allerede nå sier nei. Man kommer til å gå fram på denne måten for å få behandlet denne uryddigheten på en forsøksvis ryddig måte. Jeg vil først si at Kristelig Folkeparti følger Fremskrittspartiet og måte. Jeg vil først si at Kristelig Folkeparti følger Fremskrittspartiet og Høyre, ved at vi ønsker å vedlegge dette protokollen, om mulig. Venstre fremmer her et omfattende dokument. I likhet med andre fra opposisjonspartiene som har hatt ordet – iallfall Høyre – vil heller ikke Kristelig Folkeparti kunne støtte alle forslagene. Men vi viser til innstillingen til arbeidslivsmeldingen, hvor det fremgår at mye her vil vi kunne gå et stykke på vei med. Kristelig Folkeparti har den holdning at dersom arbeidsmiljøloven skal endres på noen punkter, er samarbeid med partene i arbeidslivet viktig. Jeg har lyst til å gå inn på et par forslag som vi synes er spennende, men som vi likevel ikke vil kunne støtte slik de foreligger. Venstre påpeker noen interessante forhold som gjør seg gjeldende, bl.a. at nattarbeid slik det er definert i dag, medfører at mange jobber «ulovlig». Dette forslaget vil Kristelig Folkeparti ikke uten videre kunne støtte. Det skyldes at tariffestede rettigheter om nattarbeid og nattillegg for arbeidstakere som jobber om natten, definert innenfor de rammer som i dag eksisterer, må finne sin løsning først. Et annet forslag som kan nevnes, er forslag nr. 8, om søndagsarbeid. En av begrunnelsene fra forslagsstillerne er knyttet til at studenter om sommeren vil ønske å jobbe flere helger enn det som er tillatt i dag. Jeg synes det er en god argumentasjon fra Venstre, sett i forhold til studenter som kan jobbe intensivt i sommerferien. Men i stedet for å åpne for en generell liberalisering av dette kunne det løses ved en forsiktig endring gjennom et unntak nettopp for denne gruppen. Nettopp søndagsarbeid er hett debattert i noen av mediene i disse dager, relatert til spesialisthelsetjenesten og mangelen på helsepersonell, spesielt spesialsykepleiere. De fleste vet at helsepersonell som må jobbe i turnus – morgen, kveld, natt, søndager, helligdager – har et krevende arbeidsliv. At Ahus mangler sykepleiere, er ikke nytt. Bemanningsprosjektet der er alt annet enn vellykket, det vet vi fra tidligere debatter i denne salen. De sliter med å få nok personell både dag, natt og helg, og hullene i turnusene er mange. At staten som arbeidsgiver skal løse dette ved å pålegge en kvinnedominert yrkesgruppe ytterligere ubekvem arbeidstid, med ufrivillig søndagsarbeid, stiller jeg spørsmål De fleste andre yrkesgrupper som må jobbe på søndager, har stort sett en norm for helgearbeid hver tredje søndag. Men kanskje enda viktigere: De har helt andre helgetillegg enn det spesialisthelsetjenesten gir. Dersom de må jobbe mer enn hver tredje søndag, gis det tillegg som helsearbeiderne bare kan drømme om. Man behøver ikke å gå utenom Spekter-området engang for å dokumentere dette. I merknadene fra regjeringspartiene til forslagene fra Venstre mye om det sterke og tillitsbaserte samarbeidet mellom arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden i norsk arbeidsliv. Også statsråden viser til det viktige partssamarbeidet lokalt og nasjonalt som en grunnplanke i den norske samfunnsmodellen. Regjeringspartiene sier også om forslaget om søndagsarbeid at «forbudet mot søndagsarbeid først og fremst er begrunnet i hensynet til arbeidstakeres sosiale og velferdsmessige behov».

Samtidig er det, slik sykepleiernes leder påpeker i Dagens Næringsliv, noen som frivillig vil kunne påta seg mer helgearbeid, gitt bedre økonomisk uttelling. Det skulle da bare mangle at ikke disse i likhet med andre grupper skulle få uttelling. Men den statlige arbeidsgiverorganisasjonen Spekter vil ikke forhandle om dette. Jeg så anledningen til å ta dette opp under denne saken og har vel egentlig lyst til å spørre: Hva mener arbeidsministeren om dette, tro – når man side opp og side ned i innstillingen snakker om søndagsarbeid, og at dette ikke er helsemessig godt for mange? Venstre ønsker seg sterke fagforeninger, men vi ønsker først og fremst en arbeidsmiljølov som er

for alle på alle områder. Vi har fremmet tolv forslag i dag fordi ingen av dem er tatt opp av noen av representantene i komiteen. Jeg skjønner at noen av de store partiene syns det er veldig travelt i innspurten, men det hender at vi andre klarer å henge med sånn noenlunde, sjøl om vi kanskje ikke har tilnærmet samme ressurser som de andre partigruppene. For det første går forslagene våre ut på at arbeidstidsordningene ikke skal føre til at noen må jobbe mer, men at man har muligheten til å ha en større fleksibilitet. Vi har også en stor kamp mot midlertidige ansettelser. Vi merker oss at regjeringspartiene snakker mye om at de er imot midlertidige ansettelser. Men de innstrammingene i midlertidige ansettelser som det er Venstre som foreslår her i dag, viser at det bare er snakk – det er egentlig ikke et reelt ønske om å bekjempe det. Det er noe som virkelig forundrer meg. Er det ett begrep i arbeidsmiljøloven som er veldig uavklart, og som alle – absolutt alle – fagforeninger som jeg har snakket med, har sagt at de vil ha en avklaring av, er det begrepet «uavhengig stilling». Hvorfor regjeringa nekter å definere hva begrepet «uavhengig stilling» hvorfor de nekter å gjøre det alle fagforeningene våre ber om, og hvorfor regjeringspartiene i dag stemmer mot forslag nr. 6, skjønner jeg ikke. Til det andre som jeg er skuffet over: Noen av disse sakene har vi kjempet med noen av de andre opposisjonspartiene om. For eksempel har jeg opplevd å stå side om side med Fremskrittspartiet når det gjelder kampen for varslere. Fremskrittspartiet stemmer i dag imot både forslag nr. 9 og som handler om styrking av varsleres lovfestede rettigheter og en varslerenhet i Arbeidstilsynet. Selv de siste ukene – med tanke på varslinger innen Forsvarsdepartementet – har vist at disse to vedtakene er viktige å få gjennom i Stortinget. IA-avtalen sier alle at er en suksess. et par forskere som har satt noen spørsmålstegn ved den, men jeg tror alle i denne salen har sagt at IA-avtalen er en suksess. At IA-avtalen ikke skal gjelde andre enn dem som har avtale gjennom fagforeningene, syns jeg er urettferdig, og jeg syns det er med på å svekke kampen vi driver for å få ned sykefraværet i norsk arbeidsliv. Hvis vi tror på virkemiddelet, hvorfor skal vi si at 600 000 mennesker ikke skal få lov til å Vi vil også styrke vernet når det gjelder permitterte, som vi mener bør ha lovfestede rettigheter. Så til stemmegivinga, som jeg syns er underlig. Jeg må si det er veldig fristende å kreve separat votering på alle tolv forslagene når det gjentas her at man er mot å stemme for Jeg har ikke noe ønske om at vi skal sitte lenger oppe i natt, men hvis argumentet mot å stemme for Venstres tolv forslag er at de blir fremmet som en pakke, så er de ikke fremmet som en pakke. Jeg fremmer dem herved som tolv forslag, og det kan godt hende at Venstre kommer til å kreve separat votering på hvert enkelt forslag, for da får folk ta stilling til hvert enkelt forslag og ikke si at de er imot samlingen som en pakke. Representanten Trine Skei Grande har iallfall tatt opp de forslagene hun refererte til. Voteringsmåten kommer man tilbake til. Når jeg hører Venstres leder, er det tydelig at hun er indignert over behandlingen forslagene får. Det kan ikke vi på ta spesielt hensyn til. Det er ganske spesielt at lederen for Venstre går til så sterke – hva skal en si – karakteristikker av regjeringspartiene, som at regjeringspartiene er lunkne når det gjelder arbeidet mot midlertidige ansettelser. Det er rimelig feil. feil. Det som særpreger regjeringspartiene når det gjelder arbeidslivspolitikken, enten det er små eller store bedrifter, enten det er sjølstendig næringsdrivende eller andre, er trygge, faste jobber med en inntekt en kan leve av, og at en bør prøve å organisere arbeidslivet i all hovedsak sånn at en kan jobbe på dagtid, og at en unngår søndagsarbeid. Det er noen enkle hovedprinsipper som ligger til grunn.

dette. Det vi opplever i dag, er at arbeidsmiljøloven og den arbeidsinnvandringen vi har i veldig stort monn, utsetter både kulturen i arbeidslivet og vårt lovverk for et press i retning av at det skal bli et hardere arbeidsliv. Dette gjelder langt flere enn fagorganiserte, det gjelder generelt alle som er i Vi kan ikke se det sånn fra Senterpartiets side eller regjeringas side, at vi skulle endre arbeidslivet slik at flertallet av arbeidstakere og bedrifter skulle være tjent med et svakere regelverk og mindre vekt på kollektive løsninger. Det er sentralt for oss å sikre den arbeidsmiljølovgivningen vi har, ikke bare i tekst, men også i balanserer veldig godt god næringsutvikling og jobbskaping med trygghet for dem det gjelder. Det regjeringa gjør når det gjelder å arbeide mot sosial dumping, er da prisverdig, gitt den situasjonen vi står oppe i. Det Venstre legger opp til, er at en skal ha større muligheter for unntak fra de generelle arbeidstidsreglene, og at en også skal kunne avtale unntak med den enkelte.

unngå nattarbeid og søndagsarbeid så langt som råd er. Det som er spesielt i saken, er at Venstre har presentert tolv forslag. Opposisjonen har ikke kommentert noen av de tolv forslagene. Det er ikke fordi en har hatt det travelt, det er vel fordi opposisjonen ikke ønsket å tydeliggjøre hvor en står hen. Det er bare fra opposisjonens side en hen. Det er bare fra opposisjonens side en generell, kort kommentar hvor en sier: «Disse medlemmer ønsker derfor forsiktige endringer i dagens arbeidsmiljølov.» Vi får altså ikke tak i hva det er for slags felles standpunkt partiene står for. Det kan da bli interessant å se hvis representanten fra Venstre ønsker at vi skal få en avstemming på hvert enkelt punkt. Da vil jo opposisjonspartiene tydeliggjøre hvilke forslag de er tilhengere av, og hvilke de ikke ønsker. Norsk arbeidsliv er

som hindrer vilkårlige oppsigelser, og arbeidstidsregler som gir en god mulighet for balanse mellom arbeid og fritid. Det er verdier jeg ønsker at vi skal ta vare på. Det er flere forslag som er fremmet her i dag. Det ene er å åpne for flere midlertidige ansettelser. Dette er en uenighet som går tilbake til 2005. Noe av det første vi gjorde da vi inntok regjeringskontorene, var å reversere de endringene som Bondevik-regjeringen hadde gjort når det gjaldt å åpne for flere midlertidige ansettelser. I stortingsdebatten som var da, fikk den nye regjeringen sitt pass påskrevet av opposisjonen, som sa at hvis man ikke åpnet for flere midlertidige ansettelser, kom dette til å ramme ungdom og innvandrere av full kraft. Sverige valgte den andre løsningen, de gikk for flere midlertidige ansettelser, og det er åpenbart hva som har vært forskjellen når det gjelder ungdomsarbeidsløsheten i Sverige og Norge. Vi har et godt arbeidsliv i Norge. Jeg mener at mer bruk av midlertidige ansettelser ikke åpner døra for flere, men tvert imot støter flere ut av arbeidslivet. Det andre som diskuteres her i dag, er unntak fra arbeidstidsreglene. Da er det viktig å si at det gjøres langt flere avtaler enn noen gang når det gjelder å få mer fleksible arbeidstidsbestemmelser. Det skjønner arbeidsgiverne også, og derfor er det inngått 1 300 avtaler med sentrale arbeidstakerorganisasjoner med ganske omfattende endringer. Men – og det er et stort men – det er ikke noe som arbeidsgiver kan pålegge, og det er en sikkerhetsventil i systemet som sikrer at den sentrale organisasjonen kan si nei. De aller fleste tilfeller av unntak går igjennom – ni av ti. Jeg mener at dette er veldig viktig. Norske arbeidstakere jobber mer fleksibelt enn noen gang, men styrkeforholdet skal ikke være slik at arbeidsgiveren sier at dette skal vi avtale på tomannshånd på

vil si at når det gjelder arbeidsmiljøloven, er det ikke sånn at vi er imot enhver endring av den. Tvert imot, for bare et par uker siden gikk regjeringen inn for endringer av den som sikret deltidsansatte større rettigheter i større stillingsbrøker. Dette var endringer som opposisjonen stemte imot. Jeg vil også be Høyre dokumentere hvilke av de forslagene som Høyre fremmer, som ligner på det Arbeiderpartiet tidligere har foreslått.

retningsvalg. Jeg mener at de oppmykningene som Venstre her foreslår, kommer til å føre til et hardere arbeidsliv, hvor arbeidsgiverne får mer makt på bekostning av arbeidstakerne. Det er en retning som jeg ikke ønsker. Det er

for det er jo det forslaget går ut på, en generell åpning for det – er det klart at det blir flere midlertidige ansettelser av det. Kravene i dagens lov om at du ikke kan holde på sånn, gjør at den som blir midlertidig ansatt, også får en fast jobb. Det er viktig. Flere har tatt til orde for en mer inkludering i arbeidslivet for flere. Ja, da er det uhyre viktig at vi har gode reguleringer og en sterk fagbevegelse som kan håndheve disse reglene på vegne av

som alle – i hvert fall de aller fleste – synes er en stor styrke. Det er fullt mulig å etterleve dette regelverket og få dispensasjoner, som statsråden var nøye med å vise til i sitt innlegg. Det er altså fullt mulig, men det er for få som gjør det – også offentlige Er dette veldig viktige skillelinjer, eller er det bare litt sånn forsiktig oppmyking? Jeg har gått igjennom hvordan Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har stemt de siste åra i mange arbeidslivssaker. Det er en svært stor forskjell på det dagens regjeringspartier står for, og det opposisjonen står for. Det handler om svært mange av tiltakene mot sosial dumping, og det er noe av det som virkelig ville rive bort grunnlaget for et organisert og ryddig og godt arbeidsliv for alle. Men det er også andre saker som gjelder velferd – som pappaperm, ammefri, likebehandling av vikarer og en hele rekke forslag – som opposisjonen kaller oppmyking, men som at maktforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver ville bli forrykket, slik som statsråden sa. Arbeidstaker ville stå i en svakere posisjon fordi man tillater at man skal kunne fjerne det at man må ha en fagforening i ryggen for å kunne forhandle fram løsninger i arbeidslivet. Når det gjelder de forslagene Trine Skei Grande har fremmet på

vil Fremskrittspartiet tilkjennegi at vi støtter forslagene nr. 9, 10, 11 og 12 – hvis det blir en slik votering. Vi har stått sammen og fremmet felles forslag om dette tidligere. Man kan også si at Fremskrittspartiet tidligere har vært med på deler av de andre forslagene. Men Fremskrittspartiet har vært tydelig når det gjelder arbeidslivsmeldingen. Vi har sagt at vi ønsker

Flere har ikke bedt om ordet …. Det gjelder å be om innlegg mens et innlegg pågår, for da slipper presidenten å avlyse debatten for tidlig. Jeg hadde nok tegnet meg til dette, men det tar vel av og til noen sekunder her. Jeg har i hvert fall fått bekreftelse på at jeg hadde tegnet meg. Jeg har lyst til å kommentere noen ting. Det ene er trepartssamarbeidet, som vi i Venstre er veldig for. Hvis man går til historiebøkene, ser man at det var Venstre-staten som etablerte nettopp det trepartssamarbeidet. Arbeiderpartiet hadde på den tiden en veldig linje. Det er selvsagt viktig med et sterkt samarbeid, og det er viktig å ha sterke fagforeninger. Det er veldig mange som jobber på små arbeidsplasser med to og tre ansatte. De jobber for å holde bedriften sin i dem, for å nå de målene de har. Jeg vil ikke at arbeidsmiljøloven skal undergraves ved å bli utvannet på den måten at man til slutt mangler respekten for den. Derfor er det viktig å ha en lov som er i utvikling.

midlertidige ansettelser som går ut over deres mulighet for å planlegge livet sitt, for å kjøpe leilighet, for å kunne etablere familie – det er utfordringer når det gjelder midlertidighet i Norge i dag. Hvis det er sånn at man er opptatt av at man skal ha mindre midlertidighet, kan regjeringspartiene i hvert fall stemme for det forslaget, for det ville virkelig ha hjulpet mange unge i dag, innenfor yrker som journalister, innenfor forskning og høyere utdanning, innenfor alle de områdene. Jeg vil be om separat votering på de forslagene vi har fremmet, fordi jeg syns at i denne salen skal man ta på alvor alle partiers forslag – også de partiene som har stor kapasitet til å jobbe ut endringsforslag. Da får folk stemme for det de er for, og mot det de er

til sak nr. 19. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen.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

Forholdet mellom forpliktelsene i dette systemet og hva den norske økonomien og samfunnet og velferdsstaten kunne bære i fremtiden, var i ferd med å bli forrykket. Alternativene man sto overfor, var enten å lage en ansvarlig pensjonsreform, eller å se for seg en situasjon i fremtiden hvor man måtte omprioritere drastisk i offentlige utgifter, øke skattene eller finne andre måter å tjene inn midlene på. Isteden valgte da et stort og bredt stortingsflertall – alle inkludert unntatt Fremskrittspartiet – å forhandle seg frem til et nytt pensjonssystem. I ethvert offentlig system er det noen elementer som vil være upopulære. Men det er verdt å minne om to veldig vesentlige ting. For det første vil norske pensjonister – uansett hvordan man snur og vender på det – uansett hvordan man snur og vender på det – ha en sterk kjøpekraftsvekst også i årene fremover. Med andre ord: Norske pensjonister vil få bedre råd. Det andre er at mange av de store endringene i pensjonsreformen først slår inn for kommende generasjoner. Blant annet vil – for å ta et tilfeldig valgt årstall – 1978-generasjonen, som noen i salen kanskje tilhører, av levealdersjustering måtte stå lenger i jobb for å kunne få utbetalt det samme som man i dag kan få utbetalt, om man går av tidligere. Når det gjelder den såkalte avkortingen av garantipensjonen i Folketrygden for ektefeller, er det egentlig å snu saken litt på hodet. hodet. Begrunnelsen for denne avkortingen er jo ikke at man mener det er et selvstendig poeng at ektefeller eller samboere skal ha mindre. Man mener snarere at det er et selvstendig poeng at de som er enslige skal ha mer, enten man har mistet sin ektefelle eller aldri har giftet seg. Derfor bestemte man seg for å ha et system der den enslige skulle få litt ekstra fordi boutgifter er skatter og avgifter kan virke høyere, utgiftene til mat, husholdning – alt det vil være høyere for en som har en husholdning alene. Ikke minst gjelder jo det veldig mange enslige i Norge som er blitt alene i voksen alder, som kanskje har vært vant til å ha en trygg økonomi med to, men som nå sitter igjen alene. Kanskje bor de i et hus, der det en gang bodde to eller kanskje en familie, men hvor det nå bare bor én. Da ville det selvfølgelig vært urimelig å ha et system hvor man fikk over 100 pst. pensjon hvis man var enslig. Derfor har løsningen for å løfte de enslige nettopp vært å gi dem noe ekstra sammenliknet med hva gifte og samboende får. Jeg mener, Høyre mener og flertallet i komiteen mener – alle partier unntatt Fremskrittspartiet – at det er en rimelig ordning, det heller ikke slår grovt urimelig ut, og at det er en ordning som dermed burde fortsette. Så flertallet i komiteen står på det som er dagens praksis og foreslår at forslaget fra Robert Eriksson og Fremskrittspartiet avvises. Dette representantforslaget handler ikke om pensjonsreformen. La det være ganske klart. Jeg har tatt opp saken flere ganger i Stortinget. Dette blir

1. januar 2011, var bygget opp med tre pilarer: grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg for dem som ikke hadde jobbet lenge nok til å ha tjent opp en pensjon som var høyere enn minstenivået. Da ble det sånn at alle som var gift eller samboende, fikk avkortet sin pensjon i grunnpensjon. Med det nye pensjonssystemet har disse reglene blitt Det nye pensjonssystemet bygger på to pilarer i form av opptjening. Det er inntektspensjonsbeholdningen din på den ene siden som skal kompenseres for en garantipensjonsbeholdning på den andre. Hvor stor garantipensjonsbeholdningen blir, avgjøres av hvor høy inntekt du har hatt. For 80 pst. av inntektspensjonsbeholdningen skal avkortes mot for å finne frem til den garantipensjonsbeholdningen som skal legges til folketrygden. Så har man videre sagt i det nye systemet at avkorting basert på sivilstand fortsatt skal skje, men at det skal skje i garantipensjonsbeholdningen. Og hva er konsekvensene av dette? Jo, konsekvensene er at de som har hatt høy inntekt, slipper avkorting. Har du hatt en inntekt på over og er gift eller samboer med en som også har hatt inntekt høyere enn det i snitt, er 80 pst. av inntektspensjonsbeholdningen din høyere enn garantipensjonsbeholdningen. Ergo vil ingen avkorting inntreffe. Det betyr i realiteten at bussjåføren gift med renholderen får full avkorting i det nye systemet, mens legen gift med direktøren ikke får noen avkorting, men har full opptjening nettopp fordi 80 pst. av inntektspensjonsbeholdningen er høyere enn garantipensjonsbeholdningen. Da synes jeg det blir litt merkelig – og der er jeg uenig med saksordføreren – å høre argumentasjonen om at bakgrunnen for pensjonsforliket var at vi måtte ha bærekraft. Vi måtte spare penger. Norsk økonomi kunne ikke bære det pensjonssystemet videre. Da blir det for meg helt underlig at det samme flertallet mener at vi ikke har bærekraft til å fjerne avkortingen for dem med lav inntekt, mens vi har bærekraft til å fjerne avkortingen for dem med høy inntekt. Også argumentet, som er brukt tidligere, om at det er billigere

Jeg mener at dette er en gedigen, utilsiktet virkning i det nye pensjonssystemet som vi bør kunne endre. Jeg skjønner ikke – klarer ikke å fatte og begripe – at det er god, sosial omfordeling å redusere pensjonen til gifte eller samboende med lav inntekt og fjerne den for dem med høy inntekt. Det blir for meg ubegripelig. Til slutt er det noe som kanskje virker enda mer meningsløst. Sett at Olga, som er enke på 75 år, har søsteren Petra på 80 år, som også er enke og sterkt pleietrengende. Hvis Olga finner ut at hun drar til Petra og pleier henne, har de samme bostedsadresse. Da vil også begge de få avkorting i pensjonssystemet. Hvor er logikken hen? Her bør man ta seg bedre sammen og fjerne disse utilsiktede virkningene. Det kan ikke være meningen at det skal være sånn, og på den bakgrunn tar jeg opp Fremskrittspartiets forslag i innstillingen. Representanten har tatt opp det forslaget han refererte til. Det var litt uklart for meg om representanten Robert Eriksson sa at han

Og den andre delen av pensjonen er avhengig av hvor mye du har jobbet. Det er nettopp derfor systemet er lagt opp sånn, at det er den garantipensjonen du har, hvor det er en avkorting i forhold til hva ektefellen har, mens det du har tjent opp selv – der skal det ikke være avkorting. Dette er jo for å bygge opp omkring arbeidslinja i det nye pensjonssystemet. Og begrunnelsen for at minstesikringen differensieres etter sivilstand, er at to personer som bor sammen, kan dele på en rekke utgifter, som enslige må dekke alene. OECD har anslått at to personer som bor sammen, har om lag 1,7 ganger høyere kostnader enn personer som lever alene, under ellers like forutsetninger.

For de har høyere bokostnader, de har høyere utgifter, og jeg synes ikke det er urimelig at pensjonssystemet nettopp tar sikte på å utjevne forskjeller. I dag ytes folketrygdens grunnpensjon uavhengig av om det er tjent opp pensjonspoeng, mens tilleggspensjonen beregnes ut i fra den enkeltes opptjening. Og grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister er nå på 85 pst. av grunnbeløpet, mens tilsvarende for enslige utgjør 100 pst. Grunnpensjon sammen med særtillegg eller pensjonstillegg utgjør den økonomiske grunnsikringen i dagens pensjonssystem. I folketrygdens nye pensjonssystem er grunnsikringen videreført i form av garantipensjon. Garantipensjon avkortes mot opptjent inntektspensjon; ytes kun til personer med lav eller ingen egen pensjonsopptjening. Så dersom vaskekona har jobbet hele sitt liv, kan ikke jeg se at hun automatisk vil falle inn under den gruppen som representanten Robert Eriksson nå gjør rede for. For garantipensjon skal fortsatt differensieres etter sivilstand. Det vil si at enslige, og også nye i folketrygden, vil få en høyere minstesikring enn det gifte og samboende vil få. Videreføringen av et noe bedre sikkerhetsnett for enslige er en del av det brede pensjonsforliket. Jeg synes det er rimelig at staten tar hensyn til den enkeltes behov, og reelle forskjeller i kostnadsnivå mellom enslige og gifte pensjonister når størrelsen på minstenivået i folketrygdens alderspensjon fastsettes. Det er ikke tvil om at to personer som lever sammen, kan dele på en rekke utgifter, som enslige er alene om. Det blir replikkordskifte. Jeg registrerer at statsråden blander sammen det nye systemet vedrørende det som har

Jeg registrerer også at statsråden på nytt sier at det er billigere å bo to sammen enn én alene. Det kan vi være enige om; men dette handler ikke om det i det nye pensjonssystemet. Kan da statsråden forklare meg ganske enkelt: Hvorfor mener statsråden det er riktig at alle som har hatt en gjennomsnittslønn under 420 000 kr skal få avkorting om de er gift eller samboende, mens de som har hatt en gjennomsnittslønn over dette, skal slippe Hvorfor er det billigere for dem med lav lønn å bo sammen, enn det er for dem som har hatt høy lønn? Svaret er ganske enkelt: Garantipensjon får du helt uavhengig av hvor mye du har tjent. Og i den garantipensjonen synes jeg ikke det er urimelig at staten ser på hvem som har mest behov for penger – og det er jo de enslige fordi de har høyere kostnader. og det er jo de enslige fordi de har høyere kostnader. Og det er det som er grunnlaget for dette pensjonsforliket, å sikre en bedre fordeling. Jeg har lyst til å stille spørsmålet på nytt, på en litt annen måte, fordi det svaret jeg fikk, var ikke et svar på spørsmålet. Hvorfor mener statsråden det er god omfordelingspolitikk – en rettferdig sosial omfordeling – å si at de som har hatt høy inntekt igjennom sitt yrkesliv, og som er gift/samboende, skal slippe avkorting, mens de som har hatt lav inntekt, skal ha avkorting? Hvorfor er det en rettferdig omfordeling, som det er viktig at man ivaretar med den nye pensjonsreformen? Og er det sånn å forstå: Hvorfor har vi da bærekraft i norsk økonomi til å fjerne avkortingen for dem med høyest inntekt, mens vi ikke har bærekraft til å fjerne avkortingen for dem med lavest inntekt? Kan statsråden forklare meg hva som er logikken i det? Jeg har svart på dette. Garantipensjon får man helt uavhengig av hvor mye man har tjent. Og derfor er den lagt opp slik at det vil være avhengig av hvilke utgifter du har enten som enslig eller som samboer. Når det gjelder den andre delen av pensjonssystemet som er basert på det du har tjent opp, som vil omfatte en del andre grupper, synes jeg ikke det er urimelig at det er avhengig av hvor mye du har jobbet. Men det er fortsatt uklart for meg hva Fremskrittspartiet mener. Skal man ha andre systemer for dem som er enslige i forhold til dem som er gift? De som har laget pensjonsforliket, mener at det er rimelig

med Bondevik II-regjeringen, da vi hadde budsjettsamarbeid med dem. Så er det faktisk feil når statsråden sier at man får garantipensjon uavhengig av hva man har tjent. Det er feil. Det man får er inntektspensjon. Antall år du jobber kan du gange inntekten din med 18,1 pst. ; det er

Det bør egentlig være ganske enkelt å forstå, dermed er det også feil når man sier at du får garantipensjonsbeholdning uavhengig av inntekt – for det gjør man altså ikke. De med høy inntekt, har kun inntektspensjonsbeholdning, ikke garantipensjonsbeholdning. Flere har ikke bedt om ordet i sak nr. 20. Etter ønske fra arbeids- og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

Men det er likevel viktig å være opptatt av Nav, både når det gjelder organisering og innhold. Nav er kjernen i vår velferdsstat. Det er den organisasjonen vi har et forhold til nær sagt fra fødsel til død, gjennom de fleste livsfaser. Nav-reformen var stor og omfattende. Det har ikke vært smertefritt. De ansatte fikk en krevende oppgave av det politiske flertall på Stortinget. I tillegg kom finanskrisen. Nye oppgaver var ikke koblet til et datasystem som kunne håndtere dette. At ansatte gjorde en formidabel innsats i denne tida, er hevet over enhver tvil, og jeg tror jeg vil si det sånn at de har båret reformen på sine skuldre, i storm og stille. Nav begynner å finne sin form – ikke ufeilbarlig, verken systemet eller ansatte, men det går bedre. Resultatforbedringen er merkbar på flere områder og

framfor å gi mer til dem som har mest. Arbeiderpartiet ser viktigheten av gode og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold for ansatte, gjennom et sterkt trepartssamarbeid, framfor å bruke lønn som konkurransevirkemiddel. Regjeringen øker aktivitetsplikten for å motta overgangsstønad framfor å kutte i denne. Regjeringen satser på en arbeidslinje for alle, og ikke økt kontantstøttenivå for noen. Dette henger i stor grad sammen med kvaliteten på Nav-brukernes liv. Nav er på vei til å bli en lærende organisasjon, og den skal bli det. Det er tatt viktige grep for å bedre effektiviteten og kvaliteten på saksbehandling og oppfølging i Nav, og jeg vil si at komiteen i hele perioden har vært opptatt av og vært en pådriver for å holde oppe nettopp kvalitet for det mangfold av brukere som Nav har. Flere forslag ligger på bordet i denne saken. saken. Regjeringsfraksjonen i komiteen er klar på at dette, helt på slutten av en stortingsperiode, ikke er tidspunktet for å iverksette store omorganiseringer. Jeg viser til flertallets merknader i innstillingen knyttet til de forskjellige forslagene og flertallets innstilling i saken. La meg først kommentere det som saksordføreren avsluttet med, at det ikke er slutten av en periode, å komme med så omfattende forslag. Jeg minner om at regjeringen har lagt frem en del proposisjoner rett i forkant av 1. mai, og jeg regner med at representantforslagene har sin tid, på samme måte som proposisjonene har det. Så til saken: Nav-reformen er en av de største og kanskje viktigste reformene som vi har iverksatt i Norge i nyere tid for å realisere drømmen om å få flere inkludert i arbeidslivet, men også for å være katalysatoren og motoren i arbeids- og velferdspolitikken. Det ble sagt da den kom, at den skulle føre til flere i arbeid og færre på trygd, det skulle være enklere for brukerne å tilpasse sine behov en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Det var de tre pålene som var den store visjonen – målet – og hele grunnlaget for reformen. Nå vet vi at Frischsenteret er i gang med en evaluering, og vi har allerede fått se en del av de foreløpige evalueringene, som viser at de ikke har klart å ha målbar effekt på noen av de tre. Fremskrittspartiet foreslår en rekke forslag som man som man sier er store og omfattende. For det første har Fremskrittspartiet jobbet med dette over lang tid. Vi har gjort en grundig jobb og hatt nær dialog med de ansattes fagorganisasjoner – NTL og Parat – fått skriftlige innspill og hatt møter med dem om hvordan man kan omorganisere og hvordan det bør fungere bedre. Vi har hatt tilsvarende runder med brukerorganisasjonene, både FFO og Handikapforbundet m.fl., og vi har også hatt møter med direktoratet for å skaffe oss kunnskap og forståelse om hva dette handler om. Vi mener vi har gjort en grundig og god jobb på et viktig område som folk hver eneste dag er avhengig av at skal fungere bedre. bedre. Da blir det en mager trøst at man hver gang vi tar opp konkrete forslag for å løse problemer som oppstår i Nav, bare lener seg tilbake og sier at nå går ting bedre. Det har man sagt fra posisjonen hver eneste gang, og jeg har fulgt Nav-reformen helt siden 2005 – hver eneste gang har man sagt det samme. Hvis man mener noe med å skulle klare å få flere inn i arbeidslivet og mindre byråkrati, tror jeg at det er helt avgjørende at man får et forenklet og mer ansvarliggjort partnerskap. Det er en utfordring med dagens partnerskap, det tror jeg alle sammen kan erkjenne. Skal man klare å gjøre de gode grepene for dem som bor lokalt, er man avhengig av at man har sterke, myndige Nav-kontor lokalt som kan ta de gode vurderingene, fatte vedtak og følge opp den enkelte på rett måte. Slik fungerer det ikke i dag. Da mener jeg

at man tar de signalene som kommer fra ansatte, brukerorganisasjonene og den enkelte bruker på alvor og forsøker å gjøre noe med det. Jeg mener som politiker at når jeg ser at jeg har vært med og gjort vedtak, og at de vedtakene ikke fører frem med tanke på det som var målsettingen, er det min oppgave som folkevalgt å korrigere kursen og ta nye grep for å nå målsettingen. Det er det Fremskrittspartiet har forsøkt ved å fremme dette forslaget. For å avslutte: Når jeg hører saksordføreren si at det er oppsiktsvekkende at mange av forslagene ikke har vært ute på høring, så er det vel ikke slik at man sender representantforslag ut på høring. Men jeg registrerer at da man etablerte forvaltningsenheter, kom det gjennom i budsjettbehandlingen. Var det så mye grundigere behandling? Snarere tvert imot det var heller ikke noe som lå i Stortingets mandat, at man skulle oppnevne forvaltningsenheter. Det var bare noe som ble gjort i en budsjettbehandling. Derfor skulle jeg ønske at man hadde fått en mer seriøs behandling av dette forslaget enn det har fått, for det er et viktig forslag for å få Nav-skuta på rett vei, for å oppnå et bedre resultat og ikke minst for å hjelpe flere brukere til å komme inn i arbeid fremfor trygd. Med det tar jeg opp de forslag som Fremskrittspartiet har fremmet i innstillingen. Representanten Robert Eriksson har tatt opp de han refererte til. Det oppsiktsvekkende med denne debatten er vel ikke at Fremskrittspartiet kommer med et forslag på slutten av sesjonen, men at det etter åtte år med rød-grønn regjering har blitt tatt så få grep. grep. Det viser med all mulig tydelighet behovet for noen nye ideer og bedre løsninger, også på velferdsområdet. Når Høyre har gått igjennom forslagene, er det mange forslag vi støtter. Vi har bl.a. vært enig i behovet for et Nav-ombud – ikke for å få et ombud etter modell fra f.eks. barneombudet, men etter modell fra pasientombudet – som skal være en slags fasilitator for dialog, for å bruke en en uttrykksmåte som kanskje kunne kommet fra Utenriksdepartementet, mellom bruker og system. Mange saker kunne kanskje unngått å komme til klagebehandling dersom man hadde hatt en litt bedre dialog – man kunne satt seg ned med en tredjepart og løst det på den måten istedenfor å gjøre det til en langtrukken klageprosess. Vi har flere ganger i denne sal stilt spørsmål ved hvordan Nav styres. Nav er etter vår mening overadministrert og byråkratisert og styres etter det som man litt spissformulert kan kalle det verste fra to verdener, nemlig nyliberalisme og sosialdemokrati. Da får man en kombinasjon av målstyring og detaljstyring som har tjent mange offentlige etater heller dårlig. Det er heller ingen tvil om at samhandlingen mellom Nav og tiltaksleverandørene ikke er god nok. Det er for stort sprik i måten man organiserer det på, resultatene er ikke gode nok, og igjen ser vi at regjeringen har sittet i år etter år, uten å gripe fatt i problemstillingene. Noen av forslagene fra våre venner i Fremskrittspartiet er vi ikke for. Det er kjente uenigheter. Vi er f.eks. ikke tilhengere av at man skal ha en statlig normert sosialhjelpssats. Vi mener at det er et poeng at kommunene fortsatt har et eierskap til sosialpolitikken. Noen av forslagene er vi litt avmålte til, og jeg har lyst til å bruke de siste to minuttene på å forklare det. Det skyldes ikke at vi vet at vi er mot dem, men rett og slett at et av problemene med Nav har vært at de har blitt påtvunget – politikerne har vedtatt – en veldig stor og ambisiøs reform – eller for å være helt nøyaktig: Stortingsflertallet bestemte seg, mot regjeringen Bondeviks vilje, for å gjennomføre en stor og veldig omfattende Nav-reform på en bestemt måte, uten at man hadde noen tanker om hvordan det skulle gjennomføres slik at man nådde målsettingene i praksis. Fra Høyres side er vi skeptisk til om Nav på nytt trenger en stor og omfattende reform, rett og slett fordi det å reformere og endre så grunnleggende skaper en del forstyrrelser i systemet som går ut over brukerne. Det betyr at når man nå skal adressere problemene i Nav i neste periode, bør det sannsynligvis skje ved at man går litt nøkternt til verks og adresserer ett og ett problemområde. Men da er det mange ting som Fremskrittspartiet foreslår som vi burde vurdere. For eksempel er det grunn til å vurdere om hver eneste kommune er nødt til å være pålagt å ha et Nav-kontor. Vi er også mer enn gjerne med på å vurdere om Navs ledelse i dag er et hinder for Navs virksomhet, eller om det tvert imot fungerer. Forskningsrapportene peker i litt forskjellige retninger.

og det er all grunn til å diskutere den. Derfor har man nå satt i gang en svært stor evaluering. Jeg er en av dem som virkelig ser fram til den evalueringen, når den kommer. Jeg har vært med på Nav-reformen helt fra den spede begynnelse på slutten av 1980-tallet, da man begynte å ha lokale forsøk med hvordan de statlige etatene kunne fungere bedre sammen.

hjelpeapparatet. Da handler det sjølsagt om at du faktisk får hjelp, men det handler også om måten du blir møtt på. Med Nav-reformen var i hvert fall utgangspunktet at du skulle møte én dør, og det skulle bli enklere for deg. Det er nok dessverre slik at en del brukere ikke har opplevd det. Det tror jeg vi skal erkjenne. Men det er kanskje litt merkelig å høre på den skarpe kritikken fra Fremskrittspartiet – for jeg har litt hukommelse når det gjelder hva som har skjedd i denne saken. Jeg husker godt de første budsjettene når det gjelder hva som har skjedd i denne saken. Jeg husker godt de første budsjettene da Nav var etablert, der Fremskrittspartiet kuttet svære summer til driften av Nav. Jeg skulle likt å se hvordan Nav hadde sett ut hvis Fremskrittspartiet hadde fått lov til å styre Nav på den tida. Det hadde vært den reneste katastrofe. Så er Nav et direktorat. Det er jo en spesiell form for statlig styring, en måte gir fra oss veldig mye av styringen over organiseringen – hvordan dette skal foregå – men der vi som storting kan gripe inn ved lov og gjøre det. Representanten Røe Isaksen hadde for så vidt et veldig interessant innlegg, der han filosoferte over